Men akkurat disse tilfellene er litt spesielle, for her er det forskere som fronter en mening på vegne av sitt institutt, og så tillater man seg å være sivilt engasjert i diverse forskningsråd. Da kan man altså på ettermiddagen, eller i helgen, tillate seg å være kritisk både til de forskningsmetodene som instituttene våre bruker, og til de resultatene som instituttene våre hevder er riktige. Det er jo dette – hvis man da følger statsråden, hvilket jeg vil gjøre, at man skal forholde seg til de fakta vi får fra instituttene våre – som gjør det litt vanskelig for politikerne å navigere, synes jeg. Det er det jeg lurer på om statsråden kanskje kunne utdype litt Jeg er også helt enig i at det å ha en diskusjon basert på forskning og kompetanse er viktig. En total enighet ville vært en katastrofe, i den forstand at da ville en ikke bringe forskningen og kunnskapsutviklingen videre. Det at vi også da har engasjerte forskere som deltar i debatten med bakgrunn i den kunnskapen de besitter, synes jeg er veldig bra. Men i akkurat det eksemplet som jeg tror at representanten tenker på her, er det slik at det er en enkeltforsker ansatt ved Havforskningsinstituttet som sitter i et vitenskapelig utvalg, ikke som Havforskningsinstituttets ansatt, men med den kompetansen han Når vedkommende uttalte seg og deltok i den offentlige debatten, var det ikke som HI-forsker, men som medlem av det utvalget. Jeg har stor forståelse for at det kan virke forvirrende. Det har vært forvirrende for meg i andre sammenhenger, der jeg ser at offentlige debattanter titulerer seg med professor her og der og selvsagt får en helt annen tyngde på innleggene

Denne strategien er følgd opp med «Nye byggesteiner i nord», som er neste trinn i regjeringa sin nordområdestrategi. I områda utanfor kysten av Noreg og Russland finn vi: nokre av verdas største fiskeressursar store olje- og gassfelt eit enormt potensial for marin bioprospektering Nordaustpassasjen, den kortaste sjøruta til Austen, opnar seg på grunn av klimaendringane ein landsdel med store – ja, kanskje uante moglegheiter. Utvinning av verdifulle komponentar frå biologisk materiale er ein raskt aukande industri. Grunnleggjande føresetnader er kompetanse, idear, kapital og tolmod og sjølvsagt biologisk mangfald og kompetanse til å identifisere Dette fagfeltet er i ferd med å verte eit stort satsingsområde både i Noreg og andre land. Noreg har peikt ut marin bioprospektering som eit område der vi har spesielle føresetnader og moglegheiter. Det er i dei ekstreme miljøa ein trur ein finn spesielt interessante organismar med heilt spesielle eigenskapar. Derfor har Arktis og nordområda vorte Næringsutvikling er i stor grad avhengig av eit tett samspel mellom akademia, næringsliv og verkemiddelapparatet. Dette samspelet har vist seg å fungere mest optimalt i dei tette integrerte klyngene. Det vert sett store krav til betydeleg tverrfagleg kunnskap og langsiktig forskingsbasert innsats for å kunne gå heile løpet frå forsking til eit ferdig produkt. Det er svært viktig å merke seg at desse store moglegheitene er knytte til havet og det maritime miljøet. Ansvarleg verdiskaping og forvaltning av desse ressursane krev godt samarbeid med Russland. Noreg har erfaring med og tradisjon for å samarbeide med Russland om forvaltning av fiskeressursar i Barentshavet på ein svært god måte. Det er bygd opp gode relasjonar innanfor forsking og fiskeriforvaltning mellom Noreg og Dette er eit svært godt grunnlag for vidare samarbeid. Nord-Russland har svært stor kompetanse innanfor mange ulike maritime næringar, slik som fiskeri, sjøfart og sjøforsvar. Russland har likevel stort behov for tilgang på moderne teknologi og ekspertise innanfor dei maritime næringane. Langs heile Norskekysten finn ein miljø som har ulike former for maritim kompetanse, som vil vere svært viktig i eit framtidig samarbeid med Russland om utvikling av nordområda. Dersom Noreg skal vere ein interessant samarbeidspartnar i nord, må vi by på det beste vi har innanfor dei maritime næringane. Det er derfor viktig å mobilisere og ta i bruk kompetansen langs heile kysten. Desse miljøa er verdsleiande på mange område innanfor maritim verksemd. I første rekkje kan nemnast fiskeri, skipsbygging, seismikk, olje- og gassutvinning og offshore serviceverksemd. Noreg har allereie mykje av den kompetansen ein treng for å kome vidare i nordområdesatsinga. Det er derfor svært viktig at ein greier å etablere arenaer der forsking og næringsliv kan møtast og utvikle idear og samarbeid innanfor desse felta. Heilt til slutt: Ein ny idé eller oppfinning vert ingen innovasjon før han vert omsett i praktisk handling. Det er arbeidskraften vår som er vår viktigste ressurs. Det er ikke børs eller oljefond vi skal leve av. Det er hverandres arbeid vi lever og skal leve av. Og da er investering i utdanning av nåværende og framtidig arbeidskraft vår viktigste investering i framtidig velferd og framtidig økonomi. Vi kommer til å ha utfordringer knyttet til demografien i årene som kommer. Vår største politiske utfordring er å få flere hender i arbeid, sånn at vi kan forvalte og videreutvikle velferdsstaten og løse framtidens omsorgsbehov med en stadig større eldre befolkningsandel. For å klare det skal vi få folk til å jobbe lenger. Vi må gjøre arbeidslivet mer inkluderende og få flere over fra passive ytelser og inn i aktivitet. Altfor mange står i dag utenfor arbeidslivet og vil inn, men opplever et arbeidsliv som ikke har plass til dem. Det er sløsing med menneskelige ressurser, og det er også den viktigste enkeltårsaken til levekårsproblemer. Mister vi folk på veien, ja så er kostnadene enorme, ikke bare for den enkelte, men for samfunnet som helhet. Vi trenger disse folkene. Når vi i arbeids- og sosialkomiteen jobber med nettopp det å skulle inkludere flere ved å forebygge langtidsledighet, forebygge sykefravær, forebygge uførhet, ja så er vi avhengige av at vi lykkes på alle andre områder og på utdanningsfeltet spesielt. Vi kan veldig mye om sammenhengene. Vi vet at om vi skal få arbeidslinja til å fungere, er vi helt avhengig av at utdanningslinja fungerer. Det store frafallet i videregående opplæring er en av de faktorene som skaper mest problemer for folk videre i livet, og det er den faktoren som er med på å skape mest sosial ulikhet i vårt samfunn. Når vi ser på de unge langtidsledige og de unge uføre som er over 30 år, ja så ser vi en helt klar fellesnevner: drop-out fra skole. Så for å dekke samfunnets kompetansebehov, forebygge ledighet, forebygge dårlige levekår og sikre den enkelte et trygt ståsted i arbeidslivet, ja så må frafallet i skolen stoppes. Nedgangen i antall arbeidsplasser for ufaglærte er Ufaglærtes andel av arbeidsmarkedet vil falle ytterligere og i 2025 ligge på rundt 3,5 pst. ifølge SSB. Med andre ord: I 2025 vil det være behov for 100 000 færre arbeidstakere som bare har grunnutdanning, sammenliknet med 2004. Konklusjonen er dermed enkel, men tøff: Det å ikke skaffe seg utdanning vil bety å stille seg utenfor mer enn Utdanningsfeltet er altså avgjørende for å sikre framtiden ikke bare for den enkelte, men for hele arbeidsmarkedet og samfunnet som helhet. Men utdanning som faktor er ikke bare avgjørende for å sikre morgendagens arbeidskraft. Utdanning er også nøkkelen for å bevare dagens arbeidskraft lenger. I vårt arbeid med å stimulere flere til å jobbe lenger og med det vi vet om dagens og framtidens arbeidsliv, der folk bytter jobb stadig vekk, i motsetning til før i tiden, der man valgte seg et yrke og stort sett sto i det livet ut, ja så er vi avhengig av gode etter- og videreutdanningstilbud og omskoleringsmuligheter sånn at folk er rustet for et arbeidsliv og arbeidsmarked i endring. Å satse sterkere på etter- og videreutdanning vil derfor være et viktig grep for å understøtte arbeidslinja og holde flere i arbeid livet og det er helt avgjørende for å holde på seniorene i arbeidsmarkedet. Målet vårt er et arbeidsmarked der alder er en irrelevant faktor. Derfor er alt det regjeringen gjør på utdanningsfeltet, avgjørende for resultatene og behovet for innsats på arbeids- og sosialkomiteens felt. Derfor er kampen mot frafall og arbeidet med livslang læring også en av av å ha en regjering som kommer med konkrete tiltak mot frafall på bred front, som bevilger penger til gjennomføring av det, og som setter seg konkrete mål om en høyere gjennomføring i skolen. Vi har klart å nå den type mål på områder før, og vi skal gjøre det igjen. Det handler om å lykkes som samfunn ved at flere skal få delta, og det handler om å løse framtidens store velferdsoppgaver. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. I dette innlegget vil jeg konsentrere meg om komiteens ansvar for Kirken. Den norske kirke har av Stortinget fått noen klare utfordringer de siste årene. Dette har etter min mening ført til en vitalisering av Kirkens organisasjon, og det har ført til nytenking. Slike utfordringer med slike resultater er av det gode. Nå ser jeg at mange i media de siste ukene i tilknytning til en spesiell sak har antydet at Kirken er håpløst gammeldags, mens andre gir støtte til handlekraft og tydelighet. Nå er det ikke den delen av Kirken vi skal ta oss av, men jeg synes altså at det er på sin plass å minne om at Kirken har tatt på alvor de utfordringer de har fått, og en ny og sterkere demokratisk organisasjon vokser fram. Høyre mener det er viktig å verdsette arbeidet bl.a. med møtegodtgjørelse til medlemmer av de sentralkirkelige råd, og har bevilget penger til dette i sitt alternative budsjett. Kirken har gjort strukturelle endringer samtidig som det løpende arbeidet går sin gang. Særlig viktig har det vært å videreføre arbeidet med trosopplæringsreformen. Kirken skal også her ha honnør for sin innsats, og for oss i Høyre er det svært viktig at regjeringen følger opp med de nødvendige ressurser til videreføring. Budsjettet for 2011 ligger i underkant av den opptrapping som Stortinget har vedtatt. Den største utfordringen har nok Kirken likevel når det gjelder å skaffe nok prester til de tjenesteområder de skal fylle. Skal Kirken makte å være en åpen og aktiv folkekirke, er det viktig med gode og motiverte prester i tjenesten. Signalene vi får om utslitte prester som i tillegg til egne oppgaver må ta vikaroppgaver i ubesatte stillinger, bekymrer oss. Derfor har det vært viktig for Høyre å styrke budsjettet, ikke minst med tanke på muligheten for å etablere en seniorpolitikk som kan gjøre at flere eldre prester står i tjenesten lenger. Vi vet at dette vil avhjelpe en del av situasjonen. Til slutt vil jeg få påpeke at vi synes det er en urimelig stor forskjell på overføringene til Nidarosdomen og Oslo domkirke. Oslo domkirke utfører mange store og viktige nasjonale oppgaver og må tilgodeses med økte ressurser som gjør dette mulig. En samlet opposisjon påpeker urimeligheten. Jeg viser til at Høyre i sitt alternative budsjett har satt av 1 mill. kr ekstra til Oslo domkirke.

FoU. Det er jo når det gjelder næringslivet – og da har jeg absolutt inkludert de bedrifter som staten er tungt inne i på eiersiden – at vi skiller oss ut fra mange land ellers i verden ved at det satses for lite. La oss ha den type ryddighet i debatten før vi prater altfor mye ned den offentlige innsatsen her. Så undrer jeg meg jo over at representanten Henning Warloe i dag ønsker å se til England. Der har de nå frosset FoU-bevilgningen, dvs. at den kommer til å gå ned årlig. Der har de kuttet i høyere utdanning med 40 pst., og de øker skolepengene. Er det dette som skal være idealet for Norge? Nei. Det tror jeg virkelig ikke Høyre mener heller. Så litt over til dette som Harberg var inne på når det gjelder struktur og samhandling innenfor universitets- og høyskolesektoren. Det er en viktig og interessant debatt som både de rød-grønne og absolutt også den politiske ledelsen er inne i og vil fortsette å ta del i og utvikle. For meg er det da mer naturlig akkurat nå å stille spørsmålet tilbake til Høyre. Høyre spør hva vi mener, og

finansielt. Som direktøren for Forskningsrådet sa da budsjettet ble lagt frem: «Regjeringen griper ikke muligheten». Det kan vi absolutt slutte oss fullt og helt til. Så sier Aksel Hagen at det som først og fremst er utfordringen i Norge, er svak forskningsinnsats i næringslivet. Ja, det er riktig det. Vi har en sterk offentlig satsing relativt sett, men vi har en svak næringslivssatsing, og derfor har jo Høyre gang på gang fremmet forslag om å styrke og forsterke og utvide SkatteFUNN-ordningen f.eks., som er en stor suksess blant bedriftene, og som i sin tid ble innført av Bondevik II-regjeringen. Men på det sporet er jo ikke SV i det hele tatt, så hvordan SV har tenkt å styrke næringslivets forskningsinnsats, er fremdeles en gåte.

Siste PISA-undersøkelsen viser altså at 21 pst. av guttene ligger i kategori 2 eller lavere når det gjelder leseferdigheter – noen forskere sier at da er man funksjonell analfabet – mens bare 8 pst. av jentene ligger på samme nivå. Det er positivt at vi har fått løftet mange, men vi ser altså store, store forskjeller. Jeg hadde dette som et tema i en interpellasjon her i og det var påfallende hvordan alle bagatelliserte disse forskjellene som vi i Høyre er bekymret for. Det skjedde i innlegg etter innlegg, og også kunnskapsministeren bagatelliserte disse forskjellene. De var altså ikke bekymringsfullt store. Nå er hun plutselig veldig bekymret og skal koble inn OECD. Som jeg viste til i min interpellasjon, er det sannsynliggjort at vi trenger særskilte tiltak for de guttene som sliter. sliter. Nyere hjerneforskning, bl.a., har vist at det er til dels oppsiktsvekkende forskjeller på gutter og jenter. For eksempel er det slik at seks år gamle gutter bare klarer å konsentrere seg halvparten av den tiden som jentene på samme alder klarer. Flere kommuner har forsøkt særskilte tiltak for de guttene som sliter, og har gode resultater. Kautokeino kommune er et eksempel på det. Men disse forsøkene må altså avsluttes, fordi de ikke er tillatt etter norsk lov. Min oppfordring til kunnskapsministeren er å la kommuner og skoler få prøve ut disse forsøkene istedenfor å gå den lange veien om OECD. Eg er glad for at representanten Tord Lien er oppteken av Arbeidarpartiet sitt fokus på kvalitet i forsking og

naturlegvis er ein premiss for all forsking. Han skal vera sjølve grunnvollen som forskinga kviler på. Mitt poeng, som eg er glad for at representanten Lien gav meg høve til å repetera, er at høgresida brukar den akademiske fridomen som unnskyldning for ikkje å vilja gi styringssignal til sektoren. Elles er eg veldig meiner om den akademiske fridomen, etter å ha høyrt spørsmålet frå representanten Bakke-Jensen til statsråden. Eg vil minna om at finansiering og meir pengar, som høgresida heile tida peikar på, berre er det fjerde viktigaste kriteriet for å heva kvaliteten i sektoren. Representanten Bente Thorsen pussa i sitt innlegg støvet av Anders Lange sine meiningar frå 1953. Det er openbert at han framleis pregar Framstegspartiet sin utdanningspolitikk. Om det er ein udelt fordel for den norske skulen, er eg litt meir i tvil om. Når det er sagt, vil eg minna om at Marcus Thrane og arbeidarrørsla faktisk allereie 105 år før laga det første utdanningsprogrammet. Under høgresida si styring av skulen var tida prega av uro rundt skulen. Det var uro og dårleg økonomi hos skuleeigaren, og det var uro omkring spørsmål knytte til privatisering og kommersialisering av skulen. Ikkje rart at det har ført til dårlegare forhold både for lærarane og elevane. No er den negative trenden snudd. Som alle veit, har Noreg i den siste PISA-kåringa bevega seg frå ein dårleg 19. plass til niande plass i lesing. Vi er godt over snittet i OECD og nest best i Norden. Det er ein tydeleg framgang i matematikk, og OECD peikar på at Noreg er blant dei landa som har størst framgang i naturfag. Talet på elevar med svake leseferdigheiter er på rask veg ned. Det er viktig, fordi det no er ro i skulen. Vi har hatt ein målretta innsats basert på kunnskap om kva som faktisk fungerer. Vi eksperimenterer ikkje lenger med skulen og elevane. Det er definitivt ikkje slik som representanten Aspaker sa, at skulen no går i den retninga som Høgre peikar på. Høgresida vil ha meir konkurranse, privatisering, Dette åtvarar forskarar, lærarar, skuleeigarane og elevane mot. Men trur du det hjelper, gode president? Henning Warloe har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg synes det var kjekt å høre at representanten Tor Bremer nå har moderert sitt syn på den akademiske frihet betydelig. Så det er iallfall noe som hjelper, nemlig en debatt. Men Arbeiderpartiet sliter jo også historisk med at man har et forferdelig instrumentelt syn på forskning og også på en del samfunnsområder. Parallellen til kulturområdet og kunstområdet er veldig slående. Det som bekymrer meg, er: Dette storting behandlet Venstres representantforslag om akademisk frihet den 16. februar i år, og et enstemmig storting ba forskningsministeren om å treffe flere tiltak for å tydeliggjøre kravene til akademisk frihet på instituttsektoren. etter dette, før Aftenposten begynte i reportasje etter reportasje å avdekke de ulike sakene hvor departementet har gjort forsøk på å overstyre forskningsinstitutter og nettopp den akademiske friheten. Da skjedde det noe, men ikke før Aftenposten skrev

skolen. Så tror jeg at jeg skal si til statsråd Kristin Halvorsen at uansett hvor mye hun brisker seg på denne talerstolen, lar ikke Høyre seg skremme til taushet i forhold til å kjempe videre kampen for kvalitet i skolen og for å sikre oss at vi har en skole som møter alle elever, enten de har problemer eller de er i enersjiktet. For alle elever har krav på å bli møtt og få utfordringer som gjør at de strekker seg til sitt aller ytterste. Det trenger de av hensyn til seg selv, men det trenger også samfunnet. Da jeg besøkte det nye Hamsunsenteret i sommer, merket jeg meg et sitat av Hamsun: «Jeg har maattet opdrage mig selv Skridt for Skridt opefter Tilværelsen; jeg har klatret Livet op, ikke gaaet det.» Sånn opplever kanskje mange skolen og utdanningen i dag. Men det er ingen vei utenom, for skal vi bli noe, Så til etter- og videreutdanning av lærere. Jeg tror det er svært viktig at vi nå handler mens det ennå er tid til å kunne handle og for å unngå en krise, slik som Statistisk sentralbyrå faktisk sier vi kan styre inn i. i. Da undrer jeg meg over at det ikke er mulig å legge om systemet for etter- og videreutdanning av lærere raskere. Vi hadde god suksess med den måten det ble gjort på da Kunnskapsløftet ble innført. Da satt kommunene i førersetet. Kommunene samarbeidet. De inngikk avtaler med universiteter og høyskoler, fikk mange lærere med samtidig, og det var en stor suksess. Nå står altså 1 000 plasser ledig. ledig. Samtidig vet vi at svært mange lærere opplever at de trenger faglig påfyll. Det er altså ingen god beskjed til norske lærere å presentere det sånn at det kanskje tar 20–30 år før de får det tilbudet om den etter- og videreutdanning som de opplever at de trenger i dag. Det er heller ingen god beskjed til norske elever at de må klare seg med lærere som kanskje ikke er så motiverte som de kunne ha vært om de hadde fått en bedre oppfølging knyttet til etter- og videreutdanning. Jeg utfordrer igjen statsråden på om det ikke er mulig å ta større sats på dette området. Kunnskap gir vekstkraft. Vi må skape mer, hvis vi skal fordele mer, er

men i stadig større grad med andre land. Kompetanse er et viktig innsatsområde for vår verdiskapings- og nyskapingsevne på sikt. Det er avgjørende at Norge er attraktivt som studie- og arbeidssted for de beste studentene og den internasjonale spisskompetansen. Det er også viktig at bedrifter oppmuntres på ulike måter til å videreutdanne arbeidsstyrken og utvikle kompetanse. I bunnen må det ligge et utdanningsløp fra grunnskole til universitet, som framhever betydningen av kunnskap, også den praktisk rettede kunnskapen og der det stilles tydelige krav og forventninger. Næringsrettet forskning og kommersialisering av forskningsresultater må gis prioritet. Vi må ha en sterk offentlig satsing på forskning, men samtidig dra med næringslivet i høyere grad, særlig de små og mellomstore bedriftene. Offentlig sektor kan utnyttes bedre til nyskaping. Offentlig sektor har stort potensial til å bidra til økt innovasjon gjennom sin virksomhet.

seg forskningskompetanse for nyskaping og kompetanseutvikling i bedriften og lokalsamfunnet. Universiteter og høyskoler må i sterkere grad premieres for fruktbart samarbeid med næringslivet, og det må finnes gode og sterke forskningsmiljøer i alle landsdeler, hvor det stimuleres til samarbeid med bedriftene. I denne sammenheng er de regionale forskningsfondene meget viktige. Kunnskapsløft Nord er viktig som et ledd i Reiseliv og arktisk teknologi er plukket ut som fokusområder, der kompetansemiljø og nordnorsk næringsliv samarbeider på de nevnte tema. Dette er spennende tema, som kan gi Norge kraft på nye områder. Denne satsingen må vurderes utvidet også til nye områder sett i lys av verdiskapingspotensialet Nord-Norge har på en rekke områder. Kampen om arbeidskraften fortsetter. Framtidig verdiskaping vil i langt sterkere grad

men det fundamentale problemet i norsk skole er ikke toalettene. Det fundamentale problemet er at en av fem elever ikke er i stand til å skrive noe fornuftig på disse doveggene. Det er også et problem at ⅓ av elevene på videregående skole avbryter utdanningen eller ikke består eksamen. Hvorfor er det slik? Jeg håper statsråden kanskje kan gi et svar på det. Det begynte jo så bra. Som et av de første land i verden innførte Danmark-Norge en obligatorisk grunnutdanning for alle allerede i 1739. Det har betydd utrolig mye for at evner og innsats, og ikke far og mors lommebok, skulle få mer å si for den enkeltes fremtid. En god grunnskole utgjør forskjellen mellom et klassesamfunn og et samfunn med muligheter for alle. Derfor kan vi ikke tillate at skolen feiler og svikter elevene. Høyre kommer alltid til å være den offentlige skolens fremste kritiker, og dermed dens aller beste venn. Det er tydelig at de rød-grønne har innsett at mange av deres gamle ideer har vært for dårlige. Men de har ikke erstattet dem med noen nye. I forrige periode var det epler og pærer som var den store saken. I denne perioden er det ideen om at skolefritid er viktigere enn skoletid. Og jeg må si at SV fortsetter å anstrenge seg hardt for å finne andre temaer å snakke om enn dem som teller, som f.eks. flere gode lærere, flere gode rektorer Det virker som om de rød-grønne har mistet troen på sin egen gamle skolepolitikk, men de vet ikke helt hva de skal erstatte den med. For mange virker det som om deres skolepolitikk mangler retning og engasjement, og den mangler fokus på Den norske skolen er ikke i dag det byggverket mot klassesamfunnet som vi i Høyre ønsker at den skal være. Kunnskapsreformen må fortsette med glød, engasjement, tydelighet og en klar idé om hva som må prioriteres. Det er faktisk veldig viktig at Skole-Norge får tilbake den gløden og det hvor man hadde klare prioriteringer og høye krav, og hvor man tok sikte på tøffe utfordringer. Skolen trenger Høyres skolepolitikk – det er det som er viktig nå. Som et bevis på det kan jeg vise til de gode resultatene som vi har i Oslo-skolen. Aller først vil jeg gjerne kommentere litt av den foregående talers historieskriving. Nå taler

Jeg merker meg også at Finland, med stort fokus på den offentlige skolen, gjør det svært bra, mens Danmark og Sverige, som privatiserer skolen i stor grad, slik Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjøre det her til lands, gjør det dårligere enn den norske fellesskolen. Framgangen til den norske fellesskolen skjer på tross av at særlig Høyre og Fremskrittspartiet har forsøkt å snakke ned norsk skole i årevis. Karakteristikker som «koseskole» har neppe bidratt til å motivere lærere, øvrige ansatte i skolen, foreldre eller elever. Et av de groveste overtrampene sto Fremskrittspartiets profilerte politiker Sylvi Listhaug for da hun i Dagbladet 21. januar 2008 karakteriserte norsk skole som bl.a. «en verna bedrift» og «smiskeskole». Det er også interessant å merke seg at opposisjonen uavbrutt har forklart med de rød-grønne partienes og regjeringens politikk. Er det sånn at det er vår fortjeneste når vi nå ser framgang på disse testene? Nei, svaret er selvfølgelig ikke så enkelt. Først og fremst handler det om at grasrota, dvs. de ansatte, elevene og foreldrene, har løftet skolen i fellesskap. Dessuten har mange skoleeiere tatt et større ansvar for skolen. Dagens rød-grønne regjering har styrket kommunens økonomi kraftig de siste årene, framfor struping og prioritering av skattelette, som var tilfellet tidligere. De økte overføringene har lagt til rette for styrking av skolen. Jeg tror framgangen til en viss grad også kan skyldes regjeringens fokus på bl.a. tidlig innsats, leksehjelp og flere timer, men ikke minst at vi har en regjering som har oppmuntret skolen og grasrota til felles innsats for bedre resultater. Jeg tror vi kan nå enda lenger, og at alle kan strekke seg litt til. Vi har ambisjoner på vegne av den norske skolen, men i motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet tror vi at hver enkelt utvikler seg best innenfor rammen av en sterk fellesskole, og at en ikke skal åpne opp for kommersialisering og storstilt privatisering av skolen. Vi vil ikke ha en konkurranseskole, men en skole hvor en tar vare på hverandre, og hvor hver enkelt får utnyttet sine evner på en best mulig måte. Når jeg hører representanten bruke idrettsprestasjoner som eksempel på at vi ikke dyrker enere i norsk skole, synes jeg det er merkelig. Den norske skole- og velferdsmodellen viser seg jo nettopp både å gi rom for vekst og å skape vinnere, selv om høyresiden hevder det motsatte. Men i motsetning til konkurransesamfunnet til Høyre og Fremskrittspartiet, som vil skape mange tapere, klarer vi å ha fokus på alle.

Grunnen til at jeg ba om ordet, var Aksel Hagens utfordring, og utfordringer tar vi gjerne. For det første registrerer jeg at jeg må ha en enorm gjennomslagskraft, for etter et fem minutters innlegg, der jeg hadde én setning om forskning, mener han at jeg har hatt en voldsom salve mot forskningen. Derimot var det kanskje ikke så lett å høre det jeg sa om debatt om universiteter og Høyre vil ha den debatten som ledere ved universiteter og høyskoler har etterlyst, som alle opposisjonspartiene har etterlyst, og som også politikere fra posisjonen har etterlyst: en bred og god debatt, der vi finner ut sammen hva Stortinget vil med universiteter og høyskoler i framtiden. Representanten Afshan Rafiq var oppe på talerstolen og

fra epler og pærer og brukte dem på skole, da ville man fått noe sånt som 250 mill. kr. Men Høyre foreslår i sitt budsjett å kutte formuesskatten. Det ville alene bety et kutt på 1,8 mrd. kr direkte på budsjettet til Oslo. Hvor tenkte representanten Afshan Rafiq å ta de pengene fra? Er det fra eldre, er det fra skole, eller har man kanskje andre forslag? Er det viktigere å få inn de pengene, eller er det viktigere å få inn 250 mill. kr fordelt på hele landet, fra noe som faktisk viser seg å være en stor suksess? Jeg Jeg tror at Høyre skal legge bort eple og pære-kritikken og heller tenke seg om to ganger til når det gjelder egen skattepolitikk. Så er Henning Warloe opptatt av at gutter ikke leser like bra som jenter. Det er bra; det er jeg også opptatt av. Men det er da jeg ikke forstår hvorfor Høyre hele tiden skal se mot Sverige og de politiske løsningene som man velger der. OECD sier at de landene som lykkes dårligst, er de landene hvor det er konkurranse om elevene, der hvor det er nivådeling. Det svenske skoleverket er enig i at det kan være noe av grunnen til at det ikke har gått så godt med svensk skole i de siste PISA-undersøkelsene, heller ikke i denne. Kan Høyre nå snart ta inn over seg at den politikken ikke fungerer? Den politikken som fungerer, er sammenholdte klasser, læring i fellesskap, gjerne også noe satsing på kortere kurs hvor man satser på å løfte elever opp til riktig nivå. Men det hadde vært deilig om Høyre endelig kunne avblåse sin privatiserings- og segregeringspolitikk og ikke, sånn som Erna Solberg gjorde i trontaledebatten, å gjøre det helt klart at den politikken fortsatt ligger på bordet dersom Høyre skulle overta

og god helse gjennom fysisk aktivitet? Kan det bety at denne aktiviteten skal kuttes nå, når alle innser hvor viktig det er med fysisk aktivitet? Jeg tolker Bremer den veien. Jeg tror ikke han representerer Arbeiderpartiets syn i den saken. Så til de Ruiter om det at Fremskrittspartiet snakker ned resultatene i norsk skole:

– yte godt og være faglig dyktig på skolen. Det kan kanskje hende at en toppidrettsutøver er dårlig i skolesammenheng, og da skal vi være veldig glad for at det er mulighet til å hevde seg på andre arenaer enn skolen. Så for Fremskrittspartiet er det viktig å ivareta på en best mulig måte, samtidig som vi må stille krav. Det har kommet kritikk for at det har vært stilt for lite krav til elevene, vi har hatt altfor lave forventninger til dem. Det er mange som har stilt seg spørsmålet om det er sånn at vi nedvurderer våre egne unger. Jeg synes vi må begynne å se dette den andre veien: For meg innebærer det å ha respekt for noen å stille krav. Det er det samme som å respektere noen. Jeg tror disse budsjettdebattene bærer litt preg av at vi sitter med en flertallsregjering og at Stortinget har mistet mye av

Men det er ikke det viktige. Det som gjør at jeg stresser denne saken litt, er at noe av det viktige vi forhandlet om i disse vakre ordene som nå har kommet, er nettopp at foreldreperspektivet ble flyttet opp og fikk en sterkere rolle. Jeg har gjort et eksperiment i dag. Jeg tenkte jeg skulle sitte musestille og høre: Hvis ikke Kristelig Folkeparti nevner hjem–skole-samarbeid og foreldreperspektivet i norsk skole, kommer det da til å bli et tema? Det har det ikke blitt. Det bekymrer meg. Hvis vi ikke ser hvor viktig foreldres innsats er når det gjelder å være med og få positivitet til læring, gjør vi en stor bommert overfor hele skolen, overfor elevene våre, og ikke minst overfor foreldrene. skjer fordi de blir slått sammen med Foreldreutvalget for barnehager. Men de får ikke med seg hele den bevilgningen som Foreldreutvalget for barnehager hadde. Det vil si at de sitter igjen med store oppgaver, men ikke en finansiering som gjør at dette blir til mer enn bare festtaler. De blir ofte trukket fram som noen som skal være med og løse hjem–skole-samarbeidet, men de blir ikke gitt de rammene de trenger for å få dette til å fungere. De siste talerne har snakket mye om historien. Gjennom kjennskap til historien kan vi som nasjon lære ikke å gjøre de samme feilene igjen. Freds- og menneskerettssentrene rundt i hele landet vårt gjør en formidabel innsats for å ta vare på den historien vi har i nær fortid, knyttet til krig og utfordringer når menneskeverdet blir truet. Men jeg opplever at regjeringen har et ganske kjølig forhold og en kjølig holdning til disse freds- og Jeg ønsker meg et storting og en regjering som tar den historiebyggingen på alvor og gjør det regjeringspartiene på Stortinget har gjort – nemlig å være med og øke bevilgningen til noen sentre. Jeg vil aller først si at jeg deler representanten Eriksens engasjement for fredssentrene – de

kan vi gå litt i dybden etter hvert, hvis det er ønskelig. Så vidt jeg husker å ha lest, stemte Høyre i mellomkrigstiden imot enhetsskolen – som var et sterkt virkemiddel mot det klassesamfunnet som nettopp skoleverket på den tiden representerte. En stemte imot utvidelse av grunnskolen ved flere anledninger, jeg tror nesten samtlige anledninger. Men det kan vi kan vi gå litt i dybden på. En stemte jo også imot å sikre alle en treårig videregående utdanning eller fagbrev, også kalt Reform 94. Så vi kan sikkert finne mye artig lesestoff hvis vi setter oss ned sammen og leser skolehistorie. Det vil jeg gjerne. Helt til slutt vil jeg bare enda en gang tydeliggjøre forskjellene – den rød-grønne regjeringen og de skolepolitikk kontra særlig Høyres og Fremskrittspartiets. Det er jo det at vi vil ikke ha karakterer langt ned i barneskolen. Vi vil ikke ha rangering, og vi vil ikke ha konkurransefokus, privatisering og kommersialisering. Vi mener at det er dårlige virkemidler for å få en god

i komiteen, og for det andre er jeg helt uenig i at dette er å spre penger rundt seg uten mål og mening. Hvis det derimot er sånn at Arbeiderpartiet mener at Fremskrittspartiets forslag om å bevilge 100 mill. kr til universitetene og høyskolene for å styrke basisfinansieringen og for å styrke handlingsrommet, er å spre rundt seg – hvis det er det Arbeiderpartiet karakteriserer som å spre penger rundt seg – vil jeg gjerne at Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet snakker ned kunnskapen, blir det sagt fra den kanten, og så trekker han til og med fram dypvannsutbygginger, som jeg faktisk adresserte i mitt innlegg – at når vi har tatt den posisjonen vi har internasjonalt i petroleumsbransjen, handler det om at vi gjorde et løft den gangen på 1970-tallet som setter oss i stand til virkelig å bidra til å utvikle norsk petroleumsindustri og petroleumsindustrien nå etter hvert i andre deler av landet. Så vi snakker ikke ned kunnskapen, vi snakker opp kunnskapen alle gangene. Det synes jeg var viktig at statsråden var inne på i sitt innlegg. Vi må snakke opp skolen, men vi må også ha ambisjoner som ligger over det vi leverer i dag. Der har vi alle et ansvar for å bidra. Så får jeg bare ønske Høyre og SV lykke til med å diskutere hvem som har æren for at vi har kommet dit vi har kommet i dag. Jeg mener at vi alle har bidratt, og at vi alle sammen bidrar videre, sammen med dem som jobber i sektoren.
Da har representanten Trine Skei Grande

Sverige ble trukket fram som eksempel på et land som ikke har klart det bra på PISA-målingene. Da er plutselig PISA-målingene kjempeviktig, og man mister erkjennelsen av at Sverige har gjort det veldig dårlig de siste elleve–tolv årene. Det er en kjempejobb å snu det svenske skolesystemet. Men det jeg egentlig tok ordet for, var for å si noe om forskerfrihet. Vi i Venstre ønsker nok å opprettholde vedtaket og kjøre det til votering, fordi vi er alvorlig bekymret. Innlegget til representanten Bremer førte heller ikke til at vi ble så veldig betrygget – heller ikke hans andre innlegg, synes jeg. For meg og for Venstre, og for et liberalt parti, er forskerfriheten blant de grunnleggende frihetene i et samfunn. Den må ikke krenkes. krenkes. Vi synes at statsråden egentlig har uttalt seg godt i media om prinsippene her, men vi ønsker også prinsippet til votering, fordi dette er et grunnleggende spørsmål. For blant de store frihetene som er lagt ned i måte også en versjon av ytringsfriheten, retten til å ytre seg i den debatten. Vi mener at dette må lovfestes. Hvordan det skal gjøres, er det mange forskjellige versjoner om. Vi sier ikke hvilken måte det skal gjøres på, men vi synes at det er en grunnleggende frihet som bør sikres i et samfunn. Presidenten vil oppfordre representanten Lien til å gi et manus til referentene.

kan i tillegg til å sjekke voteringsresultatene fra denne sal kanskje lete opp en del av de evalueringsprogrammene som har vært etter Reform 94. Det kan være mye god kunnskap å finne der også, hvis man er interessert i skolepolitikk. Det er nå en gang sånn at skolepolitikk engasjerer, for den gjelder ungene våre, det viktigste vi har. Det jeg veldig ofte savner fra regjeringspartiene i debattene, er en definert foreldrerolle. Jeg er helt enig med Kristelig Folkeparti i at det er at det er noe som vi forsømmer i debatten, og det har å gjøre med noe av aller viktigste vi gjør. Når regjeringspartiene er oppe og prater skolepolitikk, kan man av og til få inntrykk av at de har funnet opp ungene. Men det er nå sånn at disse ungene er fostret opp i et hjem, og skolen skal gi dem skolegang. Det klarer man altså ikke helt alene. Til det at man roper og skriker om den forferdelige gjelder privatskoler: Veldig mange privatskoler kommer i gang på grunn av sunne initiativ fra foreldre som er engasjert i sine barns oppvekst, som er engasjert i at disse ungene skal gå på en god skole. Man må gjerne fra skolestatsrådens side koble bort dette som en viktig verdi og si at det ikke betyr noe,

Så til begrepet «13-årig skole». Jeg synes det også bør tas med i debatten, det at man er i stand til å se ungene fra de starter i første klasse, gjennom hele grunnskoleløpet og gjennom videregående skole i ett syn. Det tror jeg er veldig viktig. Grunnen til det er at overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole er et veldig vanskelig felt, sier forskerne til oss. Derfor savner jeg at man ikke oftere tar 13-årig skoleløp med i med i debatten. Jeg tror det kan være veldig viktig å fokusere på det. Det faktum at statsbudsjettet for 2011 er

som ble tatt fram her som et godt eksempel på hvordan man klarte å verne utdanningssektoren. Vel, de kutter altså i undervisning av studenter på universitetene med 40 pst. De vil nominelt videreføre forskningen, men det er en reell nedgang. Hvis vi skal se bevilgningene til forskning fra denne regjeringen over år, har vi økt i kroner og ører med 50 pst., fra 15 mrd. kr til 24 mrd. kr, og den reelle veksten har vært Det er formidabelt. Men i statsbudsjettet for 2011 har det altså vært trangere enn ellers, og prioriteringene er veldig tydelige. På høgskole- og universitetssektoren er det studieplasser, og på grunnopplæringen er det først og fremst gjennomføring av videregående opplæring som er vår hovedprioritet. Det er avgjørende viktig fordi vi vet at framtidens arbeidsmarked kommer være mer krevende når det gjelder utdanning, og det er avgjørende viktig for å kunne utruste flest mulig ungdommer med et godt utgangspunkt for dette. Derfor har vi nå en omfattende satsing og et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og fylkene for systematisk å følge elevene fra ungdomsskolen og inn i videregående opplæring. Det er et eget prosjekt som nettopp dreier seg om den overgangen, hvor vi nå er ute i kommuner i alle fylker for å sikre oss at de som sliter mest faglig, får en mulighet til å være med på et prosjekt fra juletider og framover, for å tette noen av de kunnskapshullene de har, slik at de kan komme seg igjennom. Jeg er også veldig opptatt av ungdomsskolen. Det var jeg kort innom i mitt innlegg. Jeg er veldig opptatt av foreldrene, fordi foreldrenes forventinger til ungene er avgjørende for hvor langt de kan få brukt sitt potensial i hvor langt de kan få brukt sitt potensial i skolen. Det handler ikke nødvendigvis om at foreldrene har så mye utdanning. Vi vet at også foreldre som er analfabeter, har forventninger og synes at skolen er viktig for å tilrettelegge for lekser osv. De har avgjørende betydning for elevenes innsats. Jeg er også veldig opptatt av læringsmiljø og mobbing. Vi vet at et godt læringsmiljø er med på å utjevne sosiale forskjeller i skolen.

utdanningssiden. På forskningssiden har man økt fra utgangspunktet på 15,5 mrd. kr til nå et forskningsbudsjett på 24,3 mrd. kr. Vi holder altså budsjettet på et høyt nivå og har en nominell økning på en halv milliard. Men reelt blir det en liten nedgang. Men vi er på et høyt nivå, og vi satser selvfølgelig på at den forskningen skal komme samfunnet til nytte. nytte. At det er mye bra som skjer, tror jeg både Høyre, Kristelig Folkeparti og de andre opposisjonspartiene og regjeringen kan være enige om. Så det blir feil å si det, og det blir feil å si at det er det svakeste forskningsbudsjettet på ti år. Jeg er enig i at veksten kan være noe svak fra dette året til det neste, men det er ikke det svakeste forskningsbudsjettet. Det er altså tidenes høyeste forskningsbudsjett, som vi har hatt de siste to årene. men det er ikke det svakeste forskningsbudsjettet. Det er altså tidenes høyeste forskningsbudsjett, som vi har hatt de siste to årene. Jeg tok ordet – og håpet at Venstres representant var til stede – fordi jeg veldig sterkt vil anmode Venstre om å omgjøre forslaget sitt til et oversendelsesforslag. Vi har jobbet i departementet, enten og jobber enda mer intenst nå med arbeid med standardkontrakter, med tydeliggjøring av de vilkår som settes når det gjelder å hegne om den akademiske frihet, med forbedringer av kontrakten og med å gjøre alle til gode bestillere, enten det er departement eller andre oppdragsgivere. Da debatten var oppe sist i Stortinget, i februar, var alle partier, også opposisjonspartiene, enige om at lovfesting utover det som er knyttet til universitets- og høgskoleloven, er en vanskelig sak. Det er ikke enkelt. Vi har ingen egen lov for dette, og det er en vanskelig sak. Men jeg sier meg villig til å vurdere dette som en del av de tiltakene vi nå setter inn for å sikre den akademiske friheten. Derfor håpet jeg at vi kunne få dette forslaget som et oversendelsesforslag, slik at Stortinget – så lite som vi vet om mulighetene for dette nå – slapp å ta stilling til det akkurat nå. Jeg kan imidlertid forsikre både forslagsstilleren og dem som slutter seg til dette forslaget, at vi vil ta med oss grundige vurderinger av mulig lovfesting, men det er som sagt en ganske krevende og utfordrende oppgave, som departementet må vurdere særdeles
Hagen har hatt ordet to ganger i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg er ikke historiker, men planlegger. Derfor er jeg mest opptatt av å se framover. Jeg gleder meg til det videre utviklingsarbeidet, for det tror jeg nemlig vil bli preget av noe som var stemningen i innledningen til presentasjonskonferansen da PISA-resultatene ble presentert, altså før statsråd Kristin Halvorsen slapp til. Der ble det slått fast at

også at vi sannsynligvis er relativt sett bedre på de to områdene som PISA ikke måler, enn vi er på det PISA måler. Så sier forskeren til slutt at vi må se alle tre områdene i sammenheng, som sagt. Det er nettopp dette som er SVs skolepolitikk. Truls Wickholm

det kom hit til Stortinget. Blant annet har vi fått en satsing på mer leksehjelp og mer seksualundervisning i skolen. Det er bra. Tor Bremer har hatt ordet to ganger i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Eg har to korte kommentarar til Framstegspartiet – først til Tord Lien. Han gjekk på autopilot på talarstolen og ramsa opp alle dei Det er for så vidt greitt nok, men det har ingenting å gjera med den uspesifiserte og generelle overføringa til drifta, utan mål og meining, som dei står for. Sett på bakgrunn av at Framstegspartiet faktisk brukar 12,2 mrd. kr meir enn regjeringa, inklusiv dei såkalla dynamiske effektane, er det skammeleg lite dei brukar på utdanning. representanten Thorsens forsøk på politisk rehabilitering av Anders Lange, vil eg seia at han aldri har vore kjent for omsorg for skulen vår. Tvert imot er det heilt andre verdiar Anders Lange har vore kjent for. Eg trur ikkje han vil gå inn i historieboka som spesielt verdifull for samfunnet. Så mitt velmeinande råd til Framstegspartiet er å lata Anders Lange få lov

temaer. Ikke minst vises det ved at det er svært mange statsråder som er berørt av det vi jobber med i vårt budsjett. Det er en av de lengste debattene som går i disse desemberukene, hvilket betyr at det nesten er umulig for oss, selv innenfor den lange taletiden vi har, å være innom absolutt alt. Det betyr at det med skole og hjem selvfølgelig er viktig for mange av oss selv om vi ikke har nevnt det. Det samme gjelder mobbing. Noe som ingen har vært innom, er temaet andre trossamfunn enn men det betyr ikke at det ikke er viktig i vårt samfunn. Derfor vil jeg påpeke at det ikke er mulig å komme innom alle temaer, selv under en så lang debatt som vi har. Så er dette med målrettede bevilgninger fra Fremskrittspartiets og Høyres side allerede kommentert av andre av Arbeiderpartiets representanter. Det handler om at at vi fra posisjonens side kanskje savner mer engasjement i form av tekst i innstillinger om hvordan partiene ser for seg hva slags framtidig struktur, samarbeid, arbeidsdeling og målretting det bør være i høyskole- og universitetssektoren. Der finner vi få koblinger opp mot pengebruk, pengene bare deles ut uten mer spesifisering enn som så. Når vi har økt budsjettene, har vi koblet det tettere på arbeidsdeling, målretting og samarbeid. Så til den ideologiske debatten som kobles til den siste PISA-undersøkelsen: Jeg tror det går an å si at vi absolutt er enige om ganske mange ting her, f.eks. kvalitetsutvikling, tidlig innsats og svært mange andre temaer som det hadde gått an å komme inn på, f.eks. foreldre–skole-samarbeid. Men det er jo også ulike syn på noen områder, og det

har, som enkelte har nevnt i løpet av debatten. Det er ikke det det er strid om – vi har et forlik rundt de privatskolene vi har nå – men det gjelder de privatskolene som Høyre vil åpne for, som har en mer kommersiell karakter. Det er det som har skjedd i Sverige. Dessuten har vi ulikt syn på inndeling av grupper. Da vil jeg vise til Høyres program – som jeg lurer på om noen kunne kommentere fra Høyres side – hvor det står at vi skal «la dette være grunnlag for undervisning som er tilpasset elevenes ferdighetsnivå fra første trinn», og det

Clemet sier til Dagsavisen i dag: Se til Oslo, det er der man går foran når det gjelder å innføre Kunnskapsløftet i praksis. Jeg tror folk flest har fått med seg hvem det er som hele tiden har tviholdt på kunnskap i fokus og måling av resultater, nettopp for å sikre målrettet innsats for å sikre høyt læringstrykk. Da Kunnskapsløftet ble lansert, var SV tidvis mot nasjonale prøver, mot eksamen, mot karakterer, mot opptakskrav i lærerutdanningen og mot klare kompetansemål. Da stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet ble lagt fram, sa SV at dette var et tilbakeskritt. Det er bra at det tydeligvis ikke gjelder lenger. Da Høyre overtok byrådsmakten i Oslo i 1997, var skolen en av våre mest lukkede samfunnsinstitusjoner. Vi visste lite om elevenes læringsutbytte og enda mindre om hva som skulle til for å heve kvaliteten i norsk skole. Og siden 1997 har det vært satset på kvalitet og innhold i skolen gjennom økt timetall, lese- og skriveopplæring allerede fra 1. klasse, og systematisk kartlegging og åpenhet om læringsresultater i Oslo. Det ble sagt fra denne talerstolen tidligere i dag at Oslo kutter i etter- og videreutdanning av lærere. Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. I Oslo fortsetter vi med det vi kaller lærerløftet. I tillegg til statlige midler og tiltak i forlengelsen av Kunnskapsløftet har på egne målrettede tiltak for mer kompetente lærere og skoleledere. Tre av de viktigste er: egen stipendordning for videreutdanning av lærere. Vi tilbyr også forsterket lærerutdanning for nyutdannede lærere i Oslo-skolen. Dessuten har vi i lang tid satset sterkt på skoleledelse, med et eget samarbeid om mastergrad ved BI. Elevene som er målt i PISA for 2009, er elever som begynte på ungdomsskolen da Kunnskapsløftet ble innført. innført. Oslo er helt i tet, og det er særlig viktig at Oslo i 2010 har betydelig færre elever på det laveste nivået. Dette ser vi på som et resultat av skolepolitikken vår de siste årene, og vi satser knallhardt på basisfagene. I Oslo har vi satset hardt på kartlegging og har full åpenhet om hvordan skolene presterer. Vi greier å løfte elevene som sliter mest, og samtidig utfordre de flinkeste, noe som er viktig i en by med en så sammensatt elevflokk som vår, hvor fire av ti elever har minoritetsbakgrunn. Forskere som har fulgt utviklingen i norsk skole tett, mener at nasjonen har mye å lære av Oslo-skolen. I Oslo er det kun 8 pst. av elevene som tilhører de med svakest faglig nivå, mot 20 pst. på landsbasis. I tillegg vet vi at barn med lavt utdannede foreldre gjør det bedre i Oslo enn i landet for øvrig. Det viser at Høyres skolepolitikk, slik den praktiseres i Oslo, ikke men også bidrar til å skape sosial mobilitet, og det er svært viktig. I et tidligere innlegg mente representanten Wickholm at vi i Fremskrittspartiet pratet flinke elever ned det etter at jeg hadde brukt 5-6 minutter av mitt innlegg på å snakke om viktigheten av nettopp å få talentene i skolene opp, og hvor viktig det er å få disse fram. At han så klarer å trekke den konklusjonen at vi i Fremskrittspartiet snakker ned de smarte hodene, det må jeg si er litt imponerende! imponerende! Flere representanter fra Arbeiderpartiet har gjentatt messinga som tydeligvis er indoktrinert gjennom de siste årene, nemlig at Fremskrittspartiet vil privatisere, privatisere, privatisere skolesektoren. Det er ikke det det er snakk om. Representanter fra Arbeiderpartiet vet like godt som oss i Fremskrittspartiet og i forhold til finansiering av private skoler, som i dag ikke er likestilt, tvinger man de private skolene til faktisk å ta skolepenger, slik at vi får den privatiseringen som vi ser i dag, der lommeboka faktisk avgjør – i motsetning til et system slik Fremskrittspartiet ønsker, med likestilt finansiering. For øvrig syns jeg det For øvrig syns jeg det er et veldig positivt tegn at de Ruiter – når han skal prøve å underbygge sin påstand om at Fremskrittspartiet alltid snakker negativt om skolen – må gå nesten tre år tilbake i tid for å finne en finner jeg positivt. Jeg må også få lov til å påpeke at representanten de Ruiter også sa at vi måtte bort fra all testinga og prøvinga og det testregimet som var i skolen, hvor grusomt dette var og at det måtte vekk – samtidig som jeg registrerer at hans egen regjering bruker resultatene fra disse testene for alt de er verdt som politisk skyts og ammunisjon i skolekampen nå som resultatene fra PISA-undersøkelsen hadde gått opp. Samtidig pekte representanten Wickholm i sitt innlegg på at Fremskrittspartiet ønsker en annen type finansiering når det gjelder støtte til opplæring for samiske og finske elever. Ja, vi legger opp til at dette skal være kommunens ansvar – nøyaktig det samme som dere har gjort i forhold til finansieringsansvaret når det gjelder de elevene som har dysleksi og ekstra lese- og skrivevansker. Det er det helt greit for regjeringspartiene å gjøre i budsjettet, nemlig å overføre finansieringsansvaret for dem med dysleksi til kommunene. Men samtidig står dere og kritiserer Fremskrittspartiet for å ha den samme typen finansieringsstruktur for finsk og samisk opplæring. Representantene bes om å rette sin tale til presidenten og ikke direkte til andre representanter, og også være forsiktige med å bruke begreper som «politisk skyts» osv. Dagrun Eriksen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når det gjelder økning i budsjettet, er budsjettene som leveres, alltid høyere enn året før. Men jeg skal ikke bruke mer tid på det. Jeg hadde en drøm om at skulle komme opp i hvert fall én gang før Kristelig Folkeparti tok det opp. Det har vært min eneste store drøm i dag, og jeg har sittet og ventet på det. Vi har fått en bra formålsparagraf, den er sterkt forankret i Stortinget, men den er ikke så godt forankret ute i skolene. Jeg vil utfordre statsråden til å jobbe med hvordan formålsparagrafen kan bli et styringsverktøy ute i skolen, både de verdiene som paragrafen omtaler – som er veldig bra – hjem–skole-samarbeidet og hele samfunnsoppdraget. Det tror jeg kanskje hadde vært med på å sette dette inn i et mer formalisert samarbeid. Underfinansieringen av FUG, som er et av de sterkeste verktøyene for å få til et godt

Jeg kommer riktignok etter Kristelig Folkeparti, men jeg skal snakke om hjem–skole-samarbeid i starten av mitt innlegg og først gi honnør til representanten Eriksen for å ta opp det viktige temaet. Det er også et tema som Senterpartiet er veldig opptatt av. Ikke minst når det gjelder den pågående Ny GIV-satsingen som regjeringa viderefører og styrker fra neste år, mener vi at

og videregående. Jeg tror kanskje det er noe av nøkkelen. Som jeg også delvis var inne på i mitt innlegg, er det ikke slik at elever faller fra når de begynner på videregående – kimen til frafall ligger tidligere i utdanningsløpet. Jeg har lyst til å trekke fram mitt eget fylke, Oppland, som hvert år utarbeider en forbilledlig melding som heter «Melding om kvalitet og aktivitet» i videregående opplæring, som jeg vil anbefale statsråden å lese. Der er også antallet elever, eller andelen av årskullet, som enten ikke har søkt eller ikke har takket ja til plass på videregående opplæring, trukket fram. Det er en ganske skremmende høy prosentandel av det årskullet som allerede der forsvinner og blir en del av frafallsstatistikken. Så vil det selvsagt være slik at en del av de elevene begynner på videregående men viktigheten av å satse på koblingen mellom ungdomsskole og videregående er for meg, med bakgrunn i de tallene jeg ser bl.a. i eget fylke, helt avgjørende for å lykkes med å øke gjennomstrømmingen i videregående. Så til Høyre: Representanten Aspaker kunne berolige meg med at det var regionale utviklingsmidler som ble kuttet og ikke satsingen på videregående skoler. Vel, jeg er ikke veldig beroliget, for satsing på kompetansebygging i hele landet er utrolig viktig, og de regionale utviklingsmidlene er ofte koblet mot nettopp å øke utdanningsnivået. Da hjelper det ikke at Høyre kutter dem, ei heller at de er imot regionale forskningsfond. Til slutt: Det forundrer meg at et parti som snakker så Det forundrer meg at et parti som snakker så varmt om globalisering, tydeligvis synes det er vanskelig at kommuner lokalt klarer å snakke og samarbeide på tvers av kommunegrenser og finne gode løsninger for skolepolitikk lokalt. Men Høyre lever tydeligvis i en verden der kommunegrenser er mer vanskelige å overkomme enn nasjonale grenser. Freddy de Ruiter

vi heldigvis stoppet. Det som også er et faktum, er at Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre stemte mot den nye privatskoleloven. Heldigvis fikk vi med oss Kristelig Folkeparti på det. I dag er det ikke lommeboken som avgjør om man har muligheten til å gå på privatskole, vi dekker 85 pst., og så er det riktignok en egenandel. Men det som er litt påtagelig her, er at Fremskrittspartiet ønsker statlig finansieringsandel på 100 pst. I tillegg sier de at de er åpne for skolepenger. Det er i hvert fall sagt fra dem her i salen. Så går vi ikke bort fra testing, men vi tester med fornuft.
Lien har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Også komitélederen, Aasen, sier at Fremskrittspartiet strør pengene rundt seg, og at vi ikke vil si noe om hvordan vi skal organisere UH-sektoren når vi i 2013 tar makten. Jeg er enig i at universitets- og høyskolesektoren fortjener å vite hvordan det blir når vi kommer til makten. Men etterlyser konflikt. Vi er jo i stor grad enige om dette. Fremskrittspartiet og Tord Lien er helhjertede støttespillere for saksarbeidet til regjeringen, men kanskje man kunne hatt et enda større fokus på det. Spør man meg personlig om vi har nok universiteter i Norge, er svaret på det ja. Men i den debatten er det jo andre hensyn å ta. Vi fordeler 320 nye studieplasser til de høyskolene som leverer best på antall primærsøkere og gjennomføringsgrad. Men i den debatten er det jo andre hensyn å ta. Vi fordeler 320 nye studieplasser til de høyskolene som leverer best på antall primærsøkere og gjennomføringsgrad. Så synes jeg denne debatten har blitt litt vel merkelig på slutten. Vi er enige om virkeligheten, vi er i all hovedsak enige om ambisjonene, men vi er litt uenige om virkemidlene. Jeg tror kanskje vi skal være glad for at det er såpass stor grad av enighet som det faktisk er. Trine Skei Grande Skei Grande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har bare lyst til å komme med én merknad om noe som fortviler meg litt med skoledebatten. Vi har mange viktige, store områder som angår mange elever, og som vi diskuterer. Det har vi egentlig gjort i dag. Men så ender det i en sånn skolevalgsversjon som handler om privatskoler, som skolehverdag. Freddy de Ruiter kan bare skremme med skremmebildene sine, men jeg har mye større tro på offentlig skole enn som så. Jeg tror ikke at alle som har lyst til å starte en privat skole, kommer til å få full søkerpott. Jeg tror faktisk ikke de er så gode. Det er denne manglende tilliten til at offentlig skole er så god og kommer til å klare å konkurrere så bra, jeg mener er en grunnleggende mistolking. jeg mener er en grunnleggende mistolking. Jeg har tro på den offentlige skolen. For Venstre kommer alltid den offentlige skolen til å være viktigst. Det er det vi skal diskutere. Det angår 98 pst. av norske elever. La oss nå ikke ende i en debatt der det skal handle om for eller imot privatskoler. Det som kommer til å være et tema framover, er privatskoler. Det som kommer til å være et tema framover, er noe av det som OECD viser når de analyserer resultatene for alle land, nemlig at land som har en betydelig ulikhet som del av sine skolesystemer, lykkes dårligere enn dem som baserer seg på likhet. likhet. I den forbindelse er det veldig interessant å se forskjellen mellom Sveriges utvikling og Norges utvikling. For vi har faktisk klart å snu den trenden som var nedadgående i 2006, fra 2006 til 2009, mens Sverige fortsetter videre nedover, og en meget viktig del av forklaringen i PISA-rapporten på det er den økende ulikheten mellom skoler i Sverige. Jeg synes det er veldig interessant, og det kommer til å prege debatten videre framover. Etter hvert som også høyresiden begynner å sette seg inn i denne rapporten, forventer jeg en betydelig endring blant høyrepartiene når det gjelder privatskoler. Det var jo ikke akkurat med faner og flagg man kjørte friskoleloven i trontaledebatten. Så noen korte merknader. Kristin Vinje var i sitt innlegg

var noe som bare høyresiden sto for. Det var bred politisk enighet i Stortinget om det. Det var noen uenigheter, bl.a. mente SV og Senterpartiet at vi ikke skulle ha et obligatorisk andre fremmedspråk. Det ble ikke gjennomført. Nå vet vi at vi må gjøre noen forandringer i ungdomsskolen som reverserer deler av måten vi tenkte på rundt Kunnskapsløftet, for det blir for akademisk og for lite praktisk. Det dreier seg også om f.eks. matematikk i videregående skole. Når det gjelder nasjonale prøver, mener jeg at rangering av skoleresultater fra nasjonale prøver gir ingen interessant informasjon. Nasjonale prøver gir kommunene og skolene mulighet til å sammenligne seg med et landsgjennomsnitt, men det er det de gir. Oslo har oppnådd en del utover effekten av sosial bakgrunn hos elevene blant majoritetselevene. Når det gjelder minoritetselevene, gjør norskfødte minoritetselever det omtrent som landsgjennomsnittet. Når det gjelder dem som selv har innvandret, gjør de det under landsgjennomsnittet, og det kan være gode grunner til det. Men likevel, hvis vi ser bort fra det, så har Oslo en ekstraeffekt. Jeg tror ikke det først og fremst skyldes rangering og ytterligere testing, jeg tror det skyldes en mulighet for kompetanseoppbygging som Oslo har, og som de skal ha all ære for. Elisabeth Aspaker
ordet til en kort merknad,

som. For øvrig har jeg merket meg at den svenske utdanningsministeren både signaliserer at de er i gang med reformer i svensk skole, og at de har til hensikt å gjøre større endringer i svensk skole for å snu den negative trenden de er inne i. Representanten Wickholm var opptatt av sammenhengen mellom ernæring og læring. Høyre er opptatt av sammenhengen mellom lærer og læring. Det er tungt forskningsmessig dokumentert at det er det som virkelig virker, og da er det der vi må fokusere, og der vi må prioritere pengene våre i

og vi vet noe om privatisering, nemlig at det tiltrekker seg noen elever og ikke alle elever. Ergo ville det ført til sentralisering. Mange fylker ville hatt store problemer med å opprettholde sine offentlige videregående skoler, og det ville ført til større forskjeller mellom skoler. Det er en del av forklaringen på Sveriges utvikling, i motsetning til Norges utvikling. utvikling. Det var også noe av det som var mest omstridt, ikke Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftets innhold. Blant de store, kontroversielle sakene på skoleområdet var privatiseringsdebatten og rangeringsdebatten rundt nasjonale prøver. Vi tok en pause i gjennomføringen av de nasjonale prøvene. Vi gikk i dialog med Skole-Norge, fant tidspunkter og måter å offentliggjøre dette på som har gjort at nasjonale prøver nå brukes som et godt virkemiddel veldig mange steder. mange steder. Mange lærere sier at det er god kvalitet over dem. Men å sammenligne om en skole går opp eller ned en tiendedel, gir ikke noe kunnskap om kvaliteten ved disse skolene, og det tror jeg man etter hvert begynner å få med seg. Og så var det andre konflikter, selvfølgelig, som dreide seg om å flytte forhandlingsansvaret for lærerne – det var en meget stor konflikt. Klassedelingstallet som SV støttet å oppheve, var også en betydelig konflikt. Jeg tror ikke man klarer å få til et skikkelig løft uten samarbeid mellom politiske myndigheter og skolen. For den jobben som gjør at våre læringsresultater nå peker oppover og går framover og ikke videre nedover, sånn som i Sverige, gjøres jo i skolen hver eneste dag av kompetente lærere, av elevene og av foreldre som også må bidra. Derfor mener jeg at vi nå har fått – hva skal man si – en bred enighet om det viktigste. Men det kan altså torpederes i stor grad hvis ikke Høyre og Fremskrittspartiet nå setter seg nøye inn i det som er resultatene fra OECD – altså OECD, det er ikke SVs partiprogram, dette, det er OECD – og for det er meget interessant kunnskap for den videre skoledebatten å finne der. På tampen av debatten har jeg fått en utfordring fra Høyre ved Harberg spesielt, hvor han gir et inntrykk av at det verken er mål eller mening med regjeringens politikk for høyere utdanning og forskning. Da har jeg bare lyst til å si at selvfølgelig er det mål og mening med den, vi har satset mye penger, det er jo også dette budsjettet en del av. Men det vi har som plan, plan, er å styrke kvaliteten, ved å motivere og oppfordre til samarbeid, til arbeidsdeling og til faglig konsentrasjon, det er å utvikle robuste fagmiljøer, det er å forsøke å redusere midlertidighet, og få gode vilkår, både for ansatte og ikke minst for studenter. studenter. Når det gjelder retningen, er det klart at vi må utdanne, forske og drive en kunnskapsutvikling i samsvar med de behovene som samfunnet har, de behovene næringslivet har, og de behovene samfunnslivet har. Men vi må også gi rom til den frie forskningen, både i den egentlige betydningen at forskningen skal være fri for at man også kan ha nysgjerrighetsdrevet forskning – forskning som ikke er bestemt av programmer og bestillinger. Det er retningen. Retningen er at vi trenger kunnskapen, vi trenger kunnskapen til å utvikle samfunnet videre. Som jeg begynte mitt hovedinnlegg med i dag: Vi skal drive fram kunnskapsutviklingen for å løse de globale problemene, for å videreutvikle samfunnet vårt og velferdsstaten vår og for å skape grunnlag for næringsutvikling over hele landet. Da trenger vi utdanning og forskning over hele landet, og da trenger vi at det satses på det. Jeg har lyst til å takke for debatten. Jeg synes det har vært en inspirerende debatt i forhold til dette budsjettet. Jeg tror vi alle sammen kan prise oss lykkelige for at vi bor i et land hvor vi ikke diskuterer budsjetter som er preget av økonomisk krise, men at vi bor i et land hvor vi har gode institusjoner og et godt skolesystem, og at vi ser at vi er på vei i en riktig utvikling når vi skal utvikle kunnskapen for framtiden. Etter å ha lyttet til debatten i hele dag kan jeg ikke la historieforfalskningen fra statsråd Halvorsen stå ubesvart.

Det er å underslå et faktum at Oslo-skolens gode resultater er der på tross av at man har det største innslaget i hele landet av elever med innvandrerbakgrunn. Nå sier ikke jeg at det nødvendigvis er noe negativt i det. Men det er jo klart at det er en utfordring å ha elever i sitt skoleverk som har en noe svakere norskbakgrunn enn andre elever. Det gjelder jo særlig de som har Det gjelder jo særlig de som har kommet til landet, og som ikke er født her. På tross av det gjør Oslo-skolen det bedre. Så jeg er enig i avslutningen, at Oslo-skolen fortjener honnør, men det kunne kanskje vært sagt på en litt tydeligere måte. Punkt 3: Så er det å underslå et faktum at det faktum at Oslo-skolene har vært åpne om resultatene mellom skolene – ikke mellom elevene, men mellom skolene – har gitt et konkurranseelement som har vært stimulerende, bl.a. fordi de skolene som ikke har klart det godt nok, har fått ressurser til å utvikle seg bedre og derfor etter hvert har nådd frem i konkurransen. Så det er et element av konkurranse som er avgjørende for kvalitetsutviklingen i Osloskolen, som SV er imot, men som de ikke har klart å stanse på grunn av lovteksten, og det har bidratt til at Oslo-skolen i dag er en god skole. Det er også en del av virkeligheten og dermed også en del av historien.
statsråd Kristin Halvorsen
historien. Bare et par kommentarer. Hovedpoenget med hensyn til land som har gode resultater når det gjelder skole, og land som har dårligere resultater når det gjelder skole, er ikke om de er kommersielle eller ikke, det er om det er betydelige ulikheter mellom skolene. Jeg har

Så bare to ord om Oslo-skolen: Oslo-skolen får til mye bra. Det er hevet over tvil når man ser på resultatene i Oslo-skolen, at Oslo-skolen får

At det at man offentliggjør og rangerer resultatet av nasjonale prøver mellom skoler, skulle være en viktig drivkraft i den sammenheng, har jeg veldig liten tro på. Hvis du bor i indre by og sjekker resultatene fra Sagene, Grünerløkka og Bjølsen, og det varierer med en tiendedel her og der, gir det veldig lite informasjon. At det jobbes systematisk med lærernes kompetanse, med å fordele ressurser ut fra hva man har av utfordringer, tror jeg er en veldig viktig forklaring. Det er en myte at gode og dårlige skoler i Oslo er avhengig av om de ligger øst eller vest. Vi har masse gode eksempler, ikke minst innenfor videregående, på at skoler i vest har fått dårlige resultater, men kjempet seg opp, og skoler i øst har også kjempet seg opp på listen. Det er et element av konkurranse som bl.a. gir en utfordring til lærerkollegiet, som de tar på alvor. Så er jeg glad for at statsråd Halvorsen nå bekrefter to ting. Det faktum at Oslo-skolen har et meget stort innslag av innføringsklasser, er selvfølgelig en utfordring når det gjelder å oppnå resultater i nasjonale prøver – det må vi alle erkjenne. Antall innvandrerelever som er født i Norge og derfor kan ha noe svakere beherskelse av bl.a. norsk, er også en utfordring, for å si det på den måten. Når det gjelder OECD-resultatene, tror jeg ikke man kan si at det foreligger noen forskning som klart dokumenterer at forskjeller i skolers eierform har noen betydning for hvordan resultatet er på landsbasis. Men forskjell i pedagogisk utforming av skoler kan nok ha betydning. Det Men forskjell i pedagogisk utforming av skoler kan nok ha betydning. Det er klart at det faktum at det er noen ulikheter i pedagogisk innretning mellom skoler i samme land, kan være en stimulans mer enn det er et problem. Forskjellen mellom engelske skoler, altså skoler i Storbritannia, går jo ikke nødvendigvis på eierformen, men det går på tradisjon. går på tradisjon. Pedagogisk ulikhet kan også virke stimulerende – det synes jeg statsråden skulle erkjenne etter hvert. Det som er et viktig poeng i forhold til OECDs vurdering av lands skolesystemer, er at stor ulikhet mellom skoler og differensiering og segregering

Så får vi ta debatten derfra. Jeg aksepterer, og respekterer, selvfølgelig at man har behov for å gå inn i den diskusjonen, men jeg oppfatter at dette er en veldig vesentlig og viktig kunnskap av det som vi må ta med oss når det gjelder hvordan skolen skal utvikles videre framover. For dem som gjør jobben hver eneste dag i Skole-Norge, tror jeg det har en stor verdi at det er bred politisk enighet om de viktigste grepene i skolen.

Sosial bakgrunn har stor betydning, overraskende stor betydning – tror jeg – for mange når det gjelder elevenes resultater i skolen. Sånn er det også i Oslo. Oslo klarer heller ikke å oppheve den sosiale bakgrunnen. Men det er interessant hva man kan klare å få til på en del østkantskoler. At man tenker systematisk på hvordan man f.eks. kan koble forskningsmiljøer, spesiell lærerkompetanse næringsliv til skoler i områder som har spesielle, sosiale utfordringer, uansett, tror jeg er veldig viktig, for det kan bidra til å dra opp interessen, søkningen og variasjonen blant elevmassen når det gjelder skoler. Men at det som liksom skulle være ekstremt avgjørende, er hvordan den ene skolen gjør det liksom skulle være ekstremt avgjørende, er hvordan den ene skolen gjør det i forhold til andre – jeg treffer veldig sjelden lærere som har det som hoveddrivkraft. De er ekstremt opptatt av å nå de beste resultater for sine elever. Jeg tror at den viktigste kvaliteten lærere kan ha, er ambisjoner for elevene sine. Det er kanskje det siste poenget. Det er faktisk ganske mange elever som møtes av for lave ambisjoner ambisjoner på deres vegne, hjemme og på skolen, og alle trenger noe å strekke seg etter. Representanten Per-Kristian Foss har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg er glad for det siste som statsråden sa om Oslo-skolen, at man bruker ressurstildeling for bl.a. å motvirke ulikhet i sosial bakgrunn. Skolen skal bidra til å utjevne det. Alle skal kunne løftes gjennom skolen. Men for å vite

Det ville i så fall være en absurd definisjon av kommersialisering. Da er altså Røde Kors også veldig kommersiell fordi de har evnen til å betale sine ansatte. Så begrepene «kommersielle skoler» og «privatisering» hører ikke hjemme i debatten om skolepolitikk, i hvert fall ikke med de partier som er representert i denne salen.

og at det har vært en problemstilling rundt f.eks. John Bauer-skolene, er jo en kjent sak. Så til nasjonale prøver og rangering. Husk på hva slags klima det var rundt de nasjonale prøvene. På mange skoler var det 20 pst. av elevene som gjennomførte dem, det var svære boikottaksjoner, og det var et enormt spetakkel, for man aksepterte ikke at man aksepterte ikke at man hadde så ensidig fokus på at en tiendedel opp eller ned på en nasjonal prøve skulle si noe om kvaliteten på deres skole. Så tok vi en pause. Vi lagde nye prøver, vi gjennomførte dem på ett tidspunkt, og vi rangerte dem ikke ved offentliggjøringen av dem. Det er riktig at skoler og kommuner har rett til å få vite hva som er resultatene. Det er jo dette som har gjort at nasjonale prøver nå ses på som nyttig av de fleste skoler og av de fleste kommuner. Man kan ikke se bort fra at nettopp det å bruke den slags type testing med vett og forstand, er veldig, veldig avgjørende. Hvis ikke, kommer man veldig fort inn i et system hvor man blir så innrettet på tester – at testene styrer innholdet – at man ikke lenger måler den jobben som ellers

Dette dreier seg om tap ved innløsing av festetomter, tap på grunn av nedregulerte festeavgifter, tap på grunn av for lite oppjusterte festeavgifter, tap på grunn av utsatt oppregulering av festeavgifter i 2009 og 2010, samt framtidige tap på festeavgifter. I proposisjonen foreslås det bevilget 320 mill. kr i kompensasjon til OVF. Her har det dessverre sneket seg inn en teknisk feil i tilrådingen. Bevilgningen under nytt

og Senterpartiet, forutsetter at komitémerknaden skal forstås. Vi har merket oss den gode dialogen som er mellom staten og OVF om de enkelte tapene samt renteberegning av beløpet, og legger til grunn at partene kommer til en minnelig ordning innenfor rimelig tid. Det er ikke naturlig at Stortinget på nåværende tidspunkt legger andre føringer på dette arbeidet. Vi registrerer dessuten at regjeringen har varslet at spørsmålet om størrelsen på som følge av avgiftsjustering og kompensasjon for OVFs samlede tap vil bli vurdert, og at en kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt. Vi behandler jo fire saker under ett, og var for så vidt forberedt på at Marianne Aasen skulle ta for seg den saken som hun er saksordfører for. Men jeg registrerer at hun allerede har omtalt den saken jeg er ordfører for også, så da trenger jeg kanskje ikke gå i dybden igjen om hva denne saken inneholder, det er oppsummert. Det er slik at komiteen er veldig glad for at denne saken nå kommer. Dette har vi etterlyst i

Nå har jo statsråden og jeg hatt en replikkutveksling på dette før i dag, og da ble noe avklart. Jeg er glad for at statsråden bekreftet at det kommer en sak til Stortinget etter jul om det rent lovmessige. Men jeg har en gang til lyst til å påpeke at det er underlig at det skal ta så lang tid å regne ut hva dette koster. Jeg tror det trengs å legges litt trykk på for å få det ferdig. ferdig. Stortinget forventer at man i hvert fall innen behandlingen av revidert budsjett får med resten av dette oppgjøret, slik at vi kan legge denne saken død. Det er også dette komiteen understreker er viktig her, at en blir en enig med Opplysningsvesenets fond – en vil ikke ha flere rettssaker – og at det kommer et oppgjør som fullt ut erstatter det tapet som Opplysningsvesenets fond har hatt.

Regjeringen viste ingen vilje til å lytte til dette, men valgte den harde veien, noe som kostet skattebetalerne dyrt, og medførte store problemer for OVF. I dag er vi glad for at det er et samlet storting som går inn for at tapet skal kompenseres fullt ut, og at det skal skje i dialog med OVF. Det er det vi fra Fremskrittspartiet legger i at det skal foregå en dialog. At den har vært positiv til nå, er vi selvsagt glad for. Men det som er litt ekstra synd, er at regjeringspartiene valgte å bringe denne saken gjennom to rettsinstanser før de innså at slaget var tapt. Fremskrittspartiet forventer og stoler på at tapet blir erstattet hurtigst mulig, at en møter hverandre med et åpent sinn og søker å få en god dialog, slik at vi får en hurtig avgjørelse når det gjelder tilbakebetaling, for å unngå flere rettssaker, noe også saksordføreren

ble satt til side da dommen i Høyesterett falt. Jeg ble litt usikker da jeg hørte Marianne Aasens innlegg, så jeg har behov for å lese opp det vi faktisk er enige om: «Komiteen viser til at det er viktig å oppnå enighet med Opplysningsvesenets fond om størrelsen på tapet som skal erstattes, for å unngå en situasjon hvor nytt søksmål om disse forholdene blir aktuell. Komiteen legger til grunn at staten hurtigst mulig og fullt ut kompenserer Opplysningsvesenets fond de påførte tap som følge av instruksen.» Det er ikke mye tolkningsmonn i dette. Det er dette vi er sammen om. Jeg er glad for at hele komiteen står sammen her. Så tror jeg at behandlingen av OVF og dommen som falt i Høyesterett, sier noe veldig viktig om hvordan dette fondet ble opprettet, og om hvem det kan bruke penger på. Det tror jeg har vært en nyttig erfaring for hele det politiske miljøet. Dette er et fond som Kirken har råderett over, som de på sin side altså kan disponere ut fra det som fondet skal levere.

For det var ikke få advarsler før regjeringen tabbet seg ut i denne saken, og jeg synes rett og slett de fortjener å høre det. Jeg hadde gleden av å være saksordfører da Stortinget behandlet regjeringens forslag om lov om endring i lov om Opplysningsvesenets fond, slik at den skulle hjemle tomtefesteinstruksen. tomtefesteinstruksen. Stortinget var sterkt splittet, faktisk så splittet som det er mulig for et storting å bli, med hensyn til hvorvidt lovendringen var i strid med Grunnloven § 106 eller ikke. Opposisjonen mente, som kjent, at forslaget var i strid med Grunnloven, mens regjeringspartiene forholdt seg til Justisdepartementets lovavdeling og mente at Grunnloven ikke var til hinder for lovendringen. Også på dette punkt tok Justisdepartementets lovavdeling feil. Høyesterett var i hovedsak enig i opposisjonens betraktninger. Stortinget behandlet saken flere ganger. Det ble også vurdert hvorvidt en skulle be om Høyesteretts uttalelse i forkant av lovbehandlingen, etter Grunnloven § 83. Dette ble latterliggjort av regjeringspartiene fordi det ville inhabilisere Høyesterett, hvilket selvfølgelig er helt feil. Det var representanter fra regjeringspartiene som i debatten sa fra Stortingets talerstol at det spilte jo egentlig ingen rolle, fordi en rettssak ville uansett rette opp Stortingets eventuelle feil. Jeg synes et storting skal være mer bevisst på rammene Grunnloven setter, enn det stortingsflertallet var i denne saken. Som folkevalgte er vi forpliktet til å arbeide for gode og forutsigbare løsninger for folket. Ved å utfordre Grunnloven gang på gang svekker flertallet Stortingets troverdighet i den type spørsmål. Regjeringspartiene har skapt forventninger som de ikke kunne innfri. innfri. Resultatet er nå bl.a. at 1 150 tilfeldig utvalgte nordmenn har vunnet i en slags statlig lotto. De har fått skattefinansiert rabatt på tomtekjøpene sine. Det er det denne saken egentlig dreier seg om, finansiering av den skattefinansierte rabatten. Regjeringens politikk har ført til alvorlig forskjellsbehandling av borgere med likt utgangspunkt. Regjeringen har vist at den ikke klarer å forholde seg til de rammene Grunnloven setter, og det har skapt vanskeligheter for Opplysningsvesenets fond og for Kirken. Justisminister, og jurist, Knut Storberget er en av dem som har kjempet hardest for å innføre tomtefesteinstruksen for Opplysningsvesenets fond – og han har tatt fullstendig feil. Denne saken er så alvorlig at det fra enkelte hold i media har vært hevdet at det kan foreligge grunnlag for riksrettssak mot ansvarlig Det kan fortsatt bli aktuelt, for brudd på ansvarlighetsloven har jo lang foreldelsesfrist. Den grenseløse arrogansen som regjeringspartiene har vist under Stortingets mange behandlinger av denne saken, er det altså ikke grunnlag for. Jeg husker bl.a. at en representant fra Arbeiderpartiet, Gorm Kjernli, nærmest latterliggjorde Fremskrittspartiet og opposisjonens skråsikkerhet i saken. Sjelden har ordtaket «den som ler sist, ler best» hatt større relevans i en lovsak, tror jeg. jeg. Jeg håper saken kan bidra til en viss ydmykhet fra regjeringspartienes side. Kanskje kan det også hende at de utvikler en evne til å lytte til andre enn seg selv i saker hvor grunnlovsspørsmål blir satt på spissen. Jeg er nå glad for at kirkeministeren endelig kan få lagt frem en proposisjon om kompensasjon til Opplysningsvesenets fond, og jeg er fornøyd med at en enstemmig komité forutsetter enighet med Opplysningsvesenets fond om totaliteten i erstatningsberegningen, slik at en ikke risikerer en ny, flau rettssak. Alt dette kunne vært unngått om regjeringspartiene hadde lyttet noe mer til opposisjonen. Jeg legger til grunn at komitélederens redegjørelse eller tolkning av den enstemmige komitémerknaden ikke går ut over det som er ordlyden i komitémerknaden, men at det faktisk er det som står i innstillingen, som er komiteens faktiske holdning. Det

saker og et forlik rundt tomtefeste i stort, så det er delvis å rette baker for smed, det Anundsen nå gjør. Det er i aller høyeste grad Fremskrittspartiet som er nødt til å bære en stor del av ansvaret for alle de rundene som vi har vært igjennom om tomtefeste. Dette må bero på en alvorlig misforståelse. Dette handler altså om hvorvidt den statlige tomtefesteinstruksen skal gjøres gjeldende for Opplysningsvesenets fond, som har et eget grunnlovsvern i Grunnloven § 106. Det dreier seg altså ikke om tomtefesteloven og tomtefestelovens generelle bestemmelser, men om innfrielsesbestemmelser og leiebetingelser som er gunstigere enn det som følger av tomtefesteloven. Opplysningsvesenets fond skal selvfølgelig, som alle andre, forholde seg til tomtefesteloven. Det denne saken dreier seg om, er en instruks som ville gitt gunstigere betingelser enn det tomtefesteloven legger opp til. Et lite øyeblikk, så skal representanten Ola Borten Moe få ordet til ny replikk. Vi jobber med å få anlegget til å snakke med oss. Takk, jeg skal ikke trekke ut dette. Det er jeg selvsagt klar over, men disse to sakene henger i aller høyeste grad sammen – og det kan jo og det kan jo representant Anundsen innrømme. Jeg må fortsatt si at jeg tror dette må bero på en misforståelse, for disse sakene henger i grunnen ikke sammen. Dette handler altså ikke om tomtefesteloven eller tomtefeste generelt. Dette handler om særskilte bestemmelser i forhold til Opplysningsvesenets fond, og vi har behandlet dette i Stortinget svært mange ganger. Tomtefesteloven ligger jo til grunn for alle fester som vanlig, men regjeringen – representanten Borten Moe er jo en del av det parlamentariske grunnlaget for regjeringen – har altså gått inn for å gå ut over de premissene som ligger i tomtefesteloven. Og det har vist seg å være grunnlovsstridig hva gjelder tomtefeste i forhold til Opplysningsvesenets fond. Replikkordskiftet er omme. Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på å kommentere sakens forhistorie. Det er flere i denne salen som kjenner den

jeg tatt til etterretning, og jeg er glad for at det er oppslutning om at vi gjennomfører bevilgningen på 320 mill. kr til Opplysningsvesenets fond nå. Jeg har behov for noen få kommentarer i forhold til tempoet. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg tidligere i dag, er dette en ganske komplisert sak å gå igjennom. Det er 1 150 tomtefester som er avviklet i denne perioden. Vi har gått grundig igjennom hver enkelt sak, funnet datoer for når innbetalinger er gjort for å kunne gjøre riktige renteberegninger, og vi har selvsagt også måttet sjekke nøye at vi ikke har fått med flere tomter flere ganger. Nå er det flere tusen festeavgifter som må gås igjennom på samme måte, så det har vært et omfattende arbeid. Men jeg kan forsikre om at vi har hatt et godt samarbeid med Opplysningsvesenets fond. Vi har hatt mye arbeid med dette, og vi skal som sagt legge fram en sak for Stortinget i forbindelse med at vi legger fram en ny gravferdslov. Der opphever vi

Inntil nylig har vilkårene for skattebetalereide institusjoner for å delta i disse utviklingsprosjektene vært dårlige. Dagens vedtak er et viktig skritt i riktig retning. Jeg finner bare grunn til å minne om nok en gang – vi har hatt den anekdoten oppe flere ganger nå – at vi kanskje er i ferd med å vinne en etappe. Vi er ikke i mål ennå, men vi håper at regjeringen og stortingsflertallet ved en senere anledning kommer tilbake med fullfinansiering av dette viktige prosjektet for Norge og for teknologimiljøene rundt omkring, også i Europa. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 2–5. Denne saken er jo litt spesiell. Det er mange av sakene som kommer fra kontrollkomiteen, fordi kontrollkomiteen har andre oppgaver i

litt spesiell. Det er mange av sakene som kommer fra kontrollkomiteen, fordi kontrollkomiteen har andre oppgaver i Stortinget enn de øvrige komiteer. Utover å behandle grunnlovsforslag og innstillinger og dokumenter fra Riksrevisjonen er det i stor grad opp til komiteen selv å velge i hvilke saker man vil reise kontrollsaker vis-à-vis regjeringen. Dette dreier seg om en kontrollsak vis-à-vis to regjeringsmedlemmer. Det er en delt innstilling, som stort sett følger mønsteret opposisjonen kontra regjeringspartiene. Jeg skal starte med å kommentere – fordi det er ganske grunnleggende – det som er regjeringspartienes syn, nemlig at saken ikke burde ha vært behandlet verken i kontrollkomiteen eller i Stortinget, naturlig nok. Det henger jo sammen. Det er jeg uenig i, for hvis kontrollfunksjonen skal ha noen mening, må det være anledning til å ta opp saker der bryter den lov de har satt for seg selv, om partifinansiering. Det er en veldig spesiell lovgivning, fordi den gjelder veldig få. Altså: Aktørene er ikke mange – det er antall politiske partier i landet. Så kan man jo si at indirekte er det jo de som er omfattet av loven – altså bidragsyterne – men det er i første rekke partiene det gjelder. Loven er fersk, og det er første gang vi ser et eksempel på at et politisk parti med åpne øyne, får vi si, har brutt loven – det har ikke vært noe hemmelighetskremmeri om dette, i alle fall ikke før saken ble offentliggjort, delvis via pressen.

Så det er klart at det også vil kunne herske tvil eller uenighet om det faglige råd som gis, men under alle omstendigheter er det den enkelte statsråd selv som har ansvaret for å erklære seg habil eller inhabil. Det er til syvende og sist mer enn et spørsmål om juridisk fortolkning. Som et siste moment må jeg også si at dette brudd på partistøtteloven er i alle fall såpass alvorlig at jeg ser at regjeringen har sett behov for å stramme loven inn. I et høringsutkast som er sendt ut, foreslår man nå innstramminger i loven, hva gjelder i alle fall bl.a. muligheten for å sanksjonere partier som bryter loven. Jeg vil legge til for egen regning, at det skulle sannelig bare mangle, etter at man har sett denne saken! Saken dreier seg om et bidrag på flere hundre tusen som man har beholdt i ett år og fått verdien av, og som man så har levert tilbake – og latt som ingenting, dvs. at man har sagt: Da må det være over, vi har sagt unnskyld – det var feil. Men så lett kan ikke et parti opptre i forhold til loven, etter vårt syn. Derfor mener jeg at det er all grunn til at saken bringes inn for Stortinget, med det alvor som ligger i bl.a. en åpen høring, komitébehandling og stortingsbehandling. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, med delvis tilslutning av Kristelig Folkeparti, sier bl.a. at de ser at det faktum at det ble gitt partistøtte, rett og slett hadde utgangspunkt i Senterpartiets behov for valgkampmidler. De betegner det som innstillingen omtaler som «fornybarprosjektet», altså et bidrag til et politisk prosjekt som Senterpartiet hadde satt i gang, som at det var mer et påskudd var mer et påskudd enn den reelle årsak til at prosessen ble satt i gang. Man peker fra regjeringspartiene på at det ble satt i gang av folk utenfor partiet. Det er bare delvis riktig. De fleste som sto bak dette initiativet, hadde eller hadde hatt tilknytning til Senterpartiet. Som en ytterligere dokumentasjon på at det rett og slett var dårlig økonomi og behov for valgkampmidler, viser jeg til den 8. desember 2008 sendte ut, og som ble offentlig som en del av høringen, hvor det står følgende: «Jeg jobber med å finansiere valgkampen. Det er helt håpløst for oss hvis vi ikke får inn litt penger til.» Så hvis ikke det skal være uttrykk for at man trenger penger til valgkampen, vet ikke jeg! Så kan man si at det er jo ikke så farlig i og for seg om det var valgkampstøtte, eller om det var bidrag til et prosjekt som Senterpartiet skulle stå alene om, altså å fokusere på behovet for fornybar energi, for uansett var bidragene fra de to nevnte selskaper – altså offentlig eide selskaper – Eidsiva Energi og Troms Kraft, ulovlige, enten de skulle gå til et prosjekt i regi av et parti eller til valgkampstøtte. Men det gjør det ikke noe bedre. Begge deler er i tilfelle lovbrudd. Det er også lovbrudd når man mottar gratis tjenester i form av materiell, videoer, filmer, brosjyrer som er et ledd i det samme prosjektet, betalt av selskaper som ikke har lov til å gi. Så sier man som en unnskyldning fra regjeringspartiene at dette materiellet kunne også brukes av andre. Men under høringen ble det spørsmålet reist, og Senterpartiets leder var ikke i stand til å vise til at det var tilbudt andre partier. Andre partier har, så vidt jeg kjenner til, heller ikke sagt at de har kjent til det, så dette var en godt bevart hemmelighet i Senterpartiet. Det har jeg ikke noe imot – hemmeligheter innenfor men det er finansieringen som er problemet, og partiloven er klar på at også den type tjenester skal oppgis. Senterpartiet oppga det ikke! Det andre spørsmålet man, som sagt, behandler i innstillingen, er spørsmålet om habilitet. Jeg legger til grunn uttalelsen som Lovavdelingen gir, at basert på de opplysninger som ble gitt Lovavdelingen, forelå ikke habilitet verken for statsråd Riis-Johansen eller for statsråd Navarsete i denne saken. Det er imidlertid basert på at opplysningene som ble gitt overfor Lovavdelingen, er den hele og fulle sannhet. Det har komiteen i høringen gått noe inn på, og veldig mye faller selvfølgelig på de forklaringene som er gitt av statsrådene selv. Jeg kan ikke underslå at i alle fall opposisjonens partier i komiteen synes det er noe underlig at et så omfattende prosjekt som statsråd og partileder Navarsete understreket sto sentralt i Senterpartiets valgkamp, var ukjent for fagministeren på området, altså olje- og energiministeren. Men det må man da legge til grunn, for det sier statsråden. Hans statssekretærer sier at de e-poster som ble sendt til departementet, leste man ikke i sin helhet. Hadde man lest dem i sin helhet, hadde man visst hvem som var bidragsytere. Vel, vi får legge til grunn at det var ukjent. Men det som

Bakgrunnen for dette er todelt. Det ene er at en partileder og statsråd sitter med opplysninger som hun burde vite kunne føre til inhabilitet for andre regjeringsmedlemmer, uten å bringe disse opplysningene videre. Men en skal jo ikke ha lang politisk erfaring for å anta at en olje- og energiminister kan få klagesaker som gjelder kraftselskaper, på sitt bord. Det er faktisk det som er regelen – at NVE foretar første avgjørelse i første instans, og at departementet deretter er klagesaksbehandler. Det er mange slike saker på en olje- og energiministers bord. Så kan man selvfølgelig si: Hadde statsråden vært inhabil hvis han hadde visst om at selskaper han behandlet, var avgjørende bidragsytere til

den sterke kritikken som rettes. Til slutt, la meg bare kommentere én bemerkning i regjeringspartienes innstilling: I innstillingen på side 7, annen spalte, sier representantene for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, de «støtter Senterpartiet beslutning om ikke å offentliggjøre partiinterne dokumenter uten relevans for Stortingets kontrollfunksjon». Det dreier seg, bare som bakgrunn, om et notat som kunne ha underbygget, eller dokumentert, at statsråd Navarsetes opplysninger om når hun ble kjent med hvem som var bidragsytere, var riktige altså: «kunne ha». Jeg er uenig i det som står her, fordi jeg mener at det har betydning for Stortingets kontrollfunksjon at en statsråd kan underbygge sin påstand med dokumentasjon. Det er det ene. Det andre er at denne formuleringen baserer seg på en misforståelse. Slike dokumenter kan godt leveres Stortinget uten at de er offentlige. Stortinget har adgang til og får jevnlig, eller iallfall ofte, dokumenter som ikke er offentlige, og behandler dem deretter. Det har ikke minst hendt i kontrollkomiteens virkeår, både i dette og i forrige århundre. Så denne formuleringen håper jeg at representanter for regjeringspartiene kommenterer, for hvis man lider av den oppfatning at Stortingets kontrollfunksjon ikke kan få kjennskap til interne dokumenter og holde dem interne, ja, da svekker man i betydelig grad kontrollfunksjonen. Og så helt til slutt vil jeg bare si at det var jo ikke slik at dette prinsippet sto veldig lenge fast i Senterpartiet. Etter at dette ble sagt under høringen – altså at man ikke ville utlevere et dokument, fordi det var partiinternt – så sendte partiet selv ut et internt dokument som var et følgebrev til en faktura, for å sannsynliggjøre at man selv

Det framgår jo veldig tydelig av innstillingen at også regjeringspartienes representanter i komiteen er enig i den kritikken som framkommer, knyttet til bruddet på partiloven, som representanten Foss brukte mye tid på. I så måte er vi like tydelige som opposisjonen. Det som er den store uenigheten, handler jo om habilitet og embetsførsel. Det er i det arbeidet som er gjort i komiteen, i innstillingen, eller i det vi nå hørte fra representanten Foss, som er saksordfører, som dokumenterer grunnlaget for den kritikken som opposisjonen kommer med. Derfor er posisjonspartiene veldig uenig i det, nærmest fra begynnelse til slutt. Det som er utfordringen, er å spørre representanten Foss om hvilke konkrete anførsler han har for at han skal rettferdiggjøre en så sterk kritikk som han har framført også i dette innlegget. Følgende faktorer – for det første: en partileder og statsråd som ikke kan loven om partifinansiering, og tilbakeholder opplysninger om dette helt inntil saken offentliggjøres. Da tilbakebetales pengene, altså når Statistisk sentralbyrå offentliggjør forsøket på å tildekke det faktum at det var reelle partibidrag, og ikke var noe prosjektstøtte. Jeg synes det er godt dokumentert gjennom høringen at det var ønsket om bidrag i en valgkamp som var beveggrunnen, og ikke ønsket om å lage utredninger om fornybar energi. Så vidt jeg vet, har Senterpartiet laget mange slike utredninger. Det er et av de temaer som Senterpartiet kan godt, og selv har fokusert på, så behovet for ytterligere utredning om dette midt i en valgkamp synes jeg er dårlig dokumentert. Som et siste moment: Ikke minst statsråd Navarsetes tilbakeholdelse av opplysninger om disse bidragene har bidratt til at offentligheten har satt spørsmålstegn ved om statsrådene var påvirket av det i sin embetsførsel. Og det er i seg selv kritikkverdig.

Kan saksordføreren nå si til Stortinget at han har dokumentasjon som er av konkret karakter, som er slik at man kan si at det er grunnlag for en kritikk når det gjelder habilitet og embetsførsel? Det er det spørsmålet gjelder. Jeg gjentar det, og du får en ny sjanse til å svare på det. Ja, jeg mener at statsrådens holdning til habilitet er dokumentert ved at man ikke selv har foretatt en tilstrekkelig vurdering av den uttalelse som forelå fra Justisdepartementets lovavdeling. Vi har eksempler på at Lovavdelingen har sagt at jo, her er det ikke grunn til å være inhabil, men statsråden har allikevel gjort det for å sikre seg trygghet og uavhengighet i forhold til avgjørelsen. Slik har ikke embetsførselen vært i denne saken. Og punkt to: Ja, det å tilbakeholde opplysninger, sitte med kunnskap om at man f.eks. i underutvalget er med på å utnevne folk som sitter sentralt hos bidragsyterne, er et eksempel på embetsførsel som jeg synes er kritikkverdig politisk sett. Jeg har lyst til gjennom presidenten å spørre representanten Foss om han føler seg bekvem med å bygge sin politiske argumentasjon på en mistenkeliggjøring som han faktisk ikke greier å dokumentere. Det har de ikke gjort i innstillingsarbeidet. Det er heller ikke kommet fram noe nytt gjennom høringen, ikke gjennom innstillingen, og altså heller ikke nå. Det er det som er mitt anliggende, for det er det som angår Stortinget først og fremst selvfølgelig, nemlig habilitet, embetsførsel og eventuelt gale opplysninger til Stortinget. Ingenting og til sist står vi igjen med en samling av politiske insinuasjoner som er det Foss bygger sitt innlegg og sitt politiske resonnement på. Det mener jeg ikke holder. Men han kan jo igjen bruke et minutt på å svare på dette. Det takker jeg for at jeg får anledning til. Ja, jeg føler meg ytterst bekvem med at saken har fått en offentlig belysning og en parlamentarisk behandling. Jeg tror det har bidratt til at dette ikke skjer en gang til. Jeg tror Senterpartiets leder nå er meget klar over partiloven om hun ikke har vært det tidligere, og det har hun jo ikke vært. Jeg føler meg også bekvem med at sakens offentlighet har fått ganske bred støtte. Jeg har knapt nok sett en eneste avis, eller presseorgan, som har kritisert Stortinget for å ta dette opp, altså at kontrollfunksjonen her skulle gå for langt. Det at representanten Kolberg mener det, er ikke veldig overraskende. Han er satt til å beskytte en regjering. Men de som står litt mer uavhengig, f.eks. presseorganer og media for øvrig, har ikke ytet noe kritikk på at Stortinget har tatt dette på alvor, i det hele tatt. Det underbygger min trygghet. Foss bygger også mange av sine resonnementer på å si at i denne saken er det slik at Lovavdelingens resonnement ikke gjelder fullt ut. Jeg er enig med representanten Foss i at det er ikke slik at Lovavdelingens fortolkning alltid svarer til alle utfordringer knyttet til habilitet for en statsråd. Absolutt ikke. Men det er første gang på veldig lenge at jeg har hørt representanten Foss, med sin parlamentariske erfaring, faktisk prøve å undergrave Lovavdelingens forståelse, som han veldig mange ganger i denne sal har brukt med det helt motsatte fortegn. fortegn. Det bare merker jeg meg, og sier at det selvfølgelig er et uttrykk for at man ikke har noe annet sted å gå for å finne en legitimitet for de standpunktene man har i innstillingen. Til slutt i denne replikken, dette med å holde tilbake informasjon i partiinterne dokumenter. Om det vil jeg si at hvis representanten på vegne av sitt parti nå annonserer en ny praksis når det gjelder partiinterne dokumenter for Høyres vedkommende, noterer jeg meg det.

lovmessige. Under høringen var vel Venstres representant Skei Grande inne på et eksempel på at en statsråd faktisk fikk følgende beskjed fra Lovavdelingen: Du er ikke inhabil i denne saken. Men statsråden sa: For å være sikker vil jeg faktisk være inhabil, for bare det at det har vært reist spørsmål om min habilitet, er så alvorlig at jeg velger å erklære meg inhabil i saken. Det er ikke å avstå fra ansvar,

seg flat, så flat som det var mogleg å leggja seg. Pengane blei betalte tilbake. Det var ingen inhabilitet. Likevel skal Stortinget bruka tid på dette sirkuset, som har vore i regi av bl.a. representanten Foss. Mitt spørsmål er: I etterkant av dette, meiner representanten at det er riktig bruk av nasjonalforsamlinga å driva kurs for

den store befolkning, at når partier vedtar lover for seg selv, så skal de også gjelde. Det er riktig at statsråd Navarsete nok har lagt seg flat i pressen ved en rekke anledninger, men jeg tar fortsatt Stortingets kontrollfunksjon såpass på alvor at jeg mener at presseoppmerksomhet i seg selv ikke overflødiggjør en parlamentarisk kontrollbehandling i tillegg. I gamle dager var SV veldig opptatt av Stortingets kontrollfunksjon. De siste fem årene har det vært litt mindre opptatthet av det. Det kan vel ikke være helt tilfeldig. Presidenten vil be om at begrepet «å legge seg flat», særlig brukt om andre representanter og statsråder, bør man prøve å unngå. Det er Presidenten vil be om at begrepet «å legge seg flat», særlig brukt om andre representanter og statsråder, bør man prøve å unngå. Det er vanskelig når man blir spurt om det. Jeg mente begge representantene. Jeg har lyst til å anføre at representanten Foss snakket mye om at kontrollkomiteen håndterer

Jeg vil hevde at det er habilitetsvurderinger som er denne salen vedkommende. Har statsrådene vært habile? Har de gjort embetsførselen sin skikkelig? Hva som skjer internt i partiene, hva som skjer i forhold til partilederne, har i utgangspunktet denne salen ingenting med. Så aller først tenkte jeg bare å spørre om Foss var enig med meg i en sånn

en statsråd er statsråd fra 9 til 16 og så partileder fra kl. 16 og utover kvelden og natten, og at det siste har vi ikke noe med. Det tror jeg nok er en betraktning som i alle fall ikke hører hjemme i en moderne oppfatning av Stortinget og Stortingets kontrollfunksjon, så lenge partilederen er medlem av regjeringen, Kongens råd.

tvil. Spørsmålet blir da egentlig: Hva har man tilført av merverdi til denne debatten gjennom den omfattende prosessen som Foss har sørget for at har gått i kontrollkomiteen og endelig i salen nå i kveld? Bare to kommentarer: Det er nok massevis av eksempler i historien på at partiledere som ikke har vært medlem av parlamentet, Stortinget, har vært utsatt for kritikk. Jeg har nesten ikke enten det var partileder Erling Norvik i sin tid, eller det var Reiulf Steen, eller liknende. De har vært sitert og utsatt for kommentarer og kritikk fra talerstolen – ikke som kontrollsaker, men Stortinget står fritt til å kommentere hva de vil innenfor det politiske liv. Så til habiliteten: Det er jo slik at parlamentet, Stortinget, må kunne ha en oppfatning av en statsråds håndtering av sin habilitet/inhabilitet uavhengig av Lovavdelingens vurdering. Lovavdelingens vurdering er et råd. Det er statsråden som står ansvarlig for avgjørelsen og sier at jeg vil, på bakgrunn av det rådet jeg har fått, erklære meg habil eller inhabil. Det er statsrådens avgjørelse, og så lenge det er en statsråds avgjørelse, vedrører det Stortinget. La oss dvele lite grann ved spørsmålet habilitet og Lovavdelingen, for Lovavdelingen trekkes jo i tvil. Man trekker fram en del jurister som har nevnt noe annet. Man vil jo alltid klare å finne jurister som mener noe annet enn andre jurister. Man går langt i å si at hadde man visst, så hadde man vært inhabil. Er det en definisjon som representanten Foss står hardt på? Nå hadde jeg litt problemer med å skjønne spørsmålet. Er det en definisjon? Vel, det gis ikke noen definisjon, men representanter for opposisjonspartiene sier i innstillingen at ja, en statsråd som behandler saker som gjelder selskaper som har vært aktive bidragsytere, vil kunne være inhabil – ja, med stor sannsynlighet. Men det er som jeg sa i mitt innlegg: Det vil bli en hypotetisk vurdering, for det kommer an på sakens natur, osv. Men her har det altså vært et – eller for å si det på en annen måte: Grunnen til at dette er forbudt, det er jo en grunn til det, er at selskaper som er under offentlig eie, meget lett kan komme på en statsråds bord, ikke som en av mange saker, altså ikke som et gårdsbruk av 20 000 gårdsbruk, men som én enkeltsak som vedrører bare det og derfor er det inhabilitet i forhold til disse sakene, som det er særlig viktig å være aktpågivende overfor. Det interessante spørsmålet blir jo da om man trekker grensen ved selskap som er offentlig eid, eller om dette også gjelder alle selskaper og alle bidragsytere. Gjelder det alle selskaper og alle bidragsytere, gir jo det noen interessante komplikasjoner i forhold til en eventuell senere regjeringsdeltakelse med partiet Høyre. Men det skal jeg komme tilbake til. Jeg har imidlertid bare et siste spørsmål, det går på at man i innstillingen fra komiteen går veldig langt i å insinuere at man egentlig ikke tror på de forklaringene som blir gitt. Man legger til grunn at man ikke tror på det som våre statsråder og min partileder svarer på spørsmål fra representanten Foss, bl.a. Da blir mitt enkle spørsmål: Tror Foss at Senterpartiet var klar over at dette var ulovlig partistøtte da man mottok den? For det første: I innstillingen omtaler man bare selskaper som er offentlig eid, og derfor er det helt umulig for representanten Borten Moe, selv om han aldri så mye vil det, å snakke om noe annet. Det er kun offentlig eide selskaper som omtales i innstillingen. Inhabilitet eller habilitet i forhold til andre bidragsytere som altså har lov til å gi, er ikke omtalt i innstillingen og er derfor ikke tema for debatten. Til det siste spørsmålet legger jeg forklaringene til grunn. Men jeg tillot meg å gi uttrykk for undring til grunn. Men jeg tillot meg å gi uttrykk for undring – og det er jeg ikke alene om i innstillingen – over at olje- og energiministeren var ukjent med et prosjekt som sto såpass sentralt i partiets valgkamp som fornybar energi. Replikkordskiftet er

Jeg skal straks gå inn i sakens kjerne: spørsmålet om statsrådene Navarsete og Riis-Johansens forhold til inhabilitet eller habilitet i forbindelse med pengegavene til Senterpartiet. Men jeg vil først komme med noen overordnede betraktninger. Norsk politikk er preget av kompromiss og samarbeid. Det er vår kultur og vår historie som legger til rette for det. Men noen ganger er politikken hard. Den er fylt av strid og preget av uforsonlighet – av og til fordi mye står på spill, andre ganger fordi interessemotsetningene ikke kan opphøyes og løses i form av kompromiss. Denne saken og komiteens innstilling har et slikt preg. Regjeringspartiene er rett og slett uenig med opposisjonen nær sagt fra begynnelse til slutt. La meg for øvrig presisere at når jeg i denne sammenheng snakker om opposisjonen, innbefatter ikke det Kristelig Folkeparti. Det er stor forskjell på den tilnærmingen som Kristelig Folkeparti har hatt i denne saken, og den fra den øvrige opposisjonen. Nå mener vi selvsagt at opposisjonen konstitusjonelt sett har det vi kan kalle for angrepets rett. På samme tid står vi i stortingsflertallet støtt når vi for vår del påberoper oss forsvarets rett. Våre merknader i innstillingen speiler denne retten. Vi presenterer et politisk forsvar av de aktuelle statsrådene fra Senterpartiet, men merknadene våre er mer enn et pliktskyldig forsvar. Vi mener at komiteens behandling har gitt oss rett. Dette har blitt en overdrevet sak – ja, mye kritikk og mistenkeliggjøring som i ettertid viser seg å savne saklig grunnlag. Ikke på noe punkt, med ett tydelig unntak for brudd på partiloven, viser komiteens behandling at de berørte statsråder har vært inhabile, eller at embetsførselen har vært i strid med konstitusjonell praksis. Sakens kjerne er slik: Senterpartiet har mottatt økonomisk støtte fra to offentlig eide kraftselskaper. Den ble innrapportert som partistøtte, men pengeoverføringene fra Eidsiva Energi og Troms Kraft var i strid med lov om visse forhold vedrørende de politiske partier – altså det som kalles for partiloven. Det er, som saksordføreren sa, selvsagt ikke Kritikken må rettes både til Senterpartiet og til de aktuelle selskapene. Senterpartiets ledelse har tatt selvkritikk på dette og har betalt tilbake pengene da det ble klart at støtten var lovstridig. Vi er i innstillingen tydelig på at dette lovbruddet er kritikkverdig. Selvsagt er vi det. For loven er ikke bare soleklar på dette punktet, men den er også fornuftig og innlysende. Det skal ikke være mulig for offentlige selskaper å finansiere politiske partier, og i forlengelsen av dette: Det skal ikke være mulig for politikere å påvirke offentlige selskaper til å mele sin egen kake. Dette handler til syvende og sist om folkestyrets legitimitet. Loven er laget og vedtatt for å hindre korrupsjon på dette punktet, og jeg gir tydelig uttrykk for at jeg håper at vi slipper flere slike saker i norsk politikk. Vi tåler rett og slett ikke flere. En samlet opposisjon mener i innstillingen at Senterpartiets ulovlige partistøtte reiser spørsmålet om sanksjoner skal være utelukket, selv om støtten ble tilbakebetalt. Det er tillagt partilovnemnda å benytte den sanksjonen som innebærer å tilbakeholde statsstøtte. De legger videre til grunn at partilovnemnda bør vurdere disse spørsmålene. Ut fra hva lederen i nemnda selv har uttalt i mediene og det faktum at det nå er sendt ut et høringsnotat om endringer i partiloven, finner jeg det ikke naturlig å komme med en slik henstilling nå fra min side. Det er mer naturlig at vi diskuterer sanksjonsformene på generelt grunnlag når den nye loven kommer til behandling. Men denne delen av saken ligger allikevel bortenfor Stortingets konstitusjonelle kontrolloppgaver. Det viktigste i denne saken har da også vært de mulige konsekvensene denne ulovlige partistøtten har hatt for spesielt statsråd Navarsete og statsråd Riis-Johansens embetsførsel. En statsråd er, både konstitusjonelt, parlamentarisk og politisk, ansvarlig for de beslutninger hun eller han fatter. I beslutningssituasjonen plikter de å være habile. I vår sammenheng har spørsmålet om habilitet både en juridisk og en politisk dimensjon. Vi merker oss at Justis- og politidepartementets lovavdeling har vurdert Navarsetes og Riis-Johansens habilitet som følge av pengestøtten fra Eidsiva Energi og Troms Kraft til Senterpartiet og funnet den juridisk i orden. Det slås fast at de to statsrådene ikke har vært inhabile i de berørte sakene. Lovavdelingen er autonom. Den nyter tverrpolitisk respekt gjennom skiftende tider og bør også i denne saken ha krav på å bli tatt på alvor. Men som vi allerede har hørt i replikkordskiftet, tillater opposisjonen seg plutselig i denne saken å trekke Lovavdelingens autoritet i tvil fordi et par jurister

at opposisjonen trenger den type mistenkeliggjøring også av regjeringens lovavdeling for å kunne dokumentere sine påstander og politiske insinuasjoner. Det er ikke å opptre med alvor og sindighet, vil jeg si. Det er tvert imot å gjøre saken til et I merknadene gjør opposisjonen et poeng av at habiliteten handler om noe mer enn det juridiske. Det er også helt åpenbart korrekt, men i dette tilfellet er ikke det spesielt relevant. Verken korrespondansen mellom komiteen og de aktuelle departementene eller den åpne kontrollhøringen har dokumentert at de aktuelle statsrådene har opptrådt på et vis, gjort vedtak og fattet beslutninger som er i strid med det som kalles riktig og god embetsførsel. Det er ikke engang sannsynliggjort. Tvert imot, og derfor – og bare derfor – har de berørte statsrådene stortingsflertallet og regjeringspartienes fulle tillit. Vi registrerer også at opposisjonen, til tross for sine sterkt kritiske merknader, ikke lar saken munne ut i noen form for ministerstorm. Dette taler også sitt eget språk og er nok en tydelig demonstrasjon på at opposisjonen ikke har hatt noe grunnlag for sin Så til habilitet i forhold til hva vi egentlig spør om i denne saken. Det dreier seg om hvorvidt de økonomiske bidragene fra Eidsiva Energi og Troms Kraft har ført til at saken som vedrører disse selskapene, har blitt behandlet på en upartisk måte, og om de to selskapene har nytt politiske fordeler av sine økonomiske bidrag.

gjør etter mitt syn ikke dette i denne saken. De tre partiene går faktisk så langt at de beskylder – og det hørte vi representanten Foss gjenta her i sitt innlegg og i replikkene – et politisk parti for å ha planlagt ulovligheter. «Med åpne øyne,» Når man sier slikt i Stortingets sal, må man kunne belegge det, rett og slett – for å si det litt folkelig. Det går heller ikke an å lese innstillingen på dette punktet annerledes, når det står at fornybarprosjektet er konstruert for å skaffe penger til Senterpartiets valgkamp. Det er, som jeg har sagt, virkelig å gå langt, all den tid fornybarprosjektet ble initiert av bransjen selv, en bransje som neppe tenkte valgkamp for Senterpartiet, men en god valgkamp for deres sak: fornybar energi. La meg i denne forbindelse minne om et par ting. For det første: Demokratifinansieringsutvalget slo i sin tid fast at partiene må ha adgang til «å inngå mer eller mindre forpliktende politiske avtaler – også med samarbeidsparter som ønsker å bidra med generell økonomisk støtte». Jeg var selv medlem av dette utvalget og fulgte denne diskusjonen nøye. Dette hadde noe med hele det politiske miljøet og forholdet til bidragsytere å gjøre. og forholdet til bidragsytere å gjøre. Det var ikke noe ønske fra utvalget på noe punkt å mistenkeliggjøre at politiske partier mottok støtte, og dermed beskylde dem for å være korrupte, direkte eller indirekte. Utvalget anbefalte imidlertid at partiene skulle avgi en erklæring om at det Paradoksalt nok var det i en slik erklæring eller rapport at det framkom at støtten fra de to selskapene var ulovlig. De færreste planlegger for ulovligheter for i ettertid å rapportere dem til offentligheten. Dette viser tydelig at Senterpartiet ikke planla dette for å få partistøtte. Påstanden om dette er ikke noe annet enn en politisk insinuasjon, uten politisk dokumentasjon, uten faktisk dokumentasjon. Det ble også understreket i den replikkvekslingen vi hadde. Representanten Foss svarte ikke konkret på dette spørsmålet. For det andre er det viktig å merke seg at det kom fram under høringen at saker som behandles av Olje- og energidepartementet innenfor feltet fornybar energi, er så sterkt lovregulert at skjønnsutøvelse fra politisk ledelse så å si nesten er umulig – slik statsråden sa i høringen. Det betyr at statsråd Riis-Johansens mulighet til å påvirke beslutninger til fordel for de to selskapene ikke hadde latt seg gjennomføre selv om han hadde visst og villet det slik. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sier i sine merknader følgende: dersom statsråd Riis-Johansen hadde kjent til at de to kraftselskapene hadde vært bidragsytere til fornybarprosjektet, hadde han trolig vært Trolig vært inhabil – igjen en insinuasjon. De går ikke lenger, for de kan ikke dokumentere det. Det er igjen et eksempel på det som hele innstillingen og representanten Foss’ innlegg dokumenterte. Dette er et politisk uten et konkret politisk dokumentert innhold, for ikke engang her kan de slå fast at det har vært dårlig embetsførsel fra Riis-Johansens side. Igjen demonstreres det at dette egentlig ikke er en sak, men et politisk angrep. La meg bare legge til et punkt vedrørende habilitet i forhold til utnevnelsen av Mørkved Rinnan til styreleder i Avinor, som også Foss var inne på. Mørkved Rinnan ble foreslått av et konsulentselskap som Samferdselsdepartementet hadde engasjert i forbindelse med at Avinor trengte ny styreleder – for øvrig ikke en uvanlig måte å gjøre det på. Det var altså ikke statsråden, ikke engang hennes embetsverk, men et konsulentselskap som først fant Mørkved antakelig fordi han var kvalifisert, ikke minst fordi han hadde vært styremedlem i Oslo Lufthavn Gardermoen og dermed kjente fagområdet. I høringen spurte representanten Foss statsråd Navarsete om navnet til Mørkved Rinnan sto i det dokumentet som var partiinternt. Det bekreftet statsråden. Men det å mistenkeliggjøre det i retning av at dette var koblet opp mot denne utnevnelsen, er igjen en insinuasjon, som jeg mener ikke hører hjemme i stortingssalen. Det er ikke grunnlag for å gjøre en slik kobling, og det kan ikke være slik i et lite politisk miljø som det norske er, at når man vet om et navn, man har hørt om et navn og siden utnevner denne, kan det mistenkeliggjøres. Jeg antar at representanten Foss, som har vært regjeringsmedlem og medlem av Høyre og norsk politikk gjennom mange år, har hørt mange navn og kjenner mange folk, men likevel, selvfølgelig, med full legitimitet har kunnet utnevne folk til forskjellige verv uten at noen i denne sal har ment at dette var en form for urimelig kobling. Jeg sier dette så tydelig, for jeg synes ikke dette kan sies her i Stortinget eller i en stortingsinnstilling uten at man kan dokumentere påstanden mer konkret og mer skikkelig enn det som faktisk er gjort. Det er viktig for meg å presisere at kontroll av makt og kritikk av maktmisbruk er blant Stortingets selvfølgelige kjerneoppgaver, og jeg innser at dette er spesielt viktig i en tid med flertallsregjering. Her har Stortinget et felles ansvar – et ansvar jeg mener posisjonspartiene har vist og tatt i hele denne perioden. Men med ansvar følger også alvor. I dette legger jeg at Stortingets karaktermerke skal være prinsippfast og etterrettelig atferd. I denne saken mener jeg, på bakgrunn av det jeg har sagt, at det kan reises tvil om så har vært Tidvis har det virket som om behovet for å henge ut og tvile på både oppriktige forklaringer og ekte unnskyldninger har tatt overhånd. For vår – flertallets – del har det vært riktig og viktig å påpeke at brudd på partiloven er påvist og innrømmet, men at dette ikke i sin tur har medført kritikkverdig embetsførsel fra de aktuelle statsrådenes side. Dette har komiteen brukt god tid på Intet nytt er kommet fram under komiteens behandling eller under høringen. Nå sier jeg at det er en tid for alt. Nå er tiden kommet for å legge dette bak oss, utvide synsfeltet og ta fatt på nye oppgaver og nye

Så vil jeg si noen ord om hvorvidt denne saken faller naturlig inn under Stortingets kontrollarbeid – ikke minst i lys av den foregående representantens innlegg. Det er nødvendig både av den grunn og fordi NTB i går skrev en melding om at regjeringspartiene er i tvil om dette hører inn under Stortingets grunnlovfestede kontrollansvar, utøvd gjennom arbeidet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Til det er å bemerke at kjernen i denne saken er om statsråder har forholdt seg upartiske i sin saksbehandling i konkrete saker, og hvorvidt en statsråd har vært bevisst på at pengegaver fra konkrete selskaper kan påvirke departementets upartiskhet eller ikke. Forvaltningens upartiskhet er et helt grunnleggende premiss fra Stortingets side. I tilfeller hvor det er grunnlag for å stille spørsmål ved slik upartiskhet og statsråders vurderingsevne i slike spørsmål,

Kjernen i spørsmålet er knyttet til økonomiske bidrag fra Eidsiva Energi med 500 000 kr og Troms Kraft AS med 200 000 kr. I tillegg kommer finansiering av valgmateriell. Den eneste statsråden som har erkjent at hun visste om pengegavene, er statsråd Liv Signe Navarsete. At hun som statsråd er kjent med pengegavene til eget parti uten at det utløser en eneste tanke om at dette kan skape habilitetsutfordringer for enkelte fremstår som uforståelig. Det er overveiende sannsynlig at energiselskaper fra tid til annen har nære kontaktpunkter med Olje- og energidepartementet. Det ville være nærliggende å mene at det var statsrådens plikt å opplyse relevante statsråder om slik pengestøtte for å sikre seg mot påstander om redusert upartiskhet, særbehandling av selskaper og Senterpartiet fikk 500 000 kr i partistøtte fra Eidsiva Energi AS, i tillegg til finansiering av valgkampmateriell. Noen måneder etter at Senterpartiet fikk valgkampstøtten fra Eidsiva Energi, ble konsernsjefen for selskapet utnevnt til styreleder i Avinor AS, og det var senterpartistatsråd Magnhild Meltveit Kleppa som sto for utnevnelsen. Saken var behandlet av regjeringens underutvalg, hvor statsråd Navarsete er medlem. Omtrent på samme tid fikk Eidsiva Energi AS en fjernvarmekonsesjon på Gjøvik av statsråd Terje Riis-Johansen, etter at den opprinnelige konkurrenten om dette, Daimyo Rindi, hadde følt seg så kraftig politisk motarbeidet at de trakk seg fra prosessen. For ytterligere å klargjøre et slags samrøre og manglende forståelse for hvordan dette skal håndteres, er det sendt fakturaer fra Senterpartiets hovedorganisasjon direkte til Olje- og energidepartementet, bl.a. for en annonse som ble trykket i valgkampen i VG

at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen var kjent med Senterpartiets prosjektarbeid om fornybar energi, og at det skulle hentes inn ekstern finansiering. Normal aktsomhet burde tilsi at statsråden gjorde noen undersøkelser knyttet til finansieringen for å sikre seg mot anklager om manglende upartiskhet i hans embetsførsel. Det fant ikke statsråd Riis-Johansen naturlig. Det er etter vår oppfatning et uttrykk for dårlig vurderingsevne. Det er en utfordring i denne saken at Riis-Johansen som statsråd på en måte slipper å ta ansvaret for den usikkerheten som er skapt rundt hans departements håndtering av konkrete saker, fordi han bevisst har unnlatt å søke relevant informasjon. Det er kritikkverdig. Det har i stor utstrekning vært vist til Justisdepartementets lovavdelings uttalelse om senterpartistatsrådenes habilitet som en slags dokumentasjon

Lovavdelingens uttalelse er å anse som et grunnlag eller et slags juridisk innspill til statsrådenes vurdering av egen habilitet. En habilitetsvurdering etter avsluttet saksbehandling vil ha svært liten verdi, særlig tatt i betraktning at Justisdepartementets lovavdeling er å betrakte som et regjeringsorgan, og som derved gir veiledning om rettslige spørsmål til regjeringsapparatet: Det er ikke noe uavhengig juridisk organ. Justisdepartementets lovavdeling har selv presisert sin rolleforståelse i et brev til sivilombudsmannen omtalt i Bergens Tidende 28. oktober i år. Det er også verdt å merke seg at Lovavdelingen utelukkende har vurdert saken ut fra de opplysningene som statsrådene selv har gitt. De har ikke vurdert troverdigheten i opplysningene eller på annen måte undersøkt grunnlaget for dem. Statsrådenes troverdighet er satt på prøve i denne saken, og det er verdt å merke seg at en samlet opposisjon setter klare spørsmålstegn særlig ved fremstillingen fra statsråd Terje Riis-Johansen. Det er imidlertid vanskelig å legge annet til grunn enn det Riis-Johansen selv fremstiller som riktig, men både Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre mener at statsråden trolig hadde vært inhabil til å behandle de angitte sakene dersom han hadde visst om partistøtten. at det er en sannsynlighetsovervekt for at statsråd Terje Riis-Johansens statssekretær Sigrid Hjørnegård har vært kjent med at Eidsiva Energi AS har vært blant bidragsyterne til fornybar-prosjektet, fordi dette sto klart i en e-post som hun selv besvarte. Etter det jeg har forstått, var det også statssekretæren som i stor grad håndterte dialogen med Daimyo Rindi under klagebehandlingen, hvor de følte seg politisk motarbeidet i departementet.

Det er åpenbart viktig for Stortinget å vurdere en statsråds egnethet ut fra de vurderinger en statsråd foretar eller unnlater å foreta. Som tidligere nevnt er altså forvaltningens upartiskhet avgjørende for borgernes tillit til forvaltningen. At en statsråd da ikke ser at pengestøtte fra konkrete selskaper i gitte situasjoner kan skape bindinger, eller i det minste skape mistanke om bindinger, mellom statsrådenes parti og den aktuelle bidragsyter i embetsutførelsen, fremstår som vanskelig å forstå. At disse opplysningene ikke ble sett på som relevante å nevne under behandlingen i regjeringens underutvalg da konserndirektøren i Eidsiva Energi, som hadde gitt Senterpartiet 500 000 kr i støtte, ble utnevnt til styreleder i Avinor AS av en senterpartistatsråd, fremstår som svært vanskelig å forstå. Jeg er forundret over at regjeringspartiene mener at disse vurderingene fremstår som tillitvekkende, og at det ikke er grunnlag for noen kritikk. Jeg er uenig i den vurderingen. Jeg er imidlertid glad for at statsråd Navarsete selv har erkjent at hun burde håndtert informasjonen annerledes, og informert bl.a. statsråd Terje Riis-Johansen. Disse tingene kan ikke anses for å være interne partiforhold. Dette er vurderinger, handlinger og unnlatelser som griper direkte inn i muligheten for forsvarlig embetsførsel. Derfor er statsråd Navarsetes håndtering av hele dette sakskomplekset sterkt kritikkverdig. Det siste forholdet jeg vil berøre, er spørsmålet om mulig forskjellsbehandling av energiselskaper i Olje- og energidepartementet. Det kan være grunn til å sette spørsmålstegn ved om Eidsiva Energi AS har blitt positivt forskjellsbehandlet ved tildeling av fjernvarmekonsesjon på Gjøvik. De påstandene som er fremkommet i media, kan tyde på det. Da Eidsiva Energi AS ba om at vedtaket fra NVE skulle gis oppsettende virkning, snudde departementet seg rundt og ga Eidsiva Energi AS medhold. Ifølge NVE var dette svært uvanlig. Da Daimyo Rindi AS i en annen sak om tildeling av fjernvarmekonsesjon i Halden ba om det samme, I den åpne kontrollhøringen ga også statsråden ved sin ekspedisjonssjef feil informasjon etter hva jeg kunne finne ut av, om begrunnelsen for dette vedtaket. Statsråden hevdet at han skulle følge dette videre opp, men jeg har ikke fått greie på hvordan dette eventuelt er fulgt videre av statsråden. Dette har samlet sett vært en kjedelig sak for det politiske Norge. Jeg er redd denne saken tilfører politikerforakten ytterligere næring.

Representanten uttrykte en forundring over at regjeringspartiene uttrykker tillit til statsråden i innstillingen. Om det er det jo bare å si at når regjeringens medlemmer blir utsatt for en så politisk usaklig kritikk som man forsøker å gi legitimitet til gjennom det som skrives i innstillingen, så sier vi dette veldig tydelig. For vi Og det var ingenting i det innlegget vi nå hørte fra representanten Anundsen som forandrer på det. Han kommer med insinuasjoner, og jeg ber Stortinget legge merke til det når det gjelder forholdet til de selskapene som er berørt. Han sier f.eks. om den siste behandlingen: Det «kan tyde på» at det som kommer fram i pressen – «kan tyde på» – uten å kunne si noe mer konkret. konkret. Dette ser vi på punkt etter punkt etter punkt, og det kan jeg forsikre representanten om: Hvis det hadde vært slik – unnskyld, president, men bare en setning til – hvis det hadde vært slik at det hadde vært den minste tvil om dette, så skal ingen tro at ikke vi som også representerer regjeringspartiene, hadde satt andre spørsmål, men det er ikke dokumentert. Representanten Anundsen, til svar. President, jeg oppfattet ikke at representanten Kolberg stilte noe spørsmål, så jeg har i grunnen ikke noe å svare på. Nei, men det er jo fordi han ikke vil høre etter. Unnskyld, president. Ber representanten om en ny replikk? Ja, takk. Det er jo bare fordi han ikke vil svare på det som er problemstillingen. Da jeg konfronterte representanten Foss med det samme, så svarte han rundt, og nå vil altså representanten Anundsen, som er komiteens leder, heller ikke svare på problemstillingen: Hvor ligger dokumentasjonen på inhabilitet, hvor ligger dokumentasjonen på en oppførsel som du kan kalle for ikke konstitusjonell? Det var i hvert fall et spørsmål.
representanten Kolberg synes det er irriterende at det ikke kan legges frem en e-post-link eller en konkret sak som sier at her er det handlet i strid med regelverket. Men hvis det hadde skjedd,

representanten Kolberg vil være fornøyd med mine svar. Det siste representanten Anundsen nå sier, er helt riktig. Det er fordi det er argumenter som ikke holder. Men la meg nå ta et annet tema: Det knytter seg til hva Anundsen har sagt i mediene i tilknytning til Lovavdelingens behandling. Vi har vært mye inne på det. Representanten Anundsen er også leder i kontrollkomiteen, og han sa: Vi kan ikke feste lit til en lovavdeling som er regjeringens redskap. Jeg vil gjerne høre representanten Anundsens kommentar til det nå når vi står her i stortingssalen. Det skal jeg med glede gjøre, og jeg er svært glad for det spørsmålet. Det er altså slik at Justisdepartementets lovavdeling selv sier at de er et redskap for regjeringen. De gir regjeringen råd i juridiske spørsmål. Og jeg må si at Lovavdelingen normalt sett, som har en rekke dyktige jurister, vil komme med relativt gode juridiske betraktninger i mange sammenhenger. Men det har vist seg nå i tre høyesterettsdommer faktisk i år at Lovavdelingen har tatt feil. Og det betyr at det ikke er slik at Lovavdelingens uttalelser er mer enn nettopp det: juridiske uttalelser og betraktninger.

det som skjedde, var at folk la seg flate – nei, det har eg ikkje lov å seia – dei beklaga det dei hadde gjort, dei betalte tilbake, og saka var oppklart. Så sette «Detektivbyrået Foss og Anundsen» i gang. Kvifor skal me halda på med dette,

Det er en rekke opplysninger rundt denne saken som det har vært viktig å diskutere. Jeg mener ærlig talt at hvis dette hus ikke er opptatt av å sikre tillit til regjeringens behandling, upartiskhet i forvaltningens behandling av saker, ja hva skal vi da være opptatt av? Det var helt klart helt frem til vi avholdt kontrollhøringen og dels helt til i dag, uklart i hvilken grad den upartiskheten hadde vært reell. Det mener jeg er helt sentrale punkter som denne komiteen skal holde på å jobbe med. Hvem er det som har ført dette frem? Jo, det er selvfølgelig den manglende evnen som disse statsrådene har hatt – særlig da statsråd Navarsete – til å dele informasjon. Alt dette ville vært unngått hvis den bjella om mulige habilitetskonflikter hadde ringt

Senterpartiet – og å mistenkjeleggjera og eigentleg svekkja regjeringa – at ein held på med dette spelet og sirkuset frå komiteleiaren si side. Den replikken skuffer meg egentlig ganske mye. For det første er det ikke slik at dette er spill og sirkus – det bør representanten legge seg på hjertet. For det andre er det jo ikke snakk om å mistenkeliggjøre noen. Det er snakk om å ta en alvorlig situasjon på alvor. Dette handler om opplysninger som offentligheten har hatt tilgang til om manglende vurderingsevne og habilitet. Som jeg sa i mitt forrige svar, ville dette vært unngått hvis statsråd Navarsete hadde sett at direkte pengegaver i den størrelsesorden fra selskaper som naturligvis vil ha befatning med et departement styrt av Senterpartiet – hvis det bare hadde ringt én bjelle,

også har skriftlig i innstillingen, bidrar til å gi denne forsamlingen og dette organet den tilliten det fortjener? Ja. Jeg kunne godt tenkt meg å utfordre representanten Jeg kunne godt tenkt meg å utfordre representanten Anundsen til å komme med et litt mer utfyllende svar på den problemstillingen. Jeg mener at den fortjener et skikkelig svar, ikke et enkelt ja eller et enkelt nei, men at han også tenker litt høyt for oss for å grunngi på hvilken måte man mener at insinuasjoner som man har trøbbel med å belegge og bevise, bidrar til å skaffe oss den tilliten vi har behov for.

Utgangspunktet her er at vi må kunne vurdere evnen en statsråd har til å vurdere sin egen habilitet. Det nytter ikke, selv om man har forsøkt seg på det, å komme løpende etter med en habilitetsvurdering fra Lovavdelingen foretatt i ettertid, og utelukkende basert på statsrådenes egne fortellinger – eller forklaringer, er kanskje et bedre ord. Presidenten har nå et ønske om at replikkordskiftet snart er omme,

representanten Anundsen på prinsipielt grunnlag har reist et spørsmål om det fører til inhabilitet. Det har heller aldri vi sagt at ville ha ført til inhabilitet. Vi har sagt at det sannsynlig kunne ha ført til inhabilitet. Det som er utfordringen i denne saken, er jo at Terje Riis-Johansen har blitt frarøvet muligheten til å foreta denne vurderingen. Hvis han hadde vært kjent med den pengegaven, ville statsråd Riis-Johansen kunnet vurdere sin habilitet i lys av en uttalelse fra Lovavdelingen. Jeg er helt overbevist om at Terje Riis-Johansen er en relativt fornuftig fyr som ville sett at dette kunne skapt utfordringer i forhold til hans embetsførsel i denne konkrete klagesaken, som er en del av

suppe på ein spikar var det noko som heitte før, og dette liknar litt på det. Her har me altså ein partileiar som har sagt at ho har gjort noko gale, pengane er betalte tilbake, ingen er inhabile, og då reknar eg som så: «end of story». Men så dreg ein i gang ein svær prosess der parlamentet skal bruka timar og dagar på å høyra på forskjellige ting, ha høyringar, kalla folk inn på teppet – i det heile bruka masse tid, og så er konklusjonen: ikkje nokon mistillit. Det er ingen konklusjonar. Det er berre å fortsetja i det same sporet som ein har kjørt på heile vegen: mistenkeleggjering. Eg synest det er beklageleg at Stortingets mest drivne representant og komiteens leiar her nærmast opererer i fri dressur når det gjeld desse problemstillingane,

skulle ønskja å driva eit detektivbyrå, men det må dei gjera utanfor dette huset etter mi meining. Eg registrerer at ute i media har denne saka vore ein suksess for Framstegspartiet og Høgre, for der har det vore støy heile vegen. Ein har klart å mistenkeleggjera Senterpartiet og dermed òg regjeringa gjennom det støyprosjektet som ein har hatt eg meiner at det ikkje er det ein skal driva med på Stortinget. Stortinget skal ta på seg oppgåver i samsvar med maktfordelingsprinsippet og ikkje halda på slik som i dag. Me skal altså ikkje driva som eit detektivbyrå, ikkje som politi, ikkje som påtalemyndigheit og ikkje som dommarar. Me er einige om at det i utgangspunktet dreidde seg om eit lovbrot. Ingen frå opposisjonen tek opp

Foss og Anundsen sitt opplegg har lukkast på sett og vis, men no treng me at det som føregår på Stortinget, blir skikkeleg, ryddig og Stortinget verdig. Det blir replikkordskifte. Jeg tok ikke replikk på representanten Kolberg fordi jeg har levd så lenge at jeg har gitt opp tanken på å få representanten Kolberg til å fremstå som maktkritisk til Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke om jeg er alene om det, men jeg har en følelse av at det er en del blant Han har da sannelig vært kritisk til sitt eget parti så det holder, og til dels også til «makta» så det holder. Derfor synes jeg også det er en underlighet at han kaller det å drive kontrollhøring for å se om en statsråd har opptrådt upartisk, et sirkus. Er dette virkelig representanten Langeland av godt gammelt merke? representanten Langeland av godt gammelt merke? Eller er han utkommandert? Eg ser at representanten Foss omtalar meg som ein bohemaktig type frå Rogaland i boka si, så eg forstår jo i utgangspunktet spørsmålet, også når representanten har vore 30 år i opposisjon. Men eg meiner at representantane Foss og Anundsen, som er hovudaktørane i denne saka, har ei svært tynn sak. Det som skjedde, var at statsråden la seg – eg kjem ikkje på noko betre ord enn det ordet – beklaga seg. Ingen var inhabile, pengane blei betalte tilbake. Saka var oppklart etter mi meining. Så kjem dette som eg kallar for «Detektivbyrået Foss og Anundsen» og skal fortsetja denne saka, som eg då oppfattar som eit sirkus. Jeg merket meg også en annen argumentasjon, nemlig at saken ikke førte til at det

for å bruke uttrykket litt pompøst – nyere parlamentarisk historie. Men det omfatter iallfall så lenge SV har eksistert! Som fleirtalspartia sa i kontroll- og konstitusjonskomiteen, meinte me at me ikkje burde oppretta sak på dette så lenge alle ting var så lenge alle ting var avklarte. Så oppfattar eg det sånn at ein no fortset med den strategien som ein hadde då, nemleg ei mistenkeleggjering av ting som har skjedd, utan å presentera fakta. Det er ein måte å jobba på som eg ikkje liker. Eg liker å få klare ord for pengane, for å seia det sånn. Er det noko som er gale, ryddar me det av vegen. Så vart det rydda av vegen av partileiaren i Senterpartiet sjølv. Kvifor skal me fortsetja med dette sirkuset då? då? Då opplever eg det som at Høgre og Framstegspartiet har ein annan agenda, og det liker ikkje eg. Eg liker at ein held på med dei sakene som er viktige, at ein kjempar dei politiske kampane, på ærleg vis. Det lar seg ikke skjule at regjeringspartiene før saken ble åpnet i komiteen, mente at det ikke ville fremkomme noe nytt.

regjeringspartiene, og regjeringen tapte i Høyesterett, og så skulle ikke Stortinget ha anledning til å gå inn og ha en åpen diskusjon om faglig gode råd fra Lovavdelingen, men som det er mulig å ha en oppfatning om. Eg har aldri, så vidt eg veit, nekta nokon å diskutera noko som helst. Det kjem eg heller aldri til å gjera. Eg meiner absolutt at open debatt om alt mogleg er veldig bra. Til og med det Høgre kjem med, òg Per-Kristian Foss sine påstandar. Det eg misliker, er når det blir sirkus ut av saker som eigentleg dreier seg om noko anna, slik eg oppfattar denne saka. Senterpartiets leiing seier at dei har gjort ein feil. Pengane er betalt tilbake. Saka er i prinsippet

Energi. Disse forholdene er innrømmet, beklaget og pengene tilbakebetalt. Det skulle aldri ha skjedd, og det vil ikke skje igjen. Og: Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har kjørt et tett løp i kontrollkomiteen. Det er årsaken til at vi er her i dag. La meg løfte opp noen For det første: ulovlig pengestøtte. Det er alvorlig, og det må få tydelige konsekvenser. Her synes jeg at både avisene og offentligheten har gjort en god og relevant jobb. På det punktet er jeg enig med Per-Kristian Foss. Offentlighet og lys er ofte det som har mest effekt. Jeg er glad for at mitt eget parti har vært åpen om alle disse forholdene hele veien, og lagt alle nødvendige kort på bordet for å belyse sakens realiteter og sakens innhold. Men det er ikke en sak for denne salen. Med mindre vi starter en riksrettsprosess, er vi verken påtalemyndighet eller domstol. Det har vi andre myndighetsorganer til å ta seg av, eventuelt. Et annet spørsmål som har vært reist, er: Hva har skjedd i Senterpartiet når? Både media og opposisjon har vært opptatt av dette. Alt dette er jeg enig i kan ha interesse for det offentlige rom, for offentligheten. Men hvordan ting virker eller hvordan ting ikke virker i Senterpartiet, er heller ikke en sak for denne salen. Det er det Senterpartiets egne organer som i så fall skal vurdere. Det er Senterpartiets egne organer som er nødt til å trekke de konklusjonene og eventuelt foreta kursendringer hvis man mener at det er ting som skal rettes opp. Med andre ord: Denne salen kjenner etter mitt skjønn ikke Senterpartiet eller Senterpartiets hovedorganisasjon. Når det derimot gjelder

i partiet, og hvorfor man har tenkt hva – altså folks indre sjelsliv. Det får imidlertid stå for opposisjonens regning. Men også spørsmål om habilitet har stått sentralt. Statsrådene tok tidlig og på eget initiativ opp saken med Lovavdelingen for å få avklart spørsmålet om habilitet på vanlig vis. Svaret fra Lovavdelingen forelå i oktober, altså i god tid før Det ga på sett og vis fasit: Alle statsråder har vært habile. Også statssekretær Hjørnegård har vært habil. Det er dermed ingen grunn til å kritisere statsrådene for de forholdene som denne salen har noe med. Vi fra posisjonen og flertallet kan med rak rygg uttrykke vår tillit til våre statsråder. Habilitet er et viktig spørsmål, og det er avgjørende for for tilliten at saker blir avgjort på korrekt vis. Spesielt opp mot støtte til politiske partier blir spørsmålet om habilitet viktig og relevant. Disse spørsmålene drøftes da også grundig, både av Justisdepartementets lovavdeling og av Demokratifinansieringsutvalget Det har vært bred enighet rundt reglene i denne salen – bred enighet om anledning til å støtte politiske partier. Alle skal kunne støtte politiske partier. Det er sågar sannsynligvis grunnlovsstridig å skulle forby det. La meg derfor sitere det Lovavdelingen sier i habilitetsvurderingen sin, av Sigrid Hjørnegård: skjæringspunktet mellom partilovens regler om økonomisk støtte til politiske partier og forvaltningslovens regler om habilitet for den enkelte tjenestemann må en etter vår mening legge til grunn at støtte fra en bestemt giver til et bestemt parti ikke i seg selv medfører at statsråder og statssekretærer fra dette partiet blir inhabile i forvaltnings-saker som angår giveren. Tilsvarende må for så vidt gjelde for partimedlemmer i andre politiske posisjoner i forvaltningen, og det må gjelde uavhengig av om vedkommende kjenner til støtten, og også som utgangspunkt i tilfeller der støtten gis som bidrag i forbindelse med et felles prosjekt som er under planlegging. Det avgjørende blir om den enkeltes tilknytning til støtten er av en slik art at vedkommende må anses inhabil. Også om støtten faller utenfor hovedregelen om at partistøtte er lovlig, må det etter vårt skjønn vurderes konkret om vedkommende har en slik tilknytning til forholdet at det har betydning for vedkommendes habilitet. Det samme må gjelde dersom det knytter seg andre former for uregelmessigheter til støtten.» Med andre ord: Det er et skille mellom offentlig eide selskaper og alle andre typer selskaper – lovlige eller ulovlige. Det skillet som Foss trakk i sitt innlegg, har han ikke dekning for i den vurderingen som ligger til grunn for Videre sier man: Det fremgår av forvaltningslovens § 6 annet ledd at det ved anvendelse av bestemmelse skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til». Det er hevet over enhver tvil at det ikke ligger noen slike bindinger i tilknytning til noen av våre statsråder eller noen av våre

Implikasjonene av dette resonnementet er veldig interessante for disse partienes vedkommende, for dette er alle partier som mottar store beløp i direkte støtte fra bedrifter eller enkeltpersoner. Om disse partiene noen gang skulle komme i regjering, så vil det derfor kun være folk som ikke kjenner til hvem det er som sponser disse partiene, som kommer med bidrag til disse partiene, som vil kunne behandle saker der disse kan ha interesse, etter den definisjonen og den tankerekken som man her legger til grunn. Og all den tid bidragene er offentlige, vil den eneste mulige konklusjonen være at ingen medlemmer eller noen representanter fra de samme partiene vil være habile i denne typen saker. Så får vi bare håpe at vi noen gang slipper å se hvordan de har tenkt å prøve å løse Så er det én ting til som må sies om habilitet, eller inhabilitet: Inhabilitet må aldri bli en bekvem mulighet til å unndra seg det ansvaret man har. Det skal være en terskel for å erklære seg inhabil, og i denne saken er den terskelen ikke tråkket over. Det følger ansvar med makt.

Hvilket organ, hvilken institusjon, skal regjeringen og andre spørre når man skal ha upartiske juridiske råd? Det har vi så langt ikke fått noe svar på. Det er derfor oppsiktsvekkende at opposisjonen nå trekker i tvil Lovavdelingens posisjon, og det er relevant i hvert fall å tenke at opposisjonens konklusjon i denne saken er trukket for lenge siden, og at sakens realiteter egentlig er Det sender også noen signaler om det politiske samspillet. Så har jeg lyst til å si at vi alle sammen er mennesker. Det er mulig å begå feil, de aller fleste av oss har gjort det. Det er vel i historien bare én som har unngått å gjøre det. Det må også være mulig å innrømme dette og komme seg videre. Det er i grunnen slik vi mennesker lærer. Det å stenge dette rommet – å ta bort denne rausheten fra det norske politiske rommet å ta bort denne rausheten fra det norske politiske rommet – synes jeg er et stort ansvar å ta. Jeg skal avslutte med å si at denne salen har dannet ramme for atskillig dramatikk opp gjennom årene. Våren 1893 er et sterkt eksempel i så måte. I mai ble det nemlig kjent at kommanderende admiral Koren hadde satt krigsskipene ved Horten i beredskap, til bruk i tilfelle opptøyer i hovedstaden. Stortinget kalte da Koren og åtte av offiserene hans inn, som Grunnlovens § 75 h åpner for. Alle måtte møte her i salen og ble utsatt for harde og nærgående spørsmål fra Venstres saksordfører. Det endte for øvrig med at admiral Koren kort tid etter innleverte sin avskjedssøknad, men utspørringen i denne salen høstet sterk kritikk fra Høyre. Det har vært klaget over utidig inkvisisjon. Det ble også hevdet at utspørringen har påført Stortingets anseelse meget stor tort. Saken som vi behandler i dag, er på alle vis en blek skygge av mistanken i 1893 om militær innblanding i en spent politisk situasjon. Ja, komiteens behandling har medført at enhver mistanke om klanderverdig embetsførsel fra statsrådene Navarsete og Riis-Johansen må sies å ha forsvunnet som dugg for Like fullt gir det mening å minne om høyresidens påstander fra 1893 om inkvisisjon og ringeakt for Stortingets anseelse. For spesielt Høyre og Fremskrittspartiet har oppført seg som om denne saken er større enn den er, som om saken er alvorligere enn den er, ja, som om saken i bunn og grunn er en helt annen sak. Det som står igjen, er nettopp en eim av inkvisisjon, motvilje mot å lese statsrådenes svar med åpent sinn, motvilje mot å høre hva de har forklart i åpen kontrollhøring. Og dette påvirker faktisk Stortingets anseelse. Det er tankevekkende, men det er ikke stortingsflertallets problem. Det åpnes for replikkordskifte.

Jeg trodde at når man skulle få en habilitetsvurdering «på vanlig vis», så skjedde det i forkant av at man skulle ha saker til behandling – ikke i etterkant. Altså: En etterfølgende habilitetsvurdering burde ikke være vanlig måte å håndtere saker på i et departement. jeg har lyst til å utfordre Borten Moe på om han mener den behandlingen som statsråd Navarsete har forestått i forhold til den informasjonen hun har hatt, er et eksempel på fremragende vurderingsevne hos en statsråd. Svaret er jo i og for seg helt opplagt. Det som er uvanlig i denne saken, er at man har bedt om en habilitetsvurdering i etterkant. Det som er helt vanlig og helt ordinært, og det jeg mente å si, var at det var Justisdepartementets lovavdeling som var adressat for forespørselen, og det er helt vanlig prosedyre. Det var en god oppklaring, men det var ikke svar på spørsmålet. Spørsmålet mitt var om statsråd Navarsetes vurdering i denne saken er et eksempel på fremragende vurderingsevne hos en statsråd.

hvis Stortinget skulle trekke skillelinjen at man bare skulle kontrollere embetsførselen til statsråder, og ikke kunne kommentere samme opptreden samme personer har som partiledere. Det har man lang erfaring for å gjøre. Så til mitt anliggende, uttalelsen om at det har denne salen ikke noe med, altså denne saken. Det er da faktisk i strid med hva Stortinget mener, for Stortinget har gitt mindretallet i kontrollkomiteen en adgang til å reise saker. Da er det med andre ord mindretallets rett til å få saken belyst gjennom vanlig prosess som ligger til grunn for det. Så kan man være uenige om hvilke saker som skal reises. Jeg skjønner godt at representanten Moe sier at det er på tide å sette punktum i denne saken. Det har han ment i flere uker. Men den retten mindretallet har, er det faktisk et enstemmig storting som har slått fast, og det er dét representanten Borten Moe bestrider. representanten Borten Moe bestrider. For å ta det siste først svarte representanten Foss langt på vei på sitt eget spørsmål og på sin egen replikk. Det første synes jeg godt kan kommenteres, nemlig at vi ikke kjenner partiet og partilederne som sådan. Der er det jo slik at man selvsagt kjenner partiene, men ikke som ledd i en kontrollhøring, ikke som ledd i

direkte påvirker, eller kan påvirke, deres opptreden som statsråder, altså deres embetsførsel. Når det er en slik sammenheng, eller kan være en slik sammenheng, har Stortinget rett og plikt til å belyse det. Å sette et slikt skille og si at statsråd Navarsete som partileder visste om bidraget, men som statsråd visste hun ikke om det, ville vært en ren umulighet. Derfor er det mindretallets rett rett å belyse dette når man ønsker det. Det har Stortinget slått fast enstemmig tidligere ved behandling av Stortingets forretningsorden og bl.a. opprettelsen av kontrollkomiteen. Det er ingen som bestrider mindretallets rett til å ta opp disse spørsmålene. Det er ingen som bestrider mindretallets rett til å skrive akkurat hva man måtte ønske og hva man vil i komitémerknadene. Men like selvfølgelig er jo retten til å være uenig i de vurderingene og det man skriver fra mindretallets side. Og det er jo akkurat det som nå utspinner seg i denne salen, mindretallet har sitt syn, flertallet har sitt syn. Jeg mener at det som er kontrollfunksjonen til Stortinget, er å kontrollere regjeringen, å kontrollere statsrådenes embetsførsel, å kontrollere at ting har gått for seg etter boka, slik som det skal gjøre i våre underliggende etater. Senterpartiet er

kontrollfunksjonen, men om sakens materielle innhold. For der er vi enige, Senterpartiet har begått et lovbrudd og har mottatt ulovlig støtte. Representanten sa faktisk til det, og jeg tror jeg siterer noenlunde riktig: Vi tåler ikke flere eksempler av denne karakter. Det er sterke ord og viser sakens alvorlighetsgrad. Jeg har ikke noe å tilføye til det, men det er altså en annen side av denne saken enn vår kontrolloppfølging fra Stortinget som sådan, selv om det glir litt over i hverandre. Det skal jeg komme kort tilbake til. For Kristelig Folkeparti har det sentrale spørsmålet, og jeg mener det sentrale spørsmålet for Stortinget, vært hvordan informasjonen om pengestøtte er håndtert av Senterpartiets statsråder, og om denne pengestøtten til Senterpartiet på noen måte har påvirket statsrådene Navarsete og Riis-Johansens embetsførsel. Det er sakens kjerne sett fra mitt ståsted, og som er kontrolloppgaven – for å kalle det det – i denne sammenheng. Når det gjelder statsråd Terje Riis-Johansen – det har ikke noe med kontrollfunksjonen å gjøre – innrømmet statsråden selv i høringen at han hadde omtrent ikke noen befatning med dette prosjektet som Senterpartiet og ulike selskaper sammen drev fram. Det er jo politisk oppsiktsvekkende, men det er et faktum som jeg legger til grunn. Dermed hviler jo også hans og jeg har heller ikke noe å tilføye til den konklusjonen, som også Lovavdelingen har kommet til. Det er selvfølgelig pussig at fagstatsråden ikke har hatt noen rolle i dette prosjektet, som i hvert fall av generalsekretæren ble framstilt som uhyre viktig. Men igjen – det er ikke del av vår kontrolloppgave. Når det gjelder statsråd Navarsete, konstaterer vi at statsråden har beklaget at de relevante statsråder i regjeringen ikke ble informert om hvilke selskaper som hadde gitt pengestøtte til Senterpartiet, noe som igjen kunne få betydning for deres saksbehandling. Det synes vi er en For det var i høyeste grad relevant informasjon for andre statsråder, f.eks. i forbindelse med utnevnelse av ny styreleder i Avinor. Så kan man spørre seg: Var det nødvendig med kontrollhøring – er saken overdimensjonert, osv.? Det vil jeg si er et betimelig spørsmål, og jeg tror en kan lande ned på begge sider. Like fullt: Jeg oppfatter at statsråd Navarsetes beklagelse faktisk kom i forbindelse med vår kontrollhøring og samme dag i Dagens Næringsliv, mer eller mindre. Så det er klart at selve kontrollfunksjonen også har gitt en dynamikk i saken. Det er jeg ikke i tvil om. om. Til dette spørsmålet: Er det Senterpartiets leder som har mottatt informasjon om pengestøtte, og er det uvedkommende for Stortinget? Jeg kan ikke se at det er uvedkommende for Stortinget når Senterpartiets leder samtidig er statsråd. Man kan ikke da ta av partilederhatten og si at partilederen kjenner til pengestøtten,

til å kritisere statsråd Navarsete. Så et par ord om Lovavdelingen. Jeg registrerte at det ble sagt i debatten her at Lovavdelingen er et regjeringsorgan. Det er jeg ikke uenig i, men jeg vil mene at det ikke er et hvilket som Lovavdelingen har en annen posisjon enn en hvilken som helst annen departementsavdeling, og for min del og for Kristelig Folkepartis del vil jeg absolutt si at vi legger til grunn at de uttalelsene som kommer fra Lovavdelingen, gis på et selvstendig grunnlag og ikke som en slags konklusjon på grunnlag av en eller annen form for instruksjon. Så kan disse konklusjonene selvsagt diskuteres, og det bør de. Men at Lovavdelingen har en sentral plass og en veldig viktig plass i f.eks. vurdering av habilitet, synes jeg vi bør holde fast ved, selv om det selvfølgelig er statsrådene som til syvende og sist foreta sin endelige vurdering av om de er habile eller ei. Jeg vil vel si at vi i denne innstillingen fra Kristelig Folkepartis side har prøvd å skille litt snørr og bart. Vi har når det gjelder kontrolldelen av denne kritisert det som statsråden selv har tatt ansvar for og påpekt at man skulle gjort annerledes. Det tar vi rett og slett til etterretning. Når det gjelder saken i seg selv, det politiske ved den, er det jo som representanten Kolberg sa, en meget alvorlig sak, og den har ikke Stortingets flertall eller mindretall noe som helst ansvar for har kommet opp. Det er

det ikke så veldig mange nye elementer man kan bringe inn, men jeg tror kanskje jeg kan bidra med noen. For det første må jeg si at for dem av oss som kjempet for åpenhet knyttet til gaver til politiske partier, viser denne saken hvor viktig det var. For det var faktisk ved åpenheten man oppdaget at det hadde skjedd lovbrudd. Hadde ikke den åpenheten funnet sted, hadde man ikke hatt den, hadde faktisk ikke dette lovbruddet blitt avklart. Så skal jeg snakke litt om habilitet, for jeg syns kanskje det er der vi i Venstre har mest å bidra med i denne debatten, der jeg synes det har vært en litt underlig tolking av habilitetsbegrepene. For det første: Venstre ser ingen grunn til å trekke Lovavdelingen i tvil. Jeg vet at noen partier her i Stortinget ønsker at Stortinget skulle hatt sin egen lovavdeling. Det ser ikke Venstre noen grunn til. Vi mener selvfølgelig ikke at Lovavdelingen er ufeilbarlig, som en sak vi behandlet før i dag, viser, men jeg syns at Lovavdelingen har funnet en rolle i brytning mellom parlament og regjering som fungerer godt sånn som det gjør i dag. Men det å påstå at Lovavdelingens vurdering er den eneste man skal lene seg på når det gjelder habilitet, er jeg grunnleggende uenig i. Da vil jeg referere fra På et spørsmål fra meg svarer statsråd Terje Riis-Johansen: «Jeg mener ikke at en som statsråd ikke har et ansvar for sjøl å vurdere det.» Men videre sier han at det bare er Lovavdelingens vurdering som her ligger til grunn. Når Lovavdelingen har slått det fast, skal det gjelde. Da er vi ved kjernen. Jeg har lyst til å utdype det med et annet eksempel. Bondevik II-regjeringa satt, skulle justisminister Odd Einar Dørum ansette ny sjef i PST. En av søkerne på søkerlisten var Jørn Holme, hans tidligere statssekretær. Justisminister Dørum ba om å få en vurdering fra Lovavdelingen om hvorvidt han var habil ved en ansettelse, når hans konkluderte klinkende klart, og etter min vurdering helt riktig juridisk, med at justisministeren var habil. Politisk i denne salen vet vi at det ville blitt stilt spørsmål ved en justisminister som hadde foretatt en slik ansettelse. Vi vet også at en PST-sjef med en slik ansettelse bak seg alltid hadde fått svekket sin stilling på grunn av at det hadde blitt koblet mot en partiansettelse. Derfor valgte justisminister Odd Einar Dørum å fratre i saken, og det var utenriksminister Jan Petersen som foretok ansettelsen av ny PST-sjef. Hva sier dette oss? Jo, det finnes noe som heter å være juridisk habil, men det er også en vurdering om man er politisk habil. Vi har en oppgave som jeg mener er veldig, veldig viktig, og det er å skape tillit til de vedtakene vi er med på at det ikke politisk eller på andre måter skal kunne reises spørsmål ved de vedtakene vi er med på. Det er vårt ansvar, hver enkelt politiker og hver enkelt statsråd, å sørge for tillit til de vedtakene vi er med på. Hvis det er sånn at det er noe som foreligger som kan minske den tilliten, som kan undergrave f.eks. en ansettelse eller en styreutnevnelse, er det vår jobb som å ivareta det ved å fratre for å øke tilliten. Det handler ikke om å rømme fra vedtak, det handler ikke om ikke å ta ansvar, for ansvaret ligger der fortsatt. Ansvaret for ansettelsen av PST-sjef har Jan Petersen. Jan Petersen bærer ansvaret som gjelder hele den saksutredningen. Det er ikke slik at noen har rømt fra et politisk ansvar, men det er likevel veldig viktig å vurdere både politisk og juridisk habilitet. I Ola Borten Moes tale hørtes det ut som om det bare er juridisk habilitet som teller. Jeg bestrider ikke Lovavdelingens vurderinger. Jeg bestrider ikke det Lovavdelingen har kommet fram til i begge disse sakene, men jeg bestrider om det var politisk mellom det som er juridisk habilitet, og det som er politisk habilitet, og vårt ansvar er å skape tillit til våre vedtak. Jeg må også si at jeg i dag har blitt litt forundret over regjeringas kjør tilbake. La oss si at dette hadde skjedd og ingen politiske partier, ingen på Stortinget, hadde gjort noen ting. Saken er i nyhetene, spørsmålene stilles av journalister, leserbrev fra norske borgere kommer – og Stortinget gjør ingenting. Vi stiller ikke et spørsmål til en kollega, fordi det er en politikerkollega. Vi skal håndheve et regelverk som ikke har konsekvenser. Man innrømmer et lovbrudd, men lovbruddet har ingen konsekvenser. det bidratt til tillit til dette parlamentet? Hadde det bidratt til at vi virkelig hadde følt at vi var i stand til å stille spørsmål, også til våre kollegaer? Eller er det sånn at når folk har brutt loven som borgere, føler de at de blir rettsforfulgt inntil minste detalj, men er du politiker og har brutt loven, skal ingen engang stille Jeg synes jo posisjonen skal være kjempeglad for at vi i dag ikke har endt på mistillit. Men vi har faktisk stilt spørsmålene på vegne av borgerne, vi har løftet saken med spørsmål som borgere har stilt, og vi har gjort det i åpenhet. Det mener jeg faktisk styrker tilliten til både parlamentet og det politiske systemet. Denne saken har ikke vært noe scoop for det norske politiske systemet. Det har vært en nedtur både for Senterpartiet som parti og for oss som fellesskap. Hvis vi da ikke hadde brydd oss og stilt disse spørsmålene, mener jeg at vi også hadde undergravd rollen som dette parlamentet har. Så kan vi alltid diskutere om vi stilte for skarpe spørsmål eller om vi ikke tok hensyn til folkene i systemet, og det håper jeg at vi faktisk gjorde. Det er det vår jobb som enkeltdeltakere å gjøre, og det skal vi gjøre på en ordentlig måte. Det som det i bunn og grunn handler om, er at når du har et folkevalgt verv i ulike roller i samfunnet, er det forventet at du skal ha en vurderingsevne med deg, eller, som jeg sa i høringen, at det er noen klokker som ringer. Sånn sett passer denne saken godt i adventstida, for her det ha ringt mange klokker. Det er den grunnleggende ryggmargsrefleksen, at her er det nok noe jeg skulle ha sagt fra om – det var den det ble stilt spørsmål om her. Jeg mener vi har kommet noen skritt lenger med denne saken. Jeg mener vi har behandlet et uføre som norsk demokrati har kommet opp i, med faktisk å ta det opp i lyset og stille kritiske spørsmål. også når det er ubehagelig og handler om noen av våre egne. Så mener jeg at vi må få satt en standard. Jeg mener at vi kanskje bør gå gjennom habilitetsreglementet sånn at det henger sammen med det folk oppfatter som habilitet, hvilke regler som skaper tillit til de vedtakene vi er med på. Og det å si at man er juridisk habil, betyr ikke at man er politisk

knivegg. Det er også noen av de tingene som er berørt i innleggene både fra saksordføreren, Per-Kristian Foss, og fra Anders Anundsen, vår komitéleder. Når man er i så viktige posisjoner som statsrådene er, må man holde seg langt unna forhold som kan lukte av inhabilitet eller enda verre saker. Vi får håpe i så måte at denne saken har vært en lærepenge. Etter denne saken sitter jeg med en spesiell smak i munnen, hva jeg leser i dagens VG på side 3 at Senterpartiets nye partiblomst, gaukesyra, skal smake. Ifølge avisen skal også denne planten være giftig i store mengder, og den trives visst også best der det er mørkt, ifølge VG. Jeg håper ikke sistnevnte skal være ledende for Senterpartiets økonomiske disposisjoner i fremtiden. Med hensyn til avisen VG og andre deler av pressen er det av og til at vi politikere får ufortjent mye kjeft, synes jeg. Men denne saken synes jeg det er rett og rimelig at pressen har satt søkelyset på. Jeg merker meg at ingen i pressen har ment at det ikke har vært relevant for opposisjonen å ta opp saken. Det har kun fremkommet i denne debatten, fra regjeringspartiene, at man er kritisk til at vi har tatt opp saken. Det er en veritabel forsvarskrig som i dag har vært ført av regjeringspartiene her i salen. Det er åpenbart at vi har tråkket på noen ømme tær. Sterkest har kanskje representanten Martin Kolberg vært under overskriften «angrep er det beste forsvar». Det er veldig få av synspunktene i representanten Kolbergs innlegg jeg er enig i, bortsett fra en av hans konklusjoner, at vi tåler ikke flere slike saker i norsk politikk. Det håper jeg regjeringen legger seg på hjertet. Til slutt: Representanten Anundsen, komitélederen, var inne på at regjeringspartiene finner grunn til å tillit til statsrådene i innstillingen og denne debatten. Nå er jeg ihuga fotballinteressert og følger mye med på sportssendingene på våre tv-kanaler. Når et styre i en fotballklubb går ut og uttrykker sterk tillit til en trener etter at det har gått litt dårlig, er det ikke lenge før man får sparken. Men det er sikkert forskjell på fotball og politikk på dette området. Flere har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

Blir arbeidstaker ufør etter uttak av alderspensjon, reduseres alderspensjonsutbetalingen slik at pensjonsgraden ikke overskrider 100 pst. Komiteens flertall slutter seg også til presiseringene i sentralbankloven § 18 samt forslagene til endringer i finansieringsvirksomhetsloven § 2-18 og § 2-19, der vi på bakgrunn av vedtak i EU-parlamentet og rådet og nå foreliggende direktiver gjør endringer i lovverket som regulerer godtgjøringsordningene i finansieringsforetak. Lovendringene gjør det mulig å fange opp en bredest mulig gruppe av ansatte innenfor den nye reguleringen. Endringene vi foretok i vår finansieringsvirksomhetslov sist sommer, har som formål at ikke utsiktene til kortsiktig økonomisk gevinst skal styre finanssektoren. var jo en av årsakene til den finanskrisen vi opplevde i 2008–2009 – en krise som har fått store konsekvenser for mange land som nå har stor statsgjeld etter å ha brukt av fellesskapets midler for å redde bankene sine gjennom krisen. Når vi ser hvilke konsekvenser dette har fått for vanlige mennesker, og hvilken sosial uro det skaper, er jeg glad for at vi nå får på plass felles lovregler med EU for hvordan vi skal kunne regulere godtgjørelsesordningene i finanssektoren. Det er et stort skritt framover i riktig retning for å hindre nye finanskriser i å oppstå. Med dette legger jeg fram endringene i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og lov om individuell pensjonsordning samt presiseringer i sentralbankloven § 18 og endringer i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-18 og 2-19. Først vil jeg takke saksordføreren for et grundig og godt arbeid i forbindelse med denne saken. Så vil jeg henlede oppmerksomheten på side 20 i innstillingen. Der har det sneket seg ut et ord som ikke er uten betydning. Det står: «Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til høringsnotat fra FNO av 23. november der FNO uttaler at det vil være mulig for Selvfølgelig skal ordet «ikke» stå inne her. Lønninger og godtgjørelser bør etter Fremskrittspartiets mening bestemmes av eierne til de aktuelle foretakene. Det er ikke noe staten bør blande seg inn i. Avlønningen, dersom den skal være resultatbasert, bør basere seg på faktisk oppnådde resultater, med korrigering for eksempelvis generell oppgang i økonomien eller andre tilfeldige forhold. Fremskrittspartiet ser at noen avtaler om lønn og godtgjørelser har vært uheldig utformet, men mener likevel at dette er et forhold mellom avtalepartnerne. Fremskrittspartiet har ingenting imot at det utarbeides anbefaling om avlønning som man kan velge å følge, eventuelt begrunne hvorfor man ikke følger. Men å basere dette på tvang mener vi vil hemme dynamikken i markedet. Vi er meget kritisk til bestemmelsene i det foreliggende parlaments- og rådsdirektivet om endringer av direktiver. Derfor ber vi i et forslag regjeringen om å forhandle med EU om det foreliggende parlaments- og rådsdirektivet og bestemmelsene om godtgjørelse med sikte på i størst mulig grad å hindre begrensninger i avtalefriheten og inngripen i markedsmekanismene når direktivet skal implementeres i Norge. Hvis dette ikke skulle føre fram, håper vi at man innfører et regelverk som så er begrenset som mulig, og så næringsvennlig som mulig, innenfor de rammene direktivene setter. For øvrig tar jeg opp de forslag som vi er medforslagsstillere til, og dem vi er alene om. Representanten Kenneth Svendsen har tatt opp de forslag han selv refererte til. Ja, det er
stor grad av enighet her, så saksordføreren må ha gjort en god jobb. Fra Høyres side ser vi på dette nærmest som en ren tilpassing til den pensjonsreformen som skal iverksettes fra nyttår, og siden den også gir økt fleksibilitet, ser vi ikke grunn til å lage noe dramatikk ut av det vi vedtar i dag. Til foregående taler: Dette med lønn og bonuser osv. var et slag som sto i fjor, og vi har ikke tatt noen omkamp rundt det, selv om vi ikke var helt på linje med regjeringen da det ble vedtatt. Men det som kan være en liten kime til spenning mellom posisjonen og opposisjonen i denne saken, er i hvilken grad man skal få likebehandling mellom selvstendig næringsdrivende og andre når det gjelder innskuddspensjonsordninger og den type ting. Der noterer vi oss at Banklovkommisjonen har laget dette i to deler og skal komme tilbake til det med likebehandling. Det aksepterer vi. Men samtidig vil vi bemerke at når man går inn i den jobben, håper vi for det første at det kommer ganske raskt – det er viktig å få det avklart – og at man kanskje også går inn i det med og selvfølgelig skal likebehandling være i fokus. Det er jo noe Banklovkommisjonen har sagt noe om. Det med pensjon er vanskelig, særlig for mange selvstendig næringsdrivende og små bedrifter. Så hvis man samtidig kunne få til forenkling, ville det være et stort framskritt.

med ulike statsråder. Statsministeren og næringsministeren har svart at jo da, vi vurderer, og vi ser på dette. Men den vikarierende arbeidsministeren, Aasrud, var prisverdig klar da hun på spørsmål fra undertegnede tirsdag i denne uken sa klart og tydelig i et meget kortfattet svar: «I det budsjettet som er lagt fram her, har vi valgt å gjøre andre prioriteringer enn å prioritere økte rettigheter for dem som er selvstendig næringsdrivende.» I den proposisjonen som vi nå behandler, skriver imidlertid departementet at de ikke vil foreslå endringer i innskuddsgrensene nå, underforstått at dette eventuelt kommer en eller annen gang bare man har fått vurdert det ferdig. Med fare for å gjenta meg selv, og det gjør jeg helt sikkert: Venstre vil at flere skal bli selvstendig næringsdrivende, og vi vil legge til rette for at det skal bli enklere å bli det. Vi er helt avhengig av at flere tar den risikoen det er å skape arbeidsplasser for seg selv og kanskje noen til. Disse modige menneskene burde hjelpes fram og ikke ses på som suspekte og Jeg mener statsråd Aasruds korte og konsise svar til meg på tirsdag er rimelig avklarende både for de selvstendig næringsdrivende og for opposisjonen. Jeg vil derfor utfordre finansministeren, som har neste innlegg, til å være like tydelig som Aasrud. Er det slik at det er helt urealistisk å forvente forbedringer for de selvstendig næringsdrivende fordi det naturlig nok har en kostnadsside? Og er ikke det noe regjeringen prioriterer når det kommer til stykket? Det er mye ærligere å si det som det er, så jeg forventer og håper på at finansministeren kommer inn på det i sitt innlegg. Jeg er også glad for at finanskomiteen raskt har fulgt opp de forslag som regjeringen har lagt fram for å tilpasse de private tjenestepensjonsordningene til de nye reglene om tøyelig eller fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden, og at komiteens flertall – pluss komiteen som sådan – slutter seg til som ligger inne i proposisjonen. Det betyr – og det er viktig – at reglene om tøyelige uttak av pensjon i de private tjenestepensjonsordningene kan tre i kraft fra årsskiftet og samtidig med det som vil gjelde for pensjonsordningen for øvrig. Jeg har bare lyst til å understreke at det som at regjeringens forslag innebærer en rett for den enkelte til å ta ut alderspensjon fra privat pensjonsordning fra fylte 62 år, en rett til å ta ut alderspensjon fra en privat pensjonsordning uten samtidig å ta ut alderspensjonen fra folketrygden, og en rett til å velge hvor stor andel av pensjonskapitalen som skal tas ut. I tillegg innebærer også forslaget en mulighet og en rett til å kombinere uttak av alderspensjon med arbeid og videre pensjonsopptjening. Det betyr at det blir en stor valgfrihet for den enkelte til å tilpasse seg i forhold til pensjonen på den ene siden og arbeidslivet på den andre siden. Jeg har god tro på at dette også vil øke arbeidstilbudet framover, som er viktig av flere grunner. Så vil jeg bare til slutt kommentere forslaget om innskuddsgrenser for selvstendig næringsdrivende. Det skjer ingen endringer nå, og som også representanten Gundersen var inne på, er det en ren tilpasning til pensjonsreformen. Vi vil komme tilbake til det spørsmålet og gå gjennom det på en god måte når Banklovkommisjonen har gått igjennom det. Uten å love for mye kan vi vel si at det ikke er urealistisk å forvente at kanskje kan komme fram til en fornuftig og god ordning i så måte. Jeg vil også understreke at Banklovkommisjonen gjør en veldig god jobb. Den har nå levert en lang rekke innstillinger på et veldig komplisert område, og jeg synes egentlig at den jobben som her er gjort, også fortjener honnør fra denne talerstol.

forslag fra Kristelig Folkeparti framsatt i Stortingets møte 25. november 2010: «Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14,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

er enig på de aller, aller fleste områder. Det er kun nyanser i komiteens merknader knyttet til noen få problemområder. Det gjelder i første rekke hvorvidt man er veldig fornøyd med regjeringens arbeid knyttet til ulovlig, urapportert og uregulert fiske, eller om man mener at vi fortsatt har litt å strekke oss etter. Utover det er man enig om det aller meste. Saken dreier seg om oppfyllelse av avtalene i 2008 og 2009. Jeg vil faktisk gi honnør til regjeringen for det arbeidet som er gjort, særlig knyttet til det ulovlige fiske. Jeg vet også at innenfor ett område har vi felles front, og det er knyttet til utkastpraksisen som Der har både regjeringen og også komiteen gitt signaler til fiskerikomiteen i EU i forbindelse med utarbeidelse av grønnboken og behandling av den i EU-systemet. Vi får se hvor langt man kommer. Jeg har tro på at også EU går i riktig retning, for man er nødt til å gå i riktig retning, hvis ikke er det en trussel mot fiskebestandene. Jeg skal faktisk ikke bruke lengre tid enn dette. Vi har felles front. Vi har et felles mål. Vi har kanskje litt forskjelllige virkemidler for å komme fram til dette målet. Som opposisjonsparti er vi kanskje litt mer – skal vi si – urolige. Vi ønsker i hvert fall å gå litt raskere fram. Sånn er det bare. Utover det vil jeg si at den stortingsmeldingen som foreligger her, er et godt dokument og si at den stortingsmeldingen som foreligger her, er et godt dokument og gir en god oversikt. Så får vi følge dette opp på en skikkelig måte. Jeg har tenkt å bruke litt lengre tid, fordi denne meldingen er viktig og gir en god beskrivelse av arbeidet norske myndigheter og underliggende etater gjør for å sikre norske fiskeriinteresser internasjonalt og arbeidet med bærekraftig høsting av ressursene våre. Norge har en rekke fiskeriavtaler med andre land. avtalene er svært viktige. Den meldingen vi behandler i dag, omtaler kvoteavtalene for 2010, norsk deltaking i flersidig fiskerisamarbeid og regionale forvaltningsorganisasjoner. Videre gir denne meldingen innsikt i for de viktigste bestandene som Norge har med andre land. Det at Norge er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner og komiteer, er med på å påvirke hvordan de enkelte fiskebestandene beskattes på en mest mulig optimal måte. Og nok en gang vil jeg framheve at Norge er god i fiskeriforvaltning. De siste 20 årene har det vært et nært samarbeid med EU EUs felles fiskeripolitikk er imidlertid ikke en del av EØS-avtalen, dvs. at EUs ressursforvaltning, strukturpolitikk og markedsforordning faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Hovedinnholdet i den bilaterale fiskeriavtalen er at Norge og EU skal tillate fiskefartøy fra den andre part å fiske innenfor sitt jurisdiksjonsområde. fisket reguleres i årlige kvoteavtaler mellom partene. Videre er partene forpliktet til å samarbeide om forvaltningen og vern av de levende ressursene i havet. Ikke minst er arbeidet med revidering av EUs fiskeripolitikk veldig viktig. Der spiller Norge en viktig rolle, men det er utfordringer. Jeg vil trekke fram EUs importforbud mot selprodukter, makrellforhandlingene og utkast som utfordrende. Utenriksminister Gahr Støre sa i sin europapolitiske redegjørelse i mai: «Selsaken handler om vår rett og våre muligheter til å drive bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser og til å omsette produktene fra fangst og fiske. Ingen av de selbestandene vi fangster, er truet. Aksepterer vi forbudet, aksepterer vi at det skapes en presedens for handelsforbud på et slikt grunnlag i vårt viktigste marked.» Jeg synes faktisk det var veldig godt sagt. Det sier det meste, etter min mening. Det er et mål å styrke dialogen med Russland om hvordan vi best kan samarbeide om redusert overfiske i Barentshavet. Dette har vært og er et prioritert område. Norge har årlige kvoteforhandlinger med Russland om totalkvoter for fellesbestandene i Barentshavet. I tillegg er man enig om å forvalte kongekrabben hver for seg i sine respektive økonomiske soner. Til slutt vil jeg framheve nok en gang viktigheten av vår deltakelse i de ulike forhandlinger og internasjonale ressursforvaltningsfora. La meg først få uttrykke stor glede over en komité som er

Og det er ikke minst et viktig signal nå i disse forhandlingsdager, når vi nå sitter og forhandler om både bilaterale avtaler og makrellavtalen. Så det er jeg veldig glad for. Så vil jeg også understreke at bærekraftig forvaltning av ressursene er det sentrale målet for regjeringen i de fiskeriforhandlingene vi hvert år fører med andre land. Som representanten Nesvik pekte på: Kampen mot ulovlig fiske har også tidligere vært sentral i forhandlingene med Russland, og vi har også arbeidet med denne saken på andre fronter. Derfor er jeg glad for at 2009 var det året da det ikke ble registrert ulovlig fiske i Barentshavet. Vi vil likevel fortsatt prioritere dette arbeidet, både i eget område og i samarbeid med Særlig i vår felles forvaltning med EU har spørsmålet om utkast vært sentralt de to siste årene, og det er innført en rekke tiltak for å redusere utkastet. En evaluering av systemet for stenging og åpning av fiskefelt i Nordsjøen viste at Vi ble dessverre ikke enig med EU i de siste forhandlingene om et felles system, og konsekvensene av dette er at vi går videre på egen hånd. Vi vil uansett sørge for at fiskeriene blir bærekraftig forvaltet i norske farvann. La meg helt til slutt si noen ord om utkast i norsk sone og av norske fartøy. Det har vi også hatt litt debatt om i Stortinget i forbindelse med spørretimen. Med bakgrunn i de oppslagene som har vært i mediene, inviterte jeg både Kystvakten, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norges Fiskarlag til et møte, der vi ble enige om fortsatt å fokusere mye på denne utfordringen også i Norge. Det er slik at ethvert avdekket brudd på regelverket for utkast er ett for mye. Derfor har vi lagt en plan for Det handler om holdningsskapende arbeid blant utøverne. Det handler ikke minst om skolering i regelverk og regelverksforståelse, som vi vil ta inn som en del av det som fiskerne allikevel vil måtte skoleres i, bl.a. sikkerhetsopplæringen. Det kan godt hende vi legger det til som en del der. Videre handler det også om å unngå å få fisk om bord som man helst ikke vil ha, enten det er småfisk eller om det er fisk av en art man ikke har kvote på, dvs. tekniske reguleringer og teknisk regelverk. Sist, men ikke minst, handler det om å ha et avskrekkende regelverk for håndtering av – vi kan kalle det – brudd på reglene. Derfor har jeg gitt instruks til Fiskeridirektoratet om at har sikker dokumentasjon og sikre bevis på at her har det foregått lovbrudd, må de vurdere inndragning enten for en kortere eller lengre periode eller på permanent basis. Det er fortsatt stort fokus på et veldig viktig område. Flere har ikke bedt om sak nr. 7. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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

annen stortingsmelding, St.meld. nr. 51 for 1997–1998, står det klart at startpunktet for kvoteåret ikke har noen praktisk betydning så lenge kvotene er høye nok til at det kan drives fiske hele året. Man konkluderte også den gang med at man så det som lite aktuelt å flytte reguleringsåret. Island har lagt om kvoteåret, noe som har vært positivt. Omleggingen av kvoteåret har hatt en betydelig innvirkning på å jevne ut råstofftilgangen. Jeg skjønner at vi ikke kan overføre Islands erfaringer direkte til norske forhold, men det er interessant å lese historien. Norge kan lære av disse erfaringene. En omlegging av kvoteåret kan være positivt for fiskernes mulighet for å planlegge, man reduserer usikkerheten knyttet til planlegging av driften i andre halvår. De som f.eks. har planlagt et aktivt høstfiske, men som følge av dårlig vær ikke har fisket opp det planlagte kvantumet, kan fiske det resterende kvantumet i løpet av vinteren og sommeren. Man kan altså justere driften fortløpende i forhold til de rådende værforhold og pris- og ber i sitt forslag regjeringen vurdere både justering av kvoteåret samt økt kvoteavsetning til bifangst som virkemidler for å jevne ut landingene av torsk over året og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Dette forslaget er veldig likt både Fremskrittspartiets og Høyres forslag, men vi skiller lag f.eks. der Fremskrittspartiet ber om forslag fra regjeringen allerede våren 2011. tror at dette dessverre, med de prosessene som skal til, vil ta noe lengre tid. I sak er vi enige både med Høyre og Fremskrittspartiet. Når jeg har tatt opp dette temaet i mitt hjemfylke, har jeg fått ulike signal. En fisker sa til meg at endringer av kvoteåret kan utvilsomt ha mye for men dette er ikke det største problemet i norsk fiskeripolitikk akkurat nå. Så jeg fremmer forslaget fra Kristelig Folkeparti, og så får vi se hva som skjer. Statsråden har gitt en åpning ved at det skal arbeides videre med disse spørsmålene. Det har fiskeriministre av ulike politiske farger sagt siden tidlig på 1990-tallet. Jeg skjønner utfordringene. Dette kan vi ikke bare vedta. Her må det faktisk forhandles, både i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon og i Det internasjonale havforskningsrådet. Jeg skjønner godt at dette er krevende, og ønsker statsråden lykke til med det arbeidet. Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det er registrert at det fra enkelte hold er

Spesielt innenfor hvitfisksektoren har det vært ønskelig med en sesongjustering med en endring av kvoteåret, sånn at fisket kan starte på høsten. Her vil jeg vise til brevet fra fiskeri- og kystministeren i saken, at det å endre kvoteåret vil være en lang og krevende prosess, og at endringene bl.a. vil forutsette enighet med andre land som Norge har avtaler om forvaltning av felles bestander med. Og som statsråden viser til i sitt brev, blir det verken mer fisk eller økte kvoter om man endrer kvoteåret. Regjeringspartiene er imidlertid alle opptatt av å ha en regulering av fisket som ikke bare er rasjonell, men som så langt som mulig legger til rette for effektivitet og fleksibilitet, samtidig som vi sikrer tilgang på råstoff for industrien. Regjeringspartiene er derfor tilfreds med at statsråden i samme brev sier at hun vil arbeide videre med disse spørsmålene, og vil invitere næringen til å komme med innspill for å sikre at tiltakene som iverksettes, er både treffsikre og rasjonelle. I mellomtiden er vi enige i vurderingene om at bifangstordningen vil være et godt tiltak for å øke fangsten av torsk, hyse og sei på høsten, og at dette forhåpentligvis vil bidra til en jevnere levering over året og økt aktivitet på høsten. Det var i grunnen det jeg hadde tenkt å si. Først av alt, slik at jeg ikke glemmer det, vil jeg fremme Fremskrittspartiets forslag, slik at jeg trygt kan gå ned fra talerstolen etterpå, uten å måtte springe tilbake. Den saken som vi har til behandling i dag, og som er et representantforslag fremmet av flere representanter fra Høyre, er svært viktig. Det er et viktig forslag fordi det illustrerer ett av de elementene som vi bør se på med hensyn til hvordan vi kan få opp verdien knyttet til førstehåndsomsetningen av fisk. Kort: Vi har gang på gang også i denne sal diskutert hvordan vi kan klare å få til en enda større verdiøkning på produktene våre i Norge, istedenfor at den største delen av verdiøkningen på råstoffet vårt tilfaller utenlandske filetfabrikker e.l. I så henseende er dette forslaget svært viktig, fordi det kan gi oss et redskap nettopp for å kunne planlegge annerledes, ut fra hvordan markedet ser situasjonen. Da må også fiskerne ha mulighet til å kunne fordele fangsten sin på en annen måte enn det som ligger innenfor kvoteåret per i dag. Men så kommer selvfølgelig den andre problemstillingen opp, og det er at det ikke er sikkert at det er ideelt for alle fiskeslag. For torskefisken som for hvitfisken er det nok meget mulig at dette kan være et veldig viktig grep, men jeg er litt mer usikker når det gjelder bl.a. pelagisk sektor, der man har en annen fisketid enn det man har i denne sektoren. Hvis man flytter kvoteåret slik at det starter 1. september, er det jo nettopp da man starter det pelagiske fisket, bl.a. Derfor er det viktig at man har slingringsmonn når man har med fisk å gjøre. Når det gjelder bifangst, er det en svært viktig sak, som man er nødt til å se på. Representanten Lillian Hansen sier i sitt innlegg at det vil ta tid å gjennomføre dette, og at man er avhengig av avtaler med andre land. Ja, selvfølgelig er man det! Men derfor er det desto større grunn til å signalisere at nå får vi begynne å gjøre det. Da vi sørge for at vi legger press i forhandlingene knyttet til det. Jeg er svært spent på å høre fiskeriministerens innlegg om en liten stund. Jeg ber om at hun da helt klart gir signal om at de har spilt dette inn i de forhandlingene som vi nettopp har lagt bak oss. Hvis vi spiller dette inn i forhandlingene de forskjellige fiskeslagene, kan det være en måte å gå videre på. Det er jo dette som er det store spørsmålet. Vi må slutte med bare å prate, vi må begynne å handle. Det er slik jeg oppfatter representantforslaget fra Høyre, at nå må vi komme et steg videre. Det er riktig, som representanten Andersen Eide sier i sitt innlegg, at det ikke er stor forskjell på forslagene. Men det er en vesentlig forskjell. Fremskrittspartiet sier i sitt forslag klart at man skal ha med aktørene innenfor fiskeriene før man får på plass en avtale, slik at alle får være med og si sin mening i det utvalget der man diskuterer det. Når det gjelder tidsfaktoren – altså våren 2011 – er jo det selve forslaget fra regjeringen med hensyn til hvordan vi skal gå videre. Det er ikke snakk om at avtaleverket skal være på plass i 2011, men vi må jo begynne et sted. Hvis vi ikke gir et signal om at vi ønsker at dette skal behandles raskt, og at man må komme i gang med det, går det fortsatt vinter og vår, som representanten Andersen Eide også var inne på i sitt innlegg. Så jeg håper at regjeringen kan snu. Det er vel liten sannsynlighet for det, men vi gjør i hvert fall et forsøk og skal stemme over forslaget etterpå. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp det forslaget han refererte til. Gode muligheter for å planlegge driften og langsiktige rammevilkår er man gjerne etterstreber, uavhengig av hvilken næring man driver i. Situasjonen for hvitfisknæringen er vel kjent her i denne salen. Den har vært ganske så turbulent og til tider vanskelig de siste årene. Selv om mye går bra på hjemmebane, vi forvalter bra, og kvoten øker, er det faktisk slik at vi har vanskeligheter med å se at vi får den store lønnsomhetsøkningen innenfor denne delen av fiskeindustrien. har gjennom sin ferskfiskstrategi beskrevet markedspleie og tilgang på ferskt råstoff som en vei ut av det uføret man nå er i. Også store aktører som Aker Seafoods har vedtatt strategier der dette beskrives som en riktig vei. Man har de siste årene forsøkt forskjellige modeller for å oppfylle departementets strategi. Vi har prøvd distriktskvoteordning, refordeling og bifangst, og kvotebank og endring av kvoteåret har vært nevnt. Distriktskvoteordning, refordeling og bifangst har alle det til felles at det betinger et stort byråkrati og ellers vanskeliggjør fiskernes og industriens muligheter for å planlegge langsiktig for en markedsrettet drift. Jeg har tidligere hevdet og vil opprettholde uttalelsen om at distriktskvoteordningen sysselsatte flere byråkrater enn den har sysselsatt industriarbeidere – noe vi vel alle er enige om ikke var meningen med forsøket. Tidlig i november kunne man i A-presseaviser og i FiskeribladetFiskaren lese om en jublende leder i Båtsfjord Arbeiderparti ved navn Geir forklaring på sitt gode humør og adventlige lovsang var at fiskeriministeren nå personlig hadde meddelt ham at tillatt mengde innblandet torsk i bifangstfisket var økt til 49 pst. Dette er en julegave for flåte, industri og kystsamfunnene i Finnmark, sa den glade leder i Båtsfjord Arbeiderparti. Og Knutsen har dessverre helt rett. Reguleringene av torskefiskeriet er nå blitt så rigide at flåte, industri og lokalsamfunn langs kysten langt på vei er avhengige av at statsråden opptrer både som påskehare og julenisse for at de skal kunne opprettholde driften. Dette kan vi, etter Høyres mening, ikke være bekjente av. Det kan ikke være slik at man skal sitte om bord i båten og vente på at det kommer en ny forskriftsendring, og så kan man gå på havet. Man må komme til en eller annen ordning, der man Endring av kvoteåret er en gammel sak som har vært diskutert og utredet en rekke ganger og en rekke steder. Vi løfter denne saken opp til stortingsbehandling nå av flere grunner. Jeg vil vise til statsrådens svarbrev og kommentere noen punkter. Det er ikke, slik statsråden legger til grunn, at dette bare vil gjelde hvitfisk som torsk, hyse og sei. Problematikken diskuteres faktisk også innen pelagisk sektor. Jeg er klar over at fangsttoppen er annerledes i det året. Men i pelagisk sektor diskuterer man endring av starten på Allikevel er det nok slik at hovedproblemet nå finnes innenfor hvitfisknæringen, og statsråden oppsummerer det selv på en glimrende måte i innledningen sin. Jeg siterer: «I dagens situasjon kan det være at fiskerne ikke tar noen sjanse på å utsette fangsten til høsten, da det kan oppstå forhold som gjør at de ikke er i stand til å fiske opp kvoten.» De alt overveiende forhold som kan oppstå, har byråkratiet skapt med sine reguleringer. Det er ikke slik at det er uforutsette faktorer som sørger for sammenfallende med start på vintersesongen, krav om å være ferdig med basiskvoten før man går i gang med overregulering, og sist men ikke minst, at man i år starter bifangstfisket midt i juni, gjør at fiskerne ikke har noe valg. Man må ta kvoten så fort som mulig, hvis ikke går man glipp av store inntekter. Det er en regulering stikk i strid med departementets uttalte strategi om å kunne levere fersk fisk til et godt betalende marked året rundt. Høyre vil gjerne ha en fiskeri- og næringspolitikk som i minst mulig grad opererer med kostnadsdrivende og kompliserte reguleringer. Samtidig skal man ikke gå på akkord med kravet om at bærekraftig forvaltning er en forutsetning for økonomisk bærekraft. Forslaget om å starte kvoteåret den 1. september er drøftet med veldig mange aktører i fiskerinæringen, og det møter liten motstand. Vi er klar over at Russland og Norge samarbeider godt om fiskeriforvaltning, og vi forstår at det er viktig å få forståelse for en slik løsning, også hos andre land. Det hører jo med i dette bildet at Island har sin kvotestart september. Det er derfor ikke en veldig kalorikrevende øvelse å ramse opp motforestillinger, men det er ikke det jeg tror fiskerinæringen trenger. Næringen trenger løsningsorientert politikk som skaper gode vilkår for næringslivet i hele landet. Det er ikke slik at politikere kan vedta at en næring skal bli markedsorientert, det må næringen utvikle selv. Men politikerne kan gjøre vedtak som letter arbeidet med å pleie et marked, og hente ut større verdier. Etter Høyres mening er det et slikt forslag vi har kommet med. Derfor vil jeg gjerne ta opp forslaget, og i tillegg vil jeg meddele at hvis Høyres forslag, mot formodning, skulle bli nedstemt, vil vi subsidiært stemme for Fremskrittspartiets forslag. Representanten Frank Bakke-Jensen har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er nærheten til produktive fiskefelt og vandringsmønsteret til de store fiskebestandene som har gjort Norge til verdens nest største eksportør av sjømat. Et av våre største fortrinn er at både torsk, hyse, sild og lodde i perioder av året kommer inn til kysten og gir grunnlag for rike fiskerier. Men fiskebestandene er ikke alltid tilpasset krav fra kresne markeder i Europa, som vil ha leveranser av fersk, norsk sjømat hele året. Grunnleggende sett er det umulig å regulere oss bort fra naturens egne sesonger og fiskens vandringsmønster. Det er nå engang slik at både torsk og hyse kommer inn til kysten i store konsentrasjoner om vinteren, og flere andre fiskerier har en klar sesongprofil, herunder f.eks. fiske av makrell. Den minste delen av flåten – altså sjarkene – er den minst mobile og mest værutsatte, så sjarkenes driftsmønster er tilpasset sesongfiskerier når fisken er tilgjengelig nær kysten. Slik sett vil det være både urealistisk og uansvarlig å forvente at sjarkflåten skal spille en viktig rolle for å sikre utjevning av landingene over året, uansett når kvoteåret måtte starte. fartøyene må få lov til å fiske når fisken faktisk er tilgjengelig, og slippe å risikere liv og utstyr i dårlig vær langt til havs. Fiskeindustrien, og da særlig filetprodusentene, har hatt den samme utfordringen med tanke på jevne leveranser helt siden den ble etablert. For å løse den utfordringen ble det delt ut trålkonsesjoner, ettersom trålerne har helt andre forutsetninger for å fiske året rundt. Fortsatt er det slik at det er fiskeindustriaktørene som er de største trålrederne i Norge, gjennom sitt eierskap i trålerne, og de har faktisk mulighet til å gjøre noe. Selv om det fins gode argumenter både på den ene og den andre siden, er det slik at en endring av kvoteåret ikke vil føre til mer fisk, og det vil heller ikke føre til økte kvoter. Men det er mulig at det kan bidra til økt tilførsel av råstoff til industrien om høsten, i hvert fall i enkelte fiskerier. Samtidig må vi ta inn over oss at en endring av kvoteåret også vil ha geografiske konsekvenser innen torskesektoren, og vil opplagt være til fordel for Finnmark. Som jeg har vist til tidligere, er det visse utfordringer ved å endre kvoteåret, men det er ikke umulig. Det er en del som må på plass for at det kan bli en realitet. Og bare for å svare på spørsmålet fra representanten Nesvik: Dette har ikke vært et tema i forhandlingene med de andre nasjonene siden jeg ble statsråd. Men det betyr ikke at det ikke kan bli det i framtiden. Alle gode forslag er jeg villig til å diskutere. Men i hvert fall parallelt med denne problemstillingen må vi både finne og videreføre ordninger som ivaretar samme formål på en god måte. Bifangstordningen har vært nevnt, og den har vist seg å oppfylle – i hvert fall i noen grad – de samme intensjonene som ligger i vil jeg også videreføre den ordningen til neste år. Formålet med ordningen er å sikre et høstfiske etter torsk, hyse og andre arter, og dermed bidra til jevnere leveringer over året og totalt økt aktivitet på kysten. Samtidig legger jeg stor vekt på å unngå reguleringer som stimulerer til kappfiske, og som forsterker sesongtoppene. Utjevning av landingene over året, tilgang på råstoff av beste kvalitet og samspillet mellom fiskeflåten og produsentene på land er helt avgjørende for å realisere regjeringens visjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor er denne debatten viktig, og jeg prioriterer arbeidet med disse spørsmålene høyt. Og som jeg sa: Alle gode forslag som bidrar til å høyne verdien av norsk sjømat, tar jeg selvsagt med

der vi ber om at regjeringen setter seg ned sammen med partene – både på fisker- og kjøpersiden, på industrisiden og på salgssiden, altså fiskesalgslag etc. – for nettopp å komme fram til ordninger her, ordninger som kan være en vei å gå. Jeg er også overbevist om at det vil ta tid før det er mulig endelig å få på plass et system der de andre landene også er med. Men, som sagt, Island har allerede innført 1. september som start på året. Spørsmålet mitt til statsråden er: Vil statsråden i hvert fall prøve å få kalt inn til et møte for samtaler med aktørene for å se om dette kan være veien å gå? Jeg snakker veldig ofte og veldig mye med aktørene på kysten, både fiskerne og landsiden. Begge er viktige aktører for at vi skal lykkes med å få til god regulering av fiskeriene, men ikke minst for å høyne verdien av norsk sjømat. Jeg snakket faktisk med Norges Fiskarlag senest i dag, vi diskuterer bl.a. bifangstordningen for at den skal kunne treffe godt, og vi diskuterer overreguleringer, som en viktig parameter for å unngå et kappfiske. Det er mange elementer som er viktige i denne debatten. Jeg sitter nå midt oppe i det, knyttet til neste års reguleringer. Jeg vil diskutere kvoteåret med partene, og jeg er kjent med den debatten som har gått i næringen. Men jeg tror nok det svaret representanten Eide har fått, er litt symptomatisk for en del – at det i hvert fall ikke er dette som er fremst i pannebrasken hos fiskerne akkurat for Mye av dette forslaget handler på et vis om å overlate til aktørene i næringen å kunne planlegge året sitt i større grad selv – dette fordi mange med meg har en idé om at man da skal kunne øke verdiskapingen ved denne produksjonen. Det hevdes jo fra industrien at det om høsten er et godt betalende ferskfiskmarked. Det er en del av bakgrunnen for ferskfiskstrategien til regjeringen. På et tidligere spørsmål fra meg om det med kvoteordninger sa ministeren at om høsten er et godt betalende ferskfiskmarked. Det er en del av bakgrunnen for ferskfiskstrategien til regjeringen. På et tidligere spørsmål fra meg om det med kvoteordninger sa ministeren at det jo allikevel bare vil være et nullsumspill. Kan statsråden kanskje utdype hvorfor man mener at det at aktørene får planlegge driftsåret sitt i større grad selv, bare vil være For å ta begrepet nullsumspill, ligger det jo i det at det verken vil bli mer fisk eller mer kvote ved å starte kvoteåret på et annet tidspunkt enn ved årsskiftet. Det blir heller ikke flere dager i et år, så fiskerne vil ikke få flere dager å fiske på. Så til muligheter for å jeg har stor sans for, og vi diskuterer virkelig inngående nå i forbindelse med neste års reguleringer hvordan en skal gi fiskerne større mulighet til å planlegge året sitt selv. Det viser f.eks. at overreguleringer betyr mye, for det er klart at dess høyere overreguleringer en legger inn, dess større er risikoen for kappfiske. Det handler om at dess større andel faste kvoter, dess enklere er det å planlegge. Så starten og slutten på et kvoteår tror jeg ikke vil være det som forbedrer noe. Forbedringen vil jo være at man får et godt fiske om høsten, noe som også en god bifangstordning vil gi. Neste replikk er fra Frank Bakke-Jensen. Et lite øyeblikk – på min skjerm står det Bakke-Jensen, men jeg forstår at Nesvik har tegnet seg til replikk først. Da er det Nesvik som får den replikken. Takk for det. Det kan hende vi til og med skulle spørre om det samme, men det vil nå vise seg. Statsråden snakker om et nullsumspill. Hun snakker om at antall fisk, altså kvoten, MTB, og hvor mye man kan ta ut, ikke vil endre seg. Det er helt riktig. Man får ikke flere dager heller. Men man kan oppnå en annen ting, man kan planlegge virksomheten mer ut fra hva markedet er villig til å betale. Så lønnsomheten i næringen vil kunne gå opp, altså prisen både på førstehånd og på andrehånd, fordi man kan planlegge mer i henhold til markedet. vil gå opp fordi man slipper noe av det man i dag innenfor næringen omtaler som såkalt olympisk fiske for å bli raskest mulig ferdig, og for å komme over på neste fiskeri. Vi har sett det litt på makrellsiden også i høst, knyttet til at man fisket veldig mye veldig tidlig fordi man visste at silda kom i ettertid. Spørsmålet mitt til statsråden da følgende: Ser ikke statsråden viktigheten av å kunne planlegge bedre i tråd med markedet, slik at verdien av fangsten går opp uten at det nødvendigvis gir seg utslag i kvoten? Jo, jeg ser absolutt verdien knyttet til at lønnsomheten vil gå opp, og at planleggingshorisonten kan bli noe annerledes. Mitt poeng er at en god bifangstordning som treffer, vil ivareta det samme. Da vil det for fiskerne, hvis det er satt av en kvote av torsk til høstfisket med bifangst, bli en tilleggseffekt ved at de får opp hyse og sei, som for en altfor stor del blir stående igjen i havet ufisket. Det synes jeg ikke sjømatnasjonen Norge bør være bekjent av. Vi bør ta opp de ressursene som vi faktisk har gode og store kvoter på, for å gi industrien et råstoff.

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra statsråden innenfor den fordelte taletid.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

Jeg vil i mitt innlegg redegjøre for regjeringspartienes standpunkt i denne saken, og jeg regner med at opposisjonen vil redegjøre for sitt syn. La meg innledningsvis starte med å si at jeg er glad for at vi stadig har debatter om viktige fiskeripolitiske problemstillinger i denne salen. Det er viktig, ikke minst for Norge som fiskerinasjon, og som en framtidsrettet og ledende aktør i det globale sjømatmarkedet. er viktig for sysselsetting og verdiskaping langs kysten, og norsk sjømateksport var i 2009 på hele 44,7 mrd. kr. Norge har særegne muligheter knyttet til vår plass i nord og ved kysten. Regjeringspartiene er opptatt av at verdiskapingen av våre felles fiskeriressurser i størst mulig grad skal komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode. Vi er opptatt av å ha en variert flåte og rettferdig fordeling av fiskeriressursene, som bidrar til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, og som kan sikre industrien helårig, stabil tilgang på råstoff. Regjeringspartiene har et klart fiskeripolitisk ønske om å opprettholde et havfiskemiljø i Nord-Norge utover de industrieide torsketrålerne, gjennom nordnorske eierskap, for å bidra til råstofftilførsel til foredlingsanlegg i landsdelen og aktivitet for ulike grupper av leverandører samt å bidra til lokal rekruttering. Derfor understreker vi viktigheten av at fylkesbindingene blir overholdt for å opprettholde en geografisk spredning av både den konvensjonelle kyst- og havfiskeflåten og den relative fordelingen av slike fartøy mellom fylkene, slik at målsettingen og intensjonene i dagens regelverk blir overholdt. Jeg har lagt merke til at Høyre og Fremskrittspartiet ikke er så opptatt av å beholde fylkesbindingene, og jeg vil understreke at en slik politikk vil ramme de fiskeriavhengige kystsamfunnene i nord. Når det gjelder deltakerloven, er regjeringspartiene opptatt av å beholde både denne loven og råfiskloven. I den sammenheng vil jeg vise til at FKD har besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal se på følgende områder: fra prøveordningen med meklingsinstans ved uenighet om fastsettelse av minstepris på omsetning av fisk i første hånd og den evalueringen som er gjort av prøveordningen, eventuelt foreslå tiltak, samt oppdatering av råfiskloven i forhold til utviklingen av salgslagssystemet etter at loven ble vedtatt i 1951. Mandatet for arbeidsgruppen er begrenset av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en minstepris for fisk i første hånd, og det understrekes at dette er en gjennomgang av tekniske forhold i råfiskloven. Når det gjelder deltakerloven, har hovedregelen om at bare aktive fiskere kan gis ervervstillatelse for fiskefartøy, gitt grunnlag for at norsk fiskeflåte i dag i det alt vesentlige består av selvstendige fiskere som eier sine egne fartøy, og som selv styrer sin virksomhet, som andre selvstendige næringsdrivende. Denne regelen ivaretar deltakerlovens formål, å legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. Det er derfor ikke noen tvil om at deltakerlovens bestemmelser her har bidratt til at lovens formål ivaretas, og vi kan ikke se argumenter for å endre dette. En samlet komité understreker at deltakerloven § 7 også i praktisk utøvelse skal gjennomføres i tråd med målsettingene og intensjonene i disse unntaksreglene, og tilpasningene som er gjort i annet regelverk for samme formål. På bakgrunn av dette mener de rød-grønne partiene at det ikke er grunnlag for en påstand om at regelverket medfører unødvendig byråkrati i forbindelse med generasjonsskifter, og at forslaget på dette grunnlaget bør avvises.

Det er dessverre slik at også innenfor næringslivet og andre steder endrer situasjonen seg med jevne mellomrom, også innenfor fiskerinæringen. Jeg skal nevne et enkelt eksempel. I disse dager har vi en oppløsning, eller deling, av et rederi i Norge, Møgster-rederiet, knyttet til bl.a. det med utskillelse av båter. Vi har sett i Her kommer nettopp problemstillingen inn i bildet veldig fort i forbindelse med et generasjonsskifte i et rederi. Hvis den ene parten har hatt en eierandel som er på under 50 pst., og ikke har vært aktiv fisker, må han da søke om dispensasjon for å kunne ta over. Den dispensasjonen blir gitt over et visst antall år, det er vel fem år. Hva så? Det viser jo faktisk at regelverket ikke er tilpasset den virkeligheten vi befinner oss i. Jeg skal ta et annet eksempel. Hvorfor er det av absolutt viktighet at hvis du driver et rederi som består både av en fiskebåt og sju supplybåter, sier man følgende gjennom deltakerloven: Du har ikke lov til å eie denne fiskebåten hvis Vel, da er mitt spørsmål: Hvilken kompetanse er det vi skal kreve av dem som skal drive rederi i framtiden? Man har fått en masse sånne kombinasjonsrederier, som driver både med fiskeri og supply- og offshorevirksomhet. Det viser jo med all tydelighet at kanskje tiden har gått litt fra det mest rigide regelverket i deltakerloven. Jeg satte meg ned på kontoret mitt før i dag og leste deltakerloven en gang til, nettopp for å se på om det er ting som det er absolutt grunn til å vurdere. Ja, selvfølgelig er det det! Derfor bør jo statsråden igangsette et arbeid nettopp med å se på om det er regler og forskrifter tilknyttet denne loven som man med fordel kan forsøke å endre – ikke forsøke å endre, statsråden og regjeringen kan jo endre – slik at de blir mer tilpasset virkeligheten som er der ute per i dag. Når det gjelder denne saken, som jeg også hørte nå fra representanten Lange Nordahl, prøver man altså nok en gang å nøre opp under nord–sør-konflikten og viktigheten av å holde på fylkesdelingen, fylkesbindingene. Hvorfor det? Det hadde vært fristende å si at fisken ser jo ikke fylkesgrensen under Men det er jo helt åpenbart at her er det er altså bostedsadressen, hvor langt nord du kommer fra, som er det som skal være bestemmende, ikke hvor fiskeriavhengig du er. Lange Nordahl viser til fiskeriavhengighet – men det er jo mange kommuner langs hele kysten som er fiskeriavhengige. Se på Herøy, se på Austevoll, se på Egersund. Ja, det er mange kommuner som er fiskeriavhengige, men det ser altså ut som om enkelte mener at fiskeriavhengighet er synonymt med Nord-Norge. Det er det ikke. Vi må ha en flåte som er tilpasset hele fiskeriet. Strukturen i flåten må være av en sånn karakter og med en variasjon som gjør at vi kan høste bærekraftig av det naturen gir oss. Man kan ikke lage sånne konstruerte problemstillinger mellom nord og sør. Det er greit å flytte konsesjonen fra sør til nord, må bare ikke prøve å gjøre det motsatte! Dette viser med all tydelighet at det er på tide i hvert fall å foreta en gjennomgang og en modernisering av deltakerloven. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp de forslag som han refererte til. Jeg får si det sånn at hvis det er noen forslag igjen, så tar jeg dem opp med en gang. Det er ett igjen. Ja, så har jeg ikke glemt det. Hverdagen – også for fiskeren – er i stadig endring. Det må samfunnsdebatten være åpen på. Modernisering av flåte, ny industri, fiske på nye arter, produktutvikling, nye og endrede markeder, større fokus på flerbestandsforvaltning, nye modeller for eierskap og fiskeriflåte engasjert i andre og industrier, som f.eks. oljevern, er blant flere momenter som bør være en aktiv del av en debatt om sjømatnæringen. Samtidig er det sånn at sjømatnæringen i aller høyeste grad er regulert gjennom lovverk og forskrifter. Den er regulert slik at den skal oppfylle samfunnets ønske om at vi skal ha både kystflåte og havgående flåte, vi skal ha konvensjonelt og pelagisk fiskeri, og vi skal ha en industri som kan skape sysselsetting og velstand langs hele kysten. Lovverket skal oppfylle samfunnets ønske om hvor eierne skal være bosatt, hvem som kan eie, regler for hvor mye man kan eie, fra hvem man kan kjøpe, og til hvem man kan selge. Vi leser av departementets svarbrev at statsråden er vel kjent med dette lovverket. Vi i Høyre mener også at det er behov for reguleringer, men vi hevder at det er helt avgjørende at reguleringen virker etter sin hensikt. Dessverre er det grunn til å tro at det i enkelte tilfeller ikke er intensjon med forslaget er å skaffe mer kunnskap om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen. Det er beklagelig, og etter min mening også ganske betenkelig, at regjeringen Stoltenberg ikke ønsker mer kunnskap og åpenhet rundt dette feltet. I fiskerisektoren har denne problemstillingen de siste årene vært tema for en rekke debatter. Noen av tilfellene gjaldt eierskifte i fiskeindustribedrifter, hvor anlegg og virksomhet blir værende i nord sammen med trålerne som sørger for råstofftilførselen, men hvor eierskifte har medført endring fra nord til sør. En del tillatelser gjaldt salg av såkalte småtrålere fra fiskeindustrien til aktive fiskere. Noen av sakene gjaldt strukturordninger, som bør være velkjent for regjeringspartiene. Også arv og generasjonsskifter skaper problemer og debatter i denne næringen. Høyre ba Stortingets utredningsseksjon undersøke fordelingen av henholdsvis verdier, ressurser og eiere mellom nord og sør samt å få rede på hvor eierne bak selskapene som er registrert her, faktisk bor. Fra Fiskeridirektoratet fikk Stortingets utredningsseksjon vite at direktoratet har et eierregister der de skal ha en oversikt over eiere i første ledd, men at eierskapet innenfor fiskerinæringen er spredt sånn at det er vanskelig å komme med en konkret oversikt. Hvis man baserer seg på Fiskeridirektoratets eierregistre, er det vanskelig å forklare hvordan fangstverdien fordeles i forhold til eier. Det er etter Høyres mening ganske uheldig hvis det offentlige ikke har oversikt over de reelle eierne og maktforholdene i næringen, når vi har et lovverk som skal regulere denne typen. Svaret fra fiskeri- og kystministeren av 14. juni 2010 var heller ikke informasjon om eiere fra merkeregisteret er imidlertid ikke alltid like lett å presentere som statistikk.» Nei vel, men vi har da et lovverk, og da må det være mulig å etterspørre hvordan det står til. Jeg blir litt imponert når jeg hører representanten Lange Nordahl her påstår at Høyre skal oppheve fylkesbinding og slike ting. Nå kom saken litt brått på, men jeg satt og talte opp fra Finnmark og Troms siste halvannet år. Jeg kom til 13. Jeg mener jeg skal komme til nærmere 20 før kvelden er omme. Disse kvotene er også solgt nedover til Møre. Grunnen til at man selger dem, er at man har fått en strukturordning, som ble endret under tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, der man ikke får lov til å fullstrukturere, slik som man kunne ha gjort med en del andre. Nå er de kvotene av en slik størrelse at de ikke er lønnsomme, for det å sitte med én sildekvote skaper ikke lønnsomhet, og man selger den i stedet, slik at man skal kunne få økonomi til annet i driften. Dette er altså en strukturordning, en politikk og en regulering som gjør at vi tømmer landsdelen for rettigheter. Så må representanten Lange Nordahl gjerne påstå at det er Høyre som er den store, stygge ulven her, men jeg foreslår at hun reiser nordover og spør om det er slik at alt er trygt og godt, og om vi har konservert alle rettighetene. Representanten Frank Bakke-Jensen har tatt opp det forslaget han refererte til. Deltakerloven er en viktig pilar i en sak der man drøfter eier- og maktforhold i fiskerinæringen. Det er deltakerloven som gir rett til å delta i fiske og fangst, og du kan ikke fiske for å tjene til livets opphold, ha ervervsmessig fiske, uten at det er gitt tillatelse. I Merkeregisteret dokumenteres eierforhold, enten man er alene eller har fartøy i et selskap med flere eiere. I Fartøyregisteret finner man alle opplysninger om fartøyet, hvem som eier og antall konsesjoner fartøyet har. Deltakerloven burde sammen med disse registrene gi en god oversikt over eier- og maktforhold i fiskerinæringen. Forslagsstillerne påpeker at det er unøyaktig statistikk fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder bl.a. restriksjoner mot å selge fartøy fra område til et annet, eller salg fra Nord-Norge til Sør-Norge. Det påpekes også manglende kontroll på hvor eierne bak selskapene som er registrert f.eks. i nord, faktisk bor. Jeg er enig med Høyre i at det er uheldig dersom direktoratet har et system som er unøyaktig. Da må det ryddes opp. Enhver lov som man begynner å gi dispensasjoner fra, kan uthules. Derfor er det viktig å begrense adgangen til slike dispensasjoner. Myndighetene må ha kontroll på hvem som eier og driver båtene. En annen lov, råfiskloven, er også en viktig pilar i fiskeripolitikken. Fiskeressursene må forvaltes i et langsiktig perspektiv. Hensynet til levedyktige bestander må gå foran kortsiktige næringshensyn, slik at fiskeressursene fortsatt kan danne grunnlag for eierskap og sysselsetting både på sjø og på land. Kristelig Folkeparti mener at det ved fordeling av kvoter bør legges mer vekt på å skape lokale arbeidsplasser både på sjø og på land. Det er viktig med fornyelse av fiskeflåten, men en må unngå at fornyelsen fører til behov for langt større kvoter for å forrente investeringene. Det er viktig å sikre ungdom mulighet til å komme inn i næringen og kunne starte som fisker uten store investeringer i båt og utstyr. Mange unge har også mulighet til å starte med fiske ved å føre videre familiens selskap. Kristelig Folkeparti er sammen med Høyre og Fremskrittspartiet om et forslag om å endre regelverket, slik at generasjonsskifter kan skje på en og at regjeringen gjør rede for problemstillingene knyttet til generasjonsskifter i familieeide selskaper. Her må vi ha smidige ordninger. Jeg utfordrer regjeringen til å se på dette som en del av forenklingen som skal skje fremover, uten at dette uthuler det lovverket vi har i fiskerinæringen. I innstillingen er
ulike partier innom forskjellige forhold. Jeg skal nøye meg med å kommentere noen av dem. Et hovedformål med deltakerloven er å opprettholde en fiskereid flåte. Loven oppstiller derfor et aktivitetskrav man må altså ha vært aktiv fisker på eller med norsk fiskefartøy for å få adgang til å eie et fartøy som skal drive ervervsmessig fiske. Så har vi noen unntak fra dette. Det er unntak for fartøy under 15 meter for å kunne starte som fisker med eget fartøy. Det er adgang til dispensasjon når «næringsmessige og regionale hensyn tilsier det», og det er egne regler for Et mindretall av komiteens medlemmer fremmer forslag om å endre regelverket, slik at generasjonsskifter kan skje på en mer ubyråkratisk måte. Jeg minner om at disse reglene ble endret i 2004, på grunnlag av et forslag fra regjeringen Bondevik II, for å legge bedre til rette for at en arving eller den som overtar etter et generasjonsskifte, kan få en midlertidig ervervstillatelse for fem år om man på det tidspunktet ikke oppfyller det alminnelige aktivitetskravet. Senere har vi gjort endringer i reglene for fiskermanntallet, slik at dette fikk et reelt innhold også i kystflåten. Generasjonsskifte i et fiskebåtrederi er ikke gjenstand for en mer eller mindre byråkratisk behandling enn andre søknader, men det må søkes om ervervstillatelse, og fiskerimyndighetene skal ha inn alle opplysninger om det nye eierforholdet. for å gå fra den midlertidige tillatelsen til en ordinær tillatelse er imidlertid at det alminnelige aktivitetskravet er oppfylt. Det er ikke nødvendig å være fisker om bord på fartøyet for å oppfylle aktivitetskravet. En eier som administrerer driften fra land, kan også godkjennes som aktiv fisker i lovens forstand. Man kan gjerne diskutere om et slikt aktivitetskrav skal gjelde for den som overtar et fartøy som arving. Jeg mener at det er nødvendig. I motsatt fall ville vi i løpet av noen tiår ha undergravd aktivitetskravet og prinsippet om en fiskereid flåte. Forslagsstillerne har etterlyst en sak om eier- og maktforhold i fiskerinæringen og kritiserer forvaltningens påståtte manglende oversikt over situasjonen. Som jeg gikk gjennom i mitt brev til komiteen: har oversikt over eiersituasjonen og kan til enhver tid framskaffe informasjon både om hvor mye og hva en enkelt person eller foretak eier, og hvordan eierspredningen er i en fartøygruppe eller i flåten som sådan. I mange tilfeller er det kompliserte eierforhold i et foretak. Det er grunnen til at de åpne registrene ikke alltid viser fram tilstrekkelige opplysninger til at en bare ut fra det kan sette sammen slike oversikter. Informasjon er imidlertid tilgjengelig i direktoratets interne registre og arkiv. Det er bl.a. behovet for å kunne utarbeide slike oversikter som gjør at vi må ha noen «byråkratiserende» ordninger – søknadsplikt ved eierendring og informasjon om eierskap gjennom selskapsleddene, bakover til personer. Med bakgrunn i det jeg har sagt nå, har jeg ikke sett noen grunn til å legge fram en slik sak som mindretallet ber om, rett og slett fordi det ikke er noen indikasjoner på at det foreligger et problem. Den største konsentrasjonen finner vi i torsketrålgruppen, hvor en utvidelse av konsentrasjonsmuligheten som ble åpnet gjennom en instruks fra departementet i 2003, nå er nedfelt i konsesjonsforskriften fra 2006. Når det gjelder kystflåten, ble det foretatt en gjennomgang i et høringsnotat fra departementet i 2007, uten at vi fant grunn til å innføre noen eierskapsbegrensninger. Jeg må derfor si meg tilfreds med at komiteens flertall avviser mindretallets forslag – ikke fordi regjeringen er imot åpenhet om eierforholdene i norsk fiskeflåte, men fordi det er åpenhet, og ikke fordi regjeringen viker tilbake for å se det reelle bildet av eierforholdene, men fordi vi har oversikt. Skal vi beholde den oversikten, er vi avhengig av en søknadsplikt og en plikt til å gi informasjon om eierforholdene i søknader. Skal vi opprettholde en fiskereid flåte, må det også være slik at arvinger velger å bli fiskere om bord eller aktive administrerende redere for å beholde eierskapet

Man deler altså med ca. 33 pst. på hver. I henhold til deltakerloven er det ikke godkjent som eierskap, fordi eierandelen til vedkommende som skal drive rederiet, og som da må være aktiv fisker, er for lav. Spørsmålet mitt til statsråden er: Hva er det mest fornuftige i en sånn situasjon? Skal man måtte selge båten, eller skal man tvinge de andre til å gi fra seg sin del av arven for at statsråden skal få viljen sin – en fiskereid flåte? Å gå inn i diskusjon om hvordan den enkelte fordeler sin arv, synes jeg vel er å gå litt langt, men jeg ser problemstillingen. Jeg er selv andre generasjon – ikke til en fiskeflåte, så vi har ikke sånne regler. For meg og for regjeringen er det viktig å ha en fiskereid flåte. Hvis vi uthuler det regelverket gjennom å tillate at en ikke har det, ser jeg for meg at vi om noen tiår har en flåte som er eid av – ja, jeg skal kanskje ikke nevne yrkesgrupper her, for det kan oppfattes som noe negativt, men som er eid av en som i hvert fall ikke er aktiv i driften, verken av rederiet eller av båten. Det vil jeg synes er uheldig. Jeg tror på en fiskereid og aktiv Da skal jeg dra mitt resonnement litt videre, for da kommer nemlig moroa med deltakerloven. Hvis økonomipersonen som bor i Oslo, flytter sin virksomhet hjem, driver virksomheten fra rederikontoret og sier at jeg fører nå regnskap også for dette, dvs. at jeg er med på driften, er det greit. Da kan man etter deltakerloven for det første få en dispensasjon hvis man er med og driver rederiet. Da kan man først få en femårsdispensasjon, og så kan den gjøres permanent, fordi man er med og drifter rederiet sammen med den andre arvingen. Den tredje står da utenfor. Da er det greit. Da er mitt spørsmål til statsråden følgende: Er man blitt noe mer fisker for det? Nå skal jeg prøve å tenke, selv om det begynner å bli langt på dag. jeg vet – jeg må ta et lite forbehold – er det ikke bostedsplikt knyttet til aktivitetskravet. Så hvor aktiviteten utøves, så fremt noen er aktiv – det er aktiviteten som bestemmer, ikke hvor i landet man bor, tror jeg. Jeg må ta et lite forbehold. Jeg har ekspertene sittende bak her, så vi skal i hvert fall få avklart spørsmålet før kvelden er omme. Men jeg vil tro at det er aktiviteten som avgjør.